kostnader og byrdefordeling. Nå mener jeg at vi gjør det. Norsk klimadebatt har i stor grad flyttet fokus i denne retningen de siste årene. Nå gjør også politikken det, og vi følger en internasjonal trend. Når f.eks. EU fortsetter å ha offensive klimamål og tar på seg forpliktelser, til tross for den de befinner seg i, er det fordi man har en oppfatning av at klimapolitikk ikke dreier seg om deindustralisering, men reindustrialisering, som f.eks. Connie Hedegaard, klimakommisæren, sier det. Det er en grunnleggende oppfatning at klimapolitikken, med fokus på både teknologiske løsninger i industrien og tung satsing på nye energiformer, virker stimulerende på

Jeg vil bare kort nevne et par andre felt hvor det nå tas nye grep. I byggsektoren kommer det til å merkes at vi blir mer offensive. Det viktigste virkemidlet vi har for nye bygg, er Byggteknisk forskrift. Den skal skjerpes, slik at vi når passivhusnivået i 2015 og nesten nullenerginivået i 2020. Samtidig er det sånn at utskiftingen av bygningsmasse går sakte. Derfor er tiltak i eksisterende bygg viktig, og vi får nå på plass komponentkrav.

Der de andre partiene deler beskrivelsen av alvoret i klimaproblemet, har Fremskrittspartiet sine særmerknader, som uttrykker mer bekymring for debattklimaet enn for klimaet som sådan. Det er en grei observasjon å ha med seg videre i debatten, og det beskriver veldig godt hvorfor vi på et tidspunkt valgte å gå videre med forlikspartnerne fra 2008, som har den samme forståelsen av alvoret i problemet og den samme helhetlige tilnærmingen til mål og virkemidler som det vi har. Det er vår mening at dette har blitt et godt forlik, som konkretiserer en god melding, og at de vedtakene vi gjør i dag, kommer til å stå seg over tid som noe vi kan være stolte over å ha fått til. De siste ukene har vært noen underlige uker. Det har vært mye spekulasjoner i media om hvem som er inne, og ukene har vært noen underlige uker. Det har vært mye spekulasjoner i media om hvem som er inne, og hvem som er ute. Det er litt «Big Brother-schwung» over det hele. Fremskrittspartiet gikk inn i forhandlingene med åpne kort. Vi gikk inn for å dra prosessen i retning av vår politikk. Vi spilte med åpne kort og var klare på våre prioriteringer. Det er viktig å understreke at først og fremst i forhold til de andre borgerlige partiene nådde vi ganske langt på tiltakslisten. Men etter hvert utviklet dette seg fra regjeringspartiene til et politisk spill av dimensjoner. Det handlet om å holde oss ute, koste hva det koste ville.

og senere med de andre borgerlige partiene – det var tiltakene det handlet om. Da er det litt underlig at begrunnelsen for å holde Fremskrittspartiet ute fra forhandlingene da de ble gjenopptatt etter bruddet – og det fikk vi for så vidt også bekreftet fra representanten begrunnelsen for å holde Fremskrittspartiet ute fra forhandlingene da de ble gjenopptatt etter bruddet – og det fikk vi for så vidt også bekreftet fra representanten Marthinsen – er at vi ikke tror nok på menneskeskapte klimaendringer. Det var altså ikke en reell politisk drøfting rundt tiltak, og tiltak kan ha mange virkninger på samfunnet klimamessig, men også på andre samfunnsmessige sider. Da ble vi holdt utenfor. Vi var ikke sterke nok i troen på såkalt menneskeskapte klimaendringer til at vi kunne få være med på å drøfte det engang. Sammen med de øvrige borgerlige partiene nådde vi langt i å finne frem til en felles plattform for tiltakene – men det var jo kanskje det regjeringspartiene fryktet, at her var det faktisk rom for at man kunne bli enig. Jeg garanterer at Fremskrittspartiet ikke hadde vært endelig med bak forliket når jeg ser forslagene sånn som de ligger, og den enigheten som ligger i forliket, er det påfallende at en del av de åpenbare snubletrådene som ble lagt der i første runde fra regjeringspartiene, har Det var klart fra dag én fra regjeringspartienes side at Fremskrittspartiet ikke skulle være med på dette forliket. Fordi jeg vet det kommer til å bli en debatt her i dag om hvem som tror nok på såkalt menneskeskapte klimaendringer, velger jeg å ta den saken med en gang. Fremskrittspartiet har et mer nyansert syn på det temaet. Vi ønsker en mer nyansert klimadebatt, og vi mener at det er sterk grunn til å revurdere situasjonen, og at det ikke er sånn at FNs klimapanel ene og alene har rett i alle sine konklusjoner. Jeg velger å si det sånn: En kjetter anno 2012 er altså en person som ikke ensidig og uten forbehold aksepterer alle konklusjoner som måtte komme fra FNs klimapanel, og som er åpen for at naturlige variasjoner faktisk kan spille en større rolle i utviklingen av klimaet enn menneskelig aktivitet. For å slå det fast med en gang: Fremskrittspartiet har aldri sagt at menneskelig aktivitet ikke påvirker klimaet. Det har vi aldri sagt. Det vi setter spørsmålstegn ved, er virkningen og effekten av den aktiviteten kontra de naturlige variasjonene som foregår rundt oss uansett. Vi er mer åpne for det som er internasjonal forskning, og som er en langt større og mer åpen debatt i verden rundt oss. Vi kan dra til Tyskland. Der er det altså en person, en tidligere miljøpolitiker fra SPD, som har ombestemt seg og gitt ut en bok som heter «Die kalte Sonne» – «Den kalde sol» – som har skapt en enorm debatt i tyske medier. Vi har en professor, en nobelprisvinner i en nobelprisvinner i fysikk, norsk-amerikaneren Ivar Giæver, som mener at man går for langt i ikke å akseptere at det settes spørsmålstegn ved FNs klimapanels konklusjoner. Det er en debatt der ute. Det er en reell debatt. Det er altså ikke en politisk oppgave for oss, verken i denne sal eller andre som ikke er men vi skal være åpne for debatten. Det har alltid ligget – for ikke å være svulstig – i den vestlige sivilisasjons natur at man er åpen for debatt. På dette punktet har man trukket konklusjoner. Media dekker det jo ikke engang når det kommer prominente klimaskeptikere til Norge. Det er ikke interesse fra media man har konkludert, selv om debatten i høyeste grad eksisterer der ute. Så bruker man dette argumentet om konsensus. Jo, de aller fleste forskerne er enige, sier man. Jeg har nettopp bevist at det ikke er sånn, med bare noen få henvisninger. Det er også et ganske farlig utgangspunkt når man liksom skal legge til grunn det som flertallet sier.

presentert. Det er altså dette som er så spesielt: at man har valgt å ta et vitenskaplig standpunkt på tross av at det i høyeste grad foregår en reell debatt der ute rundt oss i verden. Den fellen skal ikke Fremskrittspartiet gå i. Men vi er åpne for å vurdere tiltakene. Det var det vi gjorde da vi satte oss ned ved forhandlingsbordet i første runde, før bruddet – også da vi diskuterte dette med de andre borgerlige partiene. Da har vi altså målsettinger som vi legger til grunn. Det var vi åpne og ærlige om. Vi aksepterer ikke at klimaargumenter skal brukes for å pålegge det norske folk flere skatter og avgifter. Vi ønsker ikke flere påbud, forbud og offentlige reguleringer og at klimaet brukes som grunn for å komme med det. Men samtidig er det altså en rekke av tiltakene, også de tiltakene som ligger i forliket, som er bra – bra sikkert av klimamessige hensyn, men også bra ut fra andre samfunnsnyttige forhold. Da er det altså ingen grunn til å være imot det. Men det er snakk om innretningen, det er snakk om prioriteringer, og om man skal bruke gulrot eller pisk. Fremskrittspartiet mener gulrot er veien å gå. Skal vi da ta utgangspunkt i våre prinsipper og legge til grunn en aksept og si: Ok, menneskelig aktivitet påvirker klimaet gjennom CO2 og andre drivhusgasser så vesentlig at vi må gjøre endringer. Da burde man jo i hvert fall gjøre noen prioriteringer i forhold til den veien man har valgt å gå – og da snakker jeg om klimameldingen – f.eks. to tredjedels kutt innenlands innen 2020. Det handler ikke om kostnad og nytte, det handler om å drive en symbolpolitikk. Hvis poenget er å kutte mest mulig i CO2-utslipp, må man gjøre det der man får mest mulig kutt for pengene. Det er snakk om å anvende samfunnets ressurser på dette feltet, og all den tid ingen av oss har et uendelighetshorn, må man gjøre prioriteringer. Derfor står det ikke til troende med denne typen symbolpolitikk, som det helt klart er. Vi har sagt at en av de triste tingene som ligger i dette forliket, er at man ikke har noen garanti for fremtidig veibygging over det ganske land. Man prioriterer kollektivsektoren, og det er også Fremskrittspartiet for. Men når vi vet at vi har en budsjettbalanse å forholde oss til, blir konsekvensen av det – når man ikke tar noe forbehold – at det går på bekostning av veisatsingen. Det er et faktum som dette forliket medfører. Det er også en indirekte aksept av høyere drivstoffavgifter når man skal vri innretningen og legge flere klimakriterier til grunn. Vi er heller ikke imot det, men vi aksepterer ikke at man bare skal vri det om. Da må man i hvert fall kutte, sånn at man ikke øker drivstoffavgiften. Det samme gjelder forbudet mot

Bare det å innføre det fra 2015 – om to og et halvt år – kommer ifølge Block Watne til å fordyre en gjennomsnittsbolig med 250 000 kr. I tillegg vet vi at de færreste leverandører er i stand til å levere det. Da vil altså konkurransesituasjonen presse prisene opp. Det er et naturlig utslag av hvordan markedet fungerer. Samtidig er det stilt vesentlige spørsmål om astma- og allergiplager allergiplager knyttet til tette hus – at det nesten er hermetisk lukkede bygninger. Den type ting har man ikke tenkt gjennom. Spør medlemmer i kommunalkomiteen, som er svært bekymret over og opptatt av hva som skjer i boligmarkedet, og unge som holdes ute av boligmarkedet. På den andre siden sitter energi- og miljøkomiteen og øker kostnadene og gjør det enda vanskeligere for unge å erverve seg en ny

samferdselsmidlene i fremtiden. Vi er for teknologiutvikling for CO2-rensing. Vi er generelt for forskning som kan fremme fornybar energi. Vi er for å bruke skattesystemet på en positiv måte for å fremme miljøvennlige tiltak. Men vi aksepterer altså ikke den pisken man legger opp til, når man skal

som står for en videreføring av Kyoto-avtalen. De selvpålagte kuttene som vi skal gjøre, skal også skje i EU – en av deres mest dramatiske omstendigheter når det gjelder den økonomiske situasjonen. Jeg vil litt flåsete si at jeg ikke er i tvil om at Hellas kommer til å klare å oppfylle sine men det kommer ikke til å skje gjennom en bevisst klimapolitikk. Det kommer til å skje som følge av økonomisk nedgang og arbeidsledighet. Spørsmålet man kan stille seg, er om EU i det hele er i stand til å følge opp sine forpliktelser. Er vi kanskje det eneste landet i Europa som har kombinasjonen av økonomisk ryggrad til å kunne bære den allokering av ressurser som dette krever, kunne bære den allokering av ressurser som dette krever, og vilje til å gjøre det? Spørsmålet bør henge i luften om hvorvidt EU er i stand til å gjøre det – i hvert fall. Vi kommer garantert tilbake vedrørende de enkelte tiltakene i løpet av debatten. Fremskrittspartiet har fremmet en ganske omfattende liste. Vi støtter for så vidt innstillingens I, II, III, VIII, X, XI, XII og så vidt innstillingens I, II, III, VIII, X, XI, XII og XIII, altså det som er resultatet av forliket, og vi ber om en votering som gir muligheter til å stemme for det vi er for. Til slutt vil jeg ta opp Fremskrittspartiets forslag. Representanten Per-Willy Amundsen har tatt opp de forslagene han

for å redusere CO2-utslippene for å hindre klimaendringer med mer storm, tørke, ubalanse i økologiske systemer som rammer matproduksjon og levekår for folk. Derfor er jeg veldig glad for at det lyktes oss å skape en bred enighet som skal ligge til grunn for klimapolitikken de neste årene. I SV sammenligner vi det med barnehageforliket, som var vår til da største seier. Nå har vi vunnet en langsiktig klimapolitikk. En god klimamelding er blitt enda bedre ved at vi har fått en enighet som ikke på noen områder svekker klimapolitikken som lå i meldinga, men som forsterker og utdyper noen av forslagene. Partiene er enige om at klimameldinga, med flertallsmerknadene, skal ligge til grunn for klimapolitikken i denne og neste stortingsperiode på en slik måte at politikken i meldinga og i merknadene ikke kan svekkes, men bare ytterligere forsterkes. I SV er vi veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for at målene for klimaforliket står ved lag – 30 pst. kutt i klimautslipp, hvorav to tredjedeler hjemme. Klimameldinga er den mest konkrete og omfattende tiltaksliste for klimakutt som noen norsk regjering har lagt fram. Likevel reises det spørsmål ved om tiltakene er dosert kraftig nok. nok. Det er viktig at målene tas på alvor, slik at tiltakene kan justeres om målene ikke nås. Skal vi nå målene, må vi ha kutt i utslipp i alle sektorer, slik klimameldinga legger opp til. Regjeringa foreslo et grep for omstilling av industrien – med et klimafond på 50 mrd. kr – og forslaget har fått god mottakelse både i industrien og i fagbevegelsen. fagbevegelsen. Etter komitébehandlinga vil vi nå få en enda raskere oppfylling av fondet, som skal hindre at vi får karbonflukt, og sette oss i stand til å møte en karbonnøytral framtid uten en steinalderindustri. Internasjonalt sett har vi en industri med lave utslipp, nettopp fordi vi har stilt krav som ikke alltid andre land har stilt, men som har stimulert til omstilling, og vi har kombinert dette med støtte. I petroleumssektoren er grepet å få til elektrisk kraft på sokkelen, noe det nå settes ytterligere press på. Framover må vi nok også, etter min mening, se på tempoet i oljeutvinninga – av flere grunner: Vi har blitt for avhengige av en industri som på sikt er en solnedgangsindustri. Vi må bruke den kunnskapen som finnes i denne industrien, til i stedet å utvikle fornybar energi.

på en måte som tar vare på biomangfoldet. Det skal skje ved at vi faser ut fossil energi på plattformer, i industrien, i boliger og i transportsektoren. Klimameldinga inneholdt et mål om utfasing av fossil energi i bygg fra 2020. Nå er dette spesifisert gjennom at regjeringa skal komme tilbake med et forbud. Samtidig skal staten vise vei ved å fase ut sin bruk av fossil energi allerede i 2018. Klimameldinga slår fast at Norge skal være i front internasjonalt når det gjelder elbiler. Det foreligger ingen planer om å endre avgiftsfordelene for elbiler, og til nå har det jo dreid seg om forholdsvis få biler. Men nå venter vi at salget av elbiler tar av, og det er jo regjeringas politikk å få til det. Derfor er avgiftspolitikken nå konkretisert til at avgiftsfordelene skal garanteres ut neste stortingsperiode. Vi har møtt ElBil Norge, som har skjønt det historiske ved at vi kan garantere en bilavgift så lenge! Det er med virkelig stor glede at jeg kan være med og anbefale flertallsmerknadene som vedtas i denne saken, og takke det initiativet utenfor dette huset – miljøorganisasjoner og enkeltpersoner – som gjorde at det ble mulig å komme tilbake til og finne en enighet i denne saken. Arbeidet med å unngå menneskeskapte klimaendringar er

Gjeld ikkje dette alle politiske område? Jau, i alle fall mange, men det er ikkje på alle politikkområde at feil val er så vanskelege å snu, at konsekvensane blir så vanskelege å rette opp. Den grøne tråden gjennom senterpartihistoria er forvaltartanken: Vår forvalting skal handle om å overlevere jorda i minst like god stand til neste generasjon som vi sjølve overtok at dei vurderingane og vala vi gjer, skal gjerast med tanke på dei komande slekter og ikkje byggje på mål om kortsiktig gevinst. Når tidsdimensjonen blir lagd til, er det mange reknestykke som endrar seg, og ein del økonomar får problem med å få likningane sine til å gå opp. Men det er slett ikkje noko nytt at langsiktige satsingar svarar seg – også økonomisk – og det er heller ikkje noko nytt at jakta på kortsiktig gevinst gjev konsekvensar for dei som kjem etter. Vi har etter kvart nok tilgjengeleg kunnskap om menneska sin aktivitet og den påverknad det har på klimaet på jorda, til at dette åleine bør føre til ein offensiv global klimapolitikk. Det er rett – som også Framstegspartiet seier – at vi ikkje veit alt, men det talar ikkje for ikkje å gjere noko; det talar jo tvert om for å leggje føre-var-prinsippet til grunn. grunn. Samla sett gjev forvaltartanken og føre-var-prinsippet Senterpartiet den ideologiske og politiske forankringa som vi treng for å delta i utforminga av ein offensiv klimapolitikk. Vi bur i eit land som har enorme naturressursar, både fossile og fornybare. Vi har bygd opp det velstandsnivået vi har, m.a. ved å selje fossil energi. Etter Senterpartiet sitt syn gjev dette oss eit særleg ansvar for å bidra til å utvikle teknologi for å redusere klimabelastinga ved bruk av fossil energi. Klimafondet, som etter kvart skal utgjere 50 mrd. kr, er ein viktig del av teknologisatsinga. For Senterpartiet er dette eit av dei viktigaste elementa i klimameldinga: Klimautfordringa er reell og må møtast gjennom tiltak, men det ligg store næringsmessige moglegheiter i utviklinga av ny teknologi for ei ny grøn framtid. Vi har eit stort ansvar for å sikre at norsk næringsliv har verktøy til å gjennomføre ei omstilling til eit grønare næringsliv – på ein slik måte at det også dukkar opp interessante forretningsmoglegheiter. Det er rett det som saksordføraren seier: Vi løyser ikkje klimaproblem med å føre ein politikk som gjer at verda sin reinaste kraftforedlande industri flyttar ut av landet og legg om til Noreg har eit stort uutnytta potensial innafor fornybar energi. Senterpartiet meiner det er rett å ta i bruk meir av denne, anten vi snakkar om vasskraft, vindkraft eller bioenergi. I tillegg har vi store ressursar innan energiformer og teknologiar som enno ikkje er kommersielt lønsame. Eit viktig bidrag til klimaarbeidet må òg vere å ta i bruk meir av desse ressursane gjennom produksjon og teknologiutvikling. Vi har lange tradisjonar for dette, vi har kunnskap om både produksjon og bruk av elektrisk kraft – og denne må vi vidareutvikle. Dette utelukkar ikkje ein offensiv politikk når det gjeld energieffektivisering. Klimameldinga varslar ei tydeleg satsing både på jernbane, kollektivtransport og tilrettelegging for gåande og syklande. Med den er det svært viktig – som fleirtalet peikar på – at transportveksten skal kome gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Det er viktig for framtida til og miljøet i byane, men også for resten av landet, der vegmidlar framleis er viktige. Om Framstegspartiet og representanten Amundsen reelt var opptekne av fordeling av vegmidlar, måtte det jo vere i interessa hans nettopp å sikre at ikkje folketalsveksten i dei store byane og transportveksten som følgje av det skal og transportveksten som følgje av det skal løysast gjennom vegtrafikk, men tvert imot takast gjennom offensive tiltak på kollektivtrafikk og sykkel t.d. Satsinga på elbil blir vidareført og spissa, og det er vi i Senterpartiet nøgde med. Eg reknar med at samferdselsministeren kanskje går nøyare inn på tiltaka Som sagt kan vi produsere og frigjere mykje elektrisk kraft som kan nyttast i industrien, som elektrisitet til norsk sokkel, i transportsektoren til elbil og jernbane og til nye næringar, som t.d. datalagring. Vi treng òg nytt nett som skal sikre at den nye energiproduksjonen når fram til brukarane. Satsinga på kraftproduksjon gjennom t.d. grøne sertifikat og ny infrastrukturnett er allereie sett fokus på av regjeringa. Klimameldinga legg til rette for og fokuserer på å fase inn rein energi på område som i dag har stor del fossil energi, og dette er eit viktig steg vidare. Fokuset på energieffektivisering er styrkt, og fokuset på skog og bioenergi legg til rette for vidare satsing på desse ressursane t.d. innan varme- og transportsektoren. Ikkje minst er det viktig at skogpolitikken har fått eit tydeleg signal om at ein god og aktiv skogpolitikk òg er ein god klimapolitikk. Skog bind CO2. Ei satsing på skogplanting og auka uttak av hogstmogen skog, samtidig med at ein utnyttar den energien som skogvirke inneheld, er altså ein viktig del av den framtidige norsk klimapolitikken. Brukar ein tremateriale i bygningar, bind ein opp CO2 i endå lengre tid. Det ligg altså store klimagevinstar i skogen, og det veit eg at også landbruksministeren vil kome attende til seinare i debatten. Det er mange grunnar til å vere kry av klimameldinga. Ein av dei er den klare internasjonale forpliktinga som regjeringa og Stortinget no varslar. Vi skal vere ein nasjon som spelar ei rolle utover storleiken vår når det gjeld klima, både ved å ta på oss innanlandske klimakutt og vise at eit velferdssamfunn med eit lågutslepp er

Senterpartiet har, til liks med dei andre regjeringspartia, lagt ned mykje arbeid i meldinga. I samarbeid med Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti har meldinga i stortingsbehandlinga blitt endå meir konkret og fleire av satsingane ytterlegare styrkte. Ein av verda sine mest offensive nasjonale klimastrategiar – kanskje den mest offensive – er ytterligare styrkte. Difor er det rett å dele ut ros både til regjeringspartia og til dei partia i Stortinget som såg viktigheita av å byggje eit breitt forlik i denne viktige saka. Framstegspartiet var ikkje ein del av det breie forliket. Eg trur at kvar og ein som lyttar til representanten Amundsens innlegg her, forstår at det er ein stor avstand mellom det Framstegspartiet står for i klimapolitikken, og det dei andre partia i denne salen har som utgangspunkt. Det må vere lov å ha andre syn. Men ein kan då heller ikkje vente å bli møtt på tiltak og synspunkt som dreg i ei heilt anna retning enn det fleirtalet ynskjer. Det må ein akseptere. Eg meiner Eg meiner òg saksordføraren i alle fall bør tenkje over det når han oppsummerer samarbeidet i Stortinget slik han gjer. Ville eit forlik som også innebar eit parti som så tydeleg i merknadar skil politikken sin frå det fleirtalet ynskjer, bidra til ei meir offensiv, framoverlent klimamelding og ein meir offensiv klimapolitikk – eller ville det ha drege i den andre

spillet. Det er en styrke for norsk politikk at vi klarer å samle oss om felles løsninger i en så viktig sak som klimasaken. Mange vil være enig med meg når jeg sier at klimautfordringen, ved siden av fattigdom, er vår tids største utfordring. Ja, dette sitatet har allerede to representanter brukt tidligere i denne debatten. Det understreker bare at denne setningen er sagt av så mange politikere fra så mange partier de senere at den nærmest er blitt en politisk floskel. Derfor er det en klar forventning ute blant folk at vi skal følge opp denne retorikken med politisk handling. Klimautfordringen lar seg ikke løse uten tverrpolitisk samarbeid mellom land og mellom politiske partier i hvert enkelt land. Norge er et rikt land, ja, vi er et av verdens rikeste. Rundt oss i Europa er det økonomisk krise. Hellas og Spania sliter med skyhøy nasjonalgjeld og risikerer å bli kastet ut av eurosonen. Arbeidsledigheten i disse landene er rekordhøy, og fattigdommen øker. I USA er man bekymret for utviklingen i Europa, og frykter at den økonomiske krisen skal spre seg. Obama frykter å tape presidentvalget på grunn av en global virkning av eurokrisen. Midt oppi dette var det i slutten av mai var det i slutten av mai nye forhandlinger i Bonn i Tyskland for å få på plass en global bindende klimaavtale. Møtet ble ingen stor suksess. Målet man nå forfølger, etter fiaskoen i København, Cancun og Durban, er å få på plass en avtale i 2015, som først skal begynne å gjelde i 2020. I Bonn ble det kranglet om hvordan prosessen skal være og hvem som skal være med i hvilke grupper.

for. Det bringer meg inn på den saken vi behandler i dag. De som kjenner meg, vet at jeg er en utålmodig person, men også at jeg har en stor dose tålmodighet når det trengs. I klimasaken trenger vi tålmodighet, samtidig som vi trenger å være For Kristelig Folkeparti har det vært viktig å flytte politikken i en enda grønnere retning enn det regjeringen la opp til i 2007, med den første klimameldingen, og i 2012. Vi gjør det ikke for egen del, men vi gjør det for neste generasjons skyld. Det har Kristelig Folkeparti klart to ganger sammen med Venstre og Høyre, tross en flertallsregjering. Vi er ikke i mål, men vi har tatt viktige steg. steg. Steg 1 sa vi var i 2008. Ja, så har vi kanskje tatt stegene 2 og 3 gjennom denne behandlingen. Hovedproblemet med klimameldingen slik den forelå da den kom til Stortinget, er at den opprettholder målsettingene fra klimaforliket i 2008 uten å følge opp med nok tiltak. Journalist Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv oppsummerte meldingen godt da han sa at er at målene opprettholdes, mens Arbeiderpartiets seier er at det ikke er nok tiltak til at målene kan nås. Dette har opposisjonen gjort noe med. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har greid å få på plass flere og sterkere virkemidler i den nasjonale klimapolitikken, som gjør at vi kommer nærmere målet om å ta to tredjedeler av Norge. Ifølge Kristelig Folkepartis egne beregninger har vi lagt inn tiltak som vil bidra til at vi kan redusere utslippene med om lag syv millioner tonn innen 2020. Siden vi er i EM-tider, må jeg si at for å få det til må vi ha «stang inn» på noen av tiltakene. Men det tror vi på i disse Men det tror vi på i disse EM-tider. Det gjenstår om lag tre millioner tonn for å nå klimaforlikets målsetting, og det er en utfordring regjeringen skal høre om fra oss de neste årene. Jeg har lyst å si her fra talerstolen at Kristelig Folkeparti hadde ingen problemer med å ha Fremskrittspartiet rundt forhandlingsbordet. Det var ikke Fremskrittspartiet som var årsaken til at det ble brudd i forhandlingene. Ansvaret for bruddet ligger hos regjeringen. At vi i dag ser Fremskrittspartiets primære standpunkter i meldingen, er vel rett og rimelig når de ikke fikk lov til å være med på samtalene. Kristelig Folkeparti er glad for mange ting i forliket vi har vært med på. Jeg vil spesielt framheve at vi har fått med oss regjeringen på å utrede hensiktsmessigheten Årene siden 2008 har vist oss at vi trenger sterkere styringsverktøy i klimapolitikken. Som meldingen og forliket viser, er klimapolitikken sektorovergripende. Dersom Norge skal lykkes med å bli et lavutslippssamfunn, må utslippene reduseres i alle sektorer. Transport, industri, petroleum, bygg, landbruk, avfall – ja, alle skal med. Det er jo et kjent slagord for noen. Storbritannia har hatt en klimalov i flere år. Nå skal en slik lov utredes i Norge, og det er jeg glad for, for jeg tror og mener at dette kan være et viktig verktøy for oss. Kristelig Folkeparti har også oppnådd viktige klimapolitiske seiere innen transportsektoren. Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode såfremt antallet ikke overstiger 50 000 elbiler. Dette er noe alle partiene, også Fremskrittspartiet, er enige om. Det er en styrke at en samlet opposisjon er villig til å forplikte seg på en offensiv elbilpolitikk som skal gjelde hele neste stortingsperiode. Forliket innebærer også en kraftig økning i belønningsordningen for kollektivtrafikken. Dette er en ordning som har gitt gode resultater, og fra 2014 vil den økes fra dagens nivå til nær Belønningsordningen gjøres også mer forutsigbar for mottakerne ved at dokumenterte resultater skal ligge til grunn for utbetaling av støtte. Dette er en viktig endring i forhold til hvordan belønningsordningen er praktisert de siste årene. Det er også enighet om større statlige bidrag til store kollektivprosjekt i og rundt de store byene. Staten forplikter seg til bedre finansiering av større bane- og tunellprosjekter. For Kristelig Folkeparti har intercitytriangelet også vært viktig i disse forhandlingene. Nå har vi fått en garanti fra regjeringen om at vi skal få en rask utbygging av intercityforbindelsen. Det er spennende å ha en samferdselsminister som egentlig ligger foran Stortinget Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har jo selv sagt offentlig at innen 2025 skal vi kunne kjøre intercity både til Halden, til Lillehammer og til Skien. Vedtaket skal hun gjøre neste år – vi skal hjelpe henne med det – men nå har hun fått klarhet i hvor flertallet i Stortinget står i denne saken, gjennom dagens vedtak. Så er det også enighet knyttet til oljefyring. Det er et viktig tiltak som mange av oss får befatning med. Fra Kristelig Folkepartis side kan jeg love at vi skal ha rause ordninger når det gjelder konvertering. Vi må bruke gulrot, men også litt pisk på dette området for å komme i mål. I 2007 la regjeringa fram den første klimameldinga. Da

Grunnen til at forlik er bra, er at det er godt for demokratiet å ha noen breie forlik om de virkelig viktige tingene. Det fører til stabilitet på et av de politikkområdene der man virkelig trenger stabilitet og forutsigbarhet, og det gir muligheter for å bygge de lange linjene i politikken på områder der det er viktig. Og så er det en veldig bra ting med forlik at de borgerlige partiene – hver eneste gang – trekker regjeringa i riktig retning. Nå kom vi faktisk et godt skritt framover – et såpass godt skritt at jeg knapt nok har hørt en regjeringsrepresentant skryte av noe av det som opprinnelig sto i meldinga, man skryter mest av det man fikk til i forliket. Det er jeg glad for. Det er bra.

men det var faktisk et grunnlag for forhandlinger. Jeg vil også skryte – veldig mye – av saksordfører Astrup, som har gjort en veldig god jobb med å bringe dette så langt fram som han klarte. Hva er det egentlig snakk om her? Jo, dette er en av de største utfordringene vi står Klimautfordringa er en av de største utfordringene som hele vår planet står overfor, og det er en av de utfordringene som vi har felles – alle land. Det er også en av de utfordringene som – hvis vi ikke klarer å håndtere dem – nok ikke kommer til å bli et kjempeproblem for Norge, men det kommer til å bli et stort problem for alle fattige rundt omkring på kloden. Det som fascinerer meg når vi reiser rundt og snakker med europeiske søsterpartier og andre politiske søsterpartier rundt omkring i verden, er hvor viktig denne dagsordenen er for alle. Sjøl for dem som har store økonomiske utfordringer, er dette et av hovedtemaene rundt kaffebordet på kvelden, når man skal diskutere hva det er viktig å jobbe med videre framover. Derfor beklager jeg at vi har

for å klare å gjøre de endringene som vi vet at vi må igjennom. Vi må ikke kaste bort den fantastiske økonomiske muligheten Norge har i dag – mens alle andre sliter – til å omstille vårt næringsliv til å klare å takle framtidas utfordringer, for så å være i front, når vi vet at Europa kommer til å etterspørre nye teknologiske løsninger, nye produkter løsninger, nye produkter og nye løsninger når det gjelder energi, framover. Så til litt av innholdet i forliket. Det er klart at alt i forliket er ikke i nærheten av de 45 forslagene som ligger i primærforslaget til Venstre, som ligger på bordet her i dag, men som vi ikke kommer til å ta opp, da vi støtter dette forliket. Men hvis man sammenlikner med andre partier, er det klart at det er et stykke – også fra Venstres primærstandpunkt – til det som er forliket her i dag. Noe av det vi er mest glade for, er å ha fått til forliket om elbil – fram til minimum 2017. Vi er veldig glade for alle de tiltakene vi har fått til, også de forpliktende når det gjelder klimatiltak i bygg, som er en av de store mulighetene for å få til kutt. Her er det kutt i oljefyring på privateiendommer og næringsbygg i 2020, samt at vi får utfaset oljefyring i offentlige bygg fra 2018. Det er viktig å ha gode støtteordninger, sånn at dette ikke blir sosialt skjevt, men man er helt klart på riktig vei. Det andre er å få til en stor, offensiv satsing på kollektivtransport på vei og bane. Jeg er glad for at vi nå får en mer rettferdig belønningsordning, der man belønner ut fra resultat, ikke ut fra hva velgerne har stemt i hver enkelt by. Vi ser en økning med flere milliarder kroner de neste årene, og vi ser at man får en forpliktelse knyttet til intercity – med begrepet «raskest mulig». Dette er de store utfordringene vi står overfor i byene. Vi er også glade for at Det å få de klimapolitiske målsettingene rettslig bindende tror vi hadde vært et viktig virkemiddel. Dette er innført i Storbritannia og utredes nå i en rekke andre land. Så er det viktig å si at klimaforliket er et minimumsforlik. Vi er frie til å foreslå enda bedre tiltak oppå det, og det kommer nok Venstre til å fortsette å gjøre. Vi hadde nok ønsket en annen innretning når det gjelder klimateknologifondet, selv om vi er veldig glade for at vi fikk til en raskere opptrapping i fondet enn det regjeringa har foreslått. Dette er en av nøklene for å klare å få til de gode klimaløsningene framover. Det er klart at de borgerlige partiene nok hadde et annet ønske om

Ambisjonen om å bygge minst ett nytt fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og CO2-lagring innen 2020 mener jeg også er en ambisiøs målsetting, som noen av oss mener vi skal kunne klare. Vi er glade for at det nå skal utarbeides en egen strategi for biogass. Det jeg vil avslutte med, er å si at det går an at vi er uenig i noen av hovedgrunnene til klimautfordringene. Vi i Venstre hadde ønsket at dette forliket hadde vært enda breiere, hvis det hadde vært mulig. Det fikk vi aldri muligheten til å teste, fordi det for noen var viktigere å holde andre ute enn å få det til så breit som overhodet mulig. Så må jeg si at vi alltid kan diskutere hvem det er som er Galileo Galilei, som kjempet for ny kunnskap mot gammel tradisjon, og som kjempet for ny kunnskap mot gammel tradisjon, og hvem det er som er paven, som kjempet for gammel tradisjon og gammeldags tankegang. Det tror jeg kanskje ikke vil bringe oss noe videre. Jeg hadde håpet at vi skulle få til en brei enighet om tiltak her. Det hadde vært bra for demokratiet, og i en så viktig sak som klima hadde man også stilt det politiske spillet utenfor. Men Venstre har holdt det prinsippet vi har hatt fra begynnelsen av; for oss har vært at flest mulig ble enige om mest mulig som kan bringe oss i en klimavennlig retning. For oss var det viktig å ha et forlik som vi kunne sette navnet vårt under, som vi faktisk kunne stå for, sjøl om det ikke var Venstres primære standpunkt.

som eit godt forlik alltid har, nemleg at alle partar kan skryte av det på sin heilt særeigne måte og likevel vere godt nøgde. Dette forliket sikrar at hovudlinene i regjeringa si klimamelding har brei støtte og vil bestå. Det sikrar viktige konkretiseringar og endringar i klimameldinga, men den viktigaste grunnen til at eg har vore oppteken av ei brei semje om politikken, er likevel den særlege planlegginga på lang sikt som ligg i klimapolitikken, og som fleire av talarane allereie har teke opp. Den CO2-en som vi i dag slepper ut i atmosfæren, vil vere der opptil 100 år fram i tid. Vi må dessverre derfor seie at klimapolitikken kjem til å vere

for det første ved ein føreseieleg politikk i åra som kjem. – Gratulerer med klimaforliket. Godt for Noreg og jorda – og for meg. Bestilte ein Nissan Leaf for tre veker sidan og henta den i dag, sto det i en SMS eg fekk den dagen klimaforliket vart inngått. Vi har ikkje så veldig mange elbilar på vegen i Noreg – det er registrert under 6 000 – men det er ti gonger fleire enn i Sverige, og ein fjerdedel av alle dei vi har, er registrert under 6 000 – men det er ti gonger fleire enn i Sverige, og ein fjerdedel av alle dei vi har, er registrerte i løpet av dei første månadane i år, 2012. Vi kan vere inne i ein eksplosjonsarta vekst i elbilkjøp. At det er føreseieleg, vil vere viktig både for dei som produserer, og for dei som er kundar. Vi er eit leiande elbil-land i dag, og vi har lagt grunnlaget for å ei sterk målbarheit i politikken, som vi har med oss frå førre runde, og som meldinga òg la opp til. Det er klare mål for reduksjonar, og det er bestemte tiltak som kan vurderast av andre. Eg var nyleg og høyrde på BI-rektor Tom Colbjørnsen i ein annan samanheng, og han sa at på BI brukar ein gjerne uttrykket «Whats get‘s measured get‘s managed». Om ein måler det som er viktigast, og ikkje alt mogleg anna rart, og om ein måler det på ein nyansert og god måte,

Men i arbeidet med denne meldinga – frå eg tok over for dei som hadde jobba med ho før meg – har eg vore veldig oppteken av at kanskje dei største omstillingane vi skal igjennom, vil det ta tiår før vi har fått gjennomført på ein skikkeleg måte. Noreg kjem dei neste åra til å få ei demografisk utvikling som dei fleste europeiske landa vil misunne oss.

Den raud-grøne regjeringa har dobla investeringane i jernbanen, men i framtida trengst det nye krafttak. Skal vi nå klimamåla, må veksten i transportbehovet i byane skje innan kollektivtransport. Meir gods må frå veg til bane, og vi må ha ein jernbane som i endå større grad bind landet saman. Det betyr òg at vi må vere villige til å føre ein politikk som får trafikken i byområda over frå bil til «kollektivtransport, sykkel og gange». Utbygginga av framtidas transportsystem vil ha store kostnader, men vil først og fremst vere ei enorm moglegheit for oss. Vi kan byggje opp eit topp moderne transportsystem for næringslivet og for folk i dagleglivet – og for betre luftkvalitet i byane. Det vil vere store fordelar knytte til det. Derfor er målet om at veksten i persontransporten i byområda skal skje ved «kollektivtransport, sykkel og gange», viktig. Derfor må vi byggje ut intercitysambandet. Derfor må vi satse på godstrafikk. Derfor må vi òg ha ein ambisiøs bilpolitikk. Målet i klimameldinga om at ein skal ha eit gjennomsnittleg utslepp på 85 g CO2/km i 2020, vil innebere ein ambisiøs og radikal bilpolitikk, som vil prege politikken framover mot 2020. Eg reknar med at samferdselsministeren vil kome inn på andre delar av den politikken etter kvart. Så er det ei anna sentral omstilling vi skal gjennom i tiåra framover. Det er omstillinga av norsk industri. I mange tiår var motsetjinga mellom miljø og industri den viktigaste miljøkonflikten. Sur nedbør og dumping av avfall øydela miljøet, og ei rekkje industribedrifter måtte gjennom store omstillingar. I dag er mange av desse miljøproblema langt på veg løyste. Klimagassutsleppa frå industrien går ned, mens dei går opp innanfor energi- og transportsektoren. Eg vil hevde at industrien er ein viktig del av løysinga på klimaproblema. Nye teknologiar og produkt- og produksjonsprosessar er nødvendig for å skape eit lågutsleppssamfunn. Næringslivet og industrien i Noreg skaper allereie arbeidsplassar og ny produksjon ved å satse på miljøteknologi. Ein offensiv klimapolitikk vil gje enda større moglegheit for sysselsetjing og grøn vekst i framtida. Det er på denne bakgrunnen klimateknologifondet er lansert. Det vil gje Enova høve til å samarbeide med industrien om å utvikle og bruke teknologi som gjev reduserte utslepp frå industriproduksjonen. Klimaforliket betyr at dette fondet skal vere i gang allereie i 2013. Det vil bety ein rask oppstart av eit sentralt verkemiddel i

og varslar òg eit klart mål om i større grad å bruke kraft frå land. Vi gjennomfører ein balansert skogpolitikk, som eg reknar med at landbruksministeren i større grad vil gå gjennom i eit innlegg seinare i dag. Dei fleste klimatiltaka som denne meldinga varslar, og som forliket varslar, vil gje oss eit betre samfunn i framtida – ikkje eit billegare samfunn, men eit betre samfunn – til ein låg kostnad, om vi ser på alternativet, nemleg ikkje å bidra til å løyse klimaproblema. Kollektivtrafikken vil gjere det enklare å ta seg fram. Han vil òg skape mindre kø. Bilar med mindre utslepp vil gje mindre lokal forureining. Bygg som er meir energieffektive, vil gje betre hus og lågare straumrekningar i framtida. Nye, grøne jobbar vil vere sikre, framtidsretta, stå seg godt og skape nye næringar i Noreg. Eit meir miljøvenleg samfunn vil vere eit betre samfunn. No startar jobben. Tiltaka i meldinga skal følgjast opp og setjast ut i livet. Tiltaka i innstillinga frå Stortinget skal verte verkelegheit i åra som kjem. Eg ser fram til å fortsetje samarbeidet om dette. Det

gått svært langt i virkelighetsbeskrivelsen av hvor man kan ende. Det som blir det store spørsmålet, er: Dersom man ser for seg at verden nesten går under dersom man ikke strammer til når det gjelder klimagassutslippene, hvorfor er man ikke opptatt av å kutte der det får mest mulig effekt? Hvorfor henger man seg opp i Hvis man frykter fremtiden, må jo poenget være å få ned utslippene så raskt som mulig – ikke hvor man gjør det. Eg har aldri høyrt tidlegare statsråd Erik Solheim seie noko i nærleiken av det å samanlikne med «endetidslignende tilstander». Det skulle eg gjerne sett dokumentasjonen på. Derimot hadde han den same kunnskapsbaserte tilnærminga som eg. Vi har lagt til grunn kanskje det mest omfattande internasjonale forskingsarbeidet nokosinne – FNs klimapanel. Då er det slik at viss vi skal følgje det, nemleg eit mål om 50 til 85 pst. kutt i dei globale utsleppa mot 2050, må både rike industriland og mange oppkomande økonomiar kutte dramatisk i sine utslepp. Vi kjem ikkje unna dei kutta i Noreg,

de CO2-utslippene det vil medføre, og tenker å anvende de pengene f.eks. på andre områder andre steder i verden, hvor man kunne fått dramatisk høyere kutt, er det litt merkelig at man skal prioritere nasjonale kutt. Jeg stiller spørsmålet igjen: Dersom man vil kutte raskest mulig for en begrenset sum med penger, må man jo sette inn støtet der man oppnår effekt raskest. raskest. Det er derfor det fremstår som ren symbolpolitikk når regjeringen og statsrådens parti er så opptatt av dette totredjedelsmålet. Det fremstår rett og slett som symbolpolitikk, og det er vanskelig å forstå det på en annen måte. Kan statsråden redegjøre for det? Er man ikke opptatt av å ta utslippene der

at regjeringspartiene ikke legger frem disse gode forslagene selv, når regjeringspartiene har flertall og utmerket godt kunne ha foreslått disse tiltakene som de i dag fremstiller som en seier, uten opposisjonens hjelp. Vi er selvfølgelig mer enn behjelpelige når det gjelder å gjøre regjeringens klimapolitikk mer ambisiøs, men likevel, spørsmålet står seg: Hvorfor gjør ikke regjeringen dette selv?

Eg gleder meg stort over at vi har den evna i Noreg, sjølv om det er ei fleirtalsregjering, til å skape ei brei einigheit om slike konkretiseringar og breidda i politikken, og at ein her i Stortinget – iallfall seks av sju parti – valde politikk framfor spel i denne debatten. Så gleder eg meg òg over at representanten Astrup kan glede seg over at han har fått lov til å bidra spesielt til det.

En samordnet utbygging kan også gjøre kraft fra land til et mer realistisk alternativ enn hvis funnene bygges ut enkeltvis.» Vi er nå på sak nr. 9 på dagens kart. Sak nr. 3 i dag gjaldt utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet, et nytt felt. Der legger vi opp til i dag å vedta at vi skal få en utbygging med to gassturbiner som gjør at vi øker klimagassutslippene, tross for at vi har en samlet plan som vi venter på på dette området, om Utsirahøyden. Mitt spørsmål til statsråden er: Er det slik at før vi egentlig får vedtatt klimameldingen, begynner vi å skli på politikken i et tidligere vedtak? Som representanten sikkert vil hugse frå saka tidlegare i dag, så legg ein jo der opp til at det i framtida skal vere mogleg å tilføre kraft frå land, og legg spesielt til rette for det. Så eg vil snarare snu på det: Der legg ein opp til at det er mogleg å gjere det, dersom den totale gjennomgangen viser at det er klokt. Med klimameldinga har vi sett oss eit klarare mål om at vi skal tilføre kraft frå land når det kostnadsmessig og ut frå nett og andre

og i særdeleshet med den garantien vi i realiteten sikrer elbilen gjennom å videreføre dagens avgiftsfordeler fram til 2017 – en avgiftspolitikk som allerede har ført Norge til topps som verdens ledende elbilland. Dette er imidlertid bare ett av mange tydelige grep partiene har samlet seg om i forliket for å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren. Det er nødvendig. I 2010 utgjorde klimagassutslippene fra transportsektoren 32 pst. av Norges samlede klimagassutslipp. I byene står sektoren for over halvparten av utslippene. Det er personbiltrafikken som utgjør den største andelen. Skal vi klare å oppnå de ambisiøse målsettingene i forliket om å kutte i innenlandske klimautslipp, må det derfor tas kraftige grep overfor hele sektoren. Den norske bilparken må fases om til å bli renere og mer miljøvennlig.

I de større byområdene i Norge forventes en befolkningsvekst på 28 pst. fra 2010 til 2030. Befolkningsveksten krever vesentlig kapasitetsøkning i transportsystemet, uavhengig av om veksten skjer med bil eller med mer miljøvennlige transportformer. Prognosene viser at det daglig vil foretas rundt to millioner flere reiser i de ni største byområdene i 2030 enn i 2010. Det er ikke tvil om at en ensidig bilbasert trafikkvekst vil bli betydelig dyrere for samfunnet enn en trafikkvekst som håndteres med kollektivtransport og sykkel. En bilbasert trafikkvekst vil øke klimautslippene med 20 pst. Hvis trafikkveksten skjer ved kollektivtransport og sykkel, vil klimautslippene øke marginalt. Jeg er derfor veldig glad for at klimaforliket viderefører regjeringens klare målsetting om at veksten i persontransporten, som befolkningsøkningen i de større byene fører med seg, skal skje ved kollektivtransport, gange og sykkel. Det er ikke bare det som er godt nytt for klimaet. Mindre biltrafikk vil også gi renere luft, mindre støy, økt trafikksikkerhet og generelt mer trivsel i byene. Men byene og berørte fylkeskommuner har allerede store utfordringer med å klare å finansiere nødvendige investeringer og drift i kollektivtransporten. Arbeiderpartiets landsmøte slo i fjor fast at staten i større grad må bidra til drift og investeringer i kollektivtrafikken. Dagens rammetilskudd til fylkeskommunene og belønningsordningen er ikke tilstrekkelig. Klimaforliket følger opp dette vedtaket gjennom både å foreslå en styrking av belønningsordningen og understreke at staten i større grad må bidra med drift og investeringer i kollektivtrafikken i de store byene. I Bergen bygges nå bybane fra sentrum til Flesland til en samlet prislapp på om lag 7,5 mrd. kr. Mesteparten av dette betales av bilistene i Bergen. Deretter er målet at banen skal bygges fra sentrum til henholdsvis Åsane og Loddefjord. Prisanslaget fra Bergen sentrum til Åsane er foreløpig oppunder 3 mrd kr. I Oslo og Akershus er lokalpolitikerne enige om et tverrpolitisk forlik som sikrer at en stor andel av bompengene de neste ti årene går til kollektivtrafikk. Det er bra. Men til den kanskje viktigste kollektivsatsingen i hovedstadsregionen, ny t-banetunell gjennom Oslo, er det foreløpig kun satt av 500 mill. kr av en investering som er anslått til 10 mrd. kr. Dette viser litt av behovet. Høyre viser iblant til egne vedtak om å prioritere kollektivtrafikken i de fire største byene. Men forholdsvis like store økonomiske utfordringer med investeringer og drift av kollektivtrafikken, finnes også i våre nest største byer, som Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad og og fylkesting bør også for framtiden ha hovedansvar for kollektivtrafikken. De kjenner både utfordringene og løsningene lokalt best. Vi skal fra Stortingets side arbeide for at flere gjør som Trondheim, der de via satsingen på kollektivtrafikken og bilreduserende tiltak har fantastiske resultater med en mer klimavennlig transport.

dette trass i retorikken frå den same regjeringa om eit presserande behov for ei melding og tiltak for å få på plass utsleppsreduserande tiltak. Då ho endeleg kom, blei ho av mange vurdert som så lite forpliktande at alt ville avhenge av den budsjettmessige oppfølginga i åra framover. Detaljane i spelet rundt klimaforhandlingane skal eg gå raskt forbi, ein fiende enn å sørgje for at klimameldinga blei alles ven – så mykje for meir demokrati og meir openheit. Men folk flest er ikkje så lite oppvakte at dei oversåg det spelet som blei oss til del. Det viser tallause medieoppslag alt om, i lag med ein tom pressebenk i dag. Ved førre krossveg for klimaet i 2008 blei vi ikkje inviterte. Denne gongen måtte ein ta i bruk nærmast uheiderlege knep for å halde Framstegspartiet ute. Det såg alle som ville sjå det. Om målet var å etablere ein kile i det borgarlege samarbeidet, lukkast ikkje regjeringa Stoltenberg og SV med det. Eg er glad for alle dei tydelege meldingane som kjem frå borgarleg side om nettopp dette. Kva er det så med våre mange forslag til tiltak som ikkje er bra for klima og miljø? Innleiingsvis i våre forslag er vi opptekne av at ikkje symbolpolitikk skal erstatte gode og effektive tiltak – om nødvendig i utlandet – då det ikkje berre er eit nasjonalt problem vi skal handtere, men eit globalt. Derfor ber vi om at dei mest effektive tiltaka blir plasserte der dei gir best effekt. effekt. Er ikkje kost-nytte viktig for SV slik Framstegspartiet meiner det er? Tydelegvis ikkje. Men eg registrerer at SV meiner at det dei har, er kunnskapsbasert. Sjølvros skal ein lytte til, for det kjem frå hjartet, har eg høyrt. På same måten er Framstegspartiet oppteke av at vi ikkje jagar vår industri ut av landet gjennom såkalla karbonlekkasje, spesielt sidan vi har eksempel på dette gjennom etablering i og flytting av produksjonskapasitet dit. Spørsmålet er om ikkje fleirtalet er oppteke av denne problemstillinga slik Framstegspartiet er det. Framstegspartiet ber òg regjeringa byggje ut meir lønsam vasskraft og annan CO2-nøytal kraftproduksjon, f.eks. gjennom Vefsna-utbygging og auka satsing på opprusting av eksisterande vasskraftanlegg og evaluering av tidlegare verneplanar, med sikte på å auke produksjonen med nye tidsriktige teknologiar som ikkje er til skade for verneformålet. Ser ikkje fleirtalet at dette vil gi betydelege mengder utsleppsfri, fornybar energi til ein svært låg kostnad? Overføring av forvaltningsansvaret til kommunar for mini- og småkraftverk vil også kunne gi betydelege gevinstar, då det er desse lokale representantane som har nærleik til og sit med kompetanse om lokalmiljøa. Sist, men ikkje minst vil eg innom ein føresetnad for busetjing og utvikling av vårt velferdssamfunn i vårt langstrakte land. Det er satsing på og ønsket om å byggje effektive, sikre og miljøvenlege vegar landet over, og behovet for ei løysing er prekært. Det står ikkje i motsetnad til satsing på kollektivtrafikk i byar og tettstader. Men det er eit faktum at skal ein kunne bu utanom byane og tettstadene, må bilen få levelege vilkår både når det gjeld vegstandard og sikkerheit, og at ein må få moglegheit til å fornye bilparken, som vil gi lågare utslepp. Men då må vi seie ja til Framstegspartiets forslag om høgare vrakpant og lågare eingongsavgift på nyare bilar. Noreg kan ikkje lenger vedkjenne seg å ha Europas eldste bilpark med dei miljømessige og sikkerheitsmessige utfordringar som ligg i det. Så heilt til slutt nokre ord om globale utfordringar knytte til energi. Vi er alle kjende med at fattigdomsfella er knytt til tilgang på billig energi. Verdas fattige treng ny lågutsleppsenergi eller nullutsleppsenergi som dei kunne fått frå ressursane som ligg i thorium. Dette er ikkje eit nasjonalt behov, det veit vi. Noreg har nok av tilgang på energi, og gjennom våre enorme verdiar knytte til petroleumssektoren har vi eit moralsk ansvar for å forske fram nye energiformer, som f.eks. thoriumteknologi kunne ha vore. At u-land som India går i bresjen når det gjeld thoriumforsking gjennom bygging av thoriumanlegg for produksjon av straum, er eit paradoks. Som den energinasjonen vi er, og med dei enorme ressursane energien har gitt oss, burde vi kunne bruke nødvendige ressursar

hvert år opp en CO2-mengde som tilsvarer om lag halvparten av de samlede norske utslippene av klimagasser. Fra 1990 og fram til 2020 vil det årlige netto opptaket av CO2 i norske skoger øke med 12 millioner tonn. Dagens høye karbonopptak i skogen er et resultat av den jobben kloke forgjengere – generasjonene før oss – har gjort gjennom planting og aktivt skogbruk. Samtidig viser prognosene at dersom vi ikke setter i verk aktive tiltak, vil skogen ta opp mindre CO2 i framtiden. Derfor vil regjeringen følge rådet fra FNs klimapanel om å føre en aktiv og bærekraftig skogforvaltning. Nå skal vi følge opp og gjøre vår del av jobben. Også i framtiden skal skogen være et av Norges viktigste bidrag for å nå klimamålene. For å få til dette må vi ha innsats på en Det første som skal gjøres, er at skogarealet skal økes gjennom tilplanting av skog på nye områder. I Klimakur er det gjort beregninger av effekten av å øke skogarealet med 1 million og 5 millioner dekar i løpet av 50 år. Det vil gi et årlig meropptak på henholdsvis 2,2 og 8 millioner tonn CO2. Regjeringen skal legge fram en strategi for økt planting på nye arealer. Utarbeidelse av miljøkriterier vil være en viktig og naturlig del av denne strategien. Så skal vi øke karbonlageret i skogen gjennom en aktiv, bærekraftig skogpolitikk. En aktiv skogpolitikk bygger på flere ulike tiltak som må spille sammen. På områder hvor det har vært hugget, skal det plantes tettere etter Plantene vi skal bruke, skal være bedre tilpasset dagens og morgendagens klima. Derfor skal vi styrke innsatsen innen skogplanteforedling. Så vil vi gjeninnføre forbud mot hogst av ungskog. Det tredje er at regjeringen vil bedre incentivene for uttak av råstoff til bioenergi. Det skal legges særlig vekt på å ta ut mer hogstavfall som greiner og topper, også benevnt GROT. Mer enn halvparten av involverte bruk av bioenergi. Regjeringens mål om økt utbygging av inntil 14 TWh bioenergi innen 2020 ligger derfor fast. Landbruks- og matdepartementet har allerede en energiflisordning, som er et godt og målrettet tiltak for å øke uttaket av skogråstoff til bioenergi. Ordningen er blitt svært vellykket, og aktiviteten har nå blitt så høy at ordningen går tom for midler lenge før året er så høy at ordningen går tom for midler lenge før året er omme. Vi vil også utrede en ordning med frivillig klimatiltak i skog, der bl.a. muligheten for å lage samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering av klimaskoger skal utredes. Ideen bak dette forslaget er å fange opp en vilje eller et ønske flere har, til å bidra med klimatiltak på frivillig grunnlag. Det finnes allerede eksempler på at aktører – bl.a. i Nord-Trøndelag fylkeskommune – finansierer karbonopptak i skog gjennom skogplanting, som «betaling» for utslipp fra en bedrift eller utslipp knyttet til flyreiser. Så vil vi sikre mer bevisste valg av klimavennlige konstruksjonsmaterialer i byggsektoren, f.eks. trematerialer som kan gi mindre klimagassutslipp i en livsløpssammenheng enn andre tradisjonelle materialer. Trebasert innovasjonsprogram som finansieres av Landbruks- og matdepartementet og forvaltes av Innovasjon Norge, er i denne sammenhengen et viktig virkemiddel for å øke kompetansen på god

for å bidra til at vi får en skikkelig offensiv og god biogasstrategi i dette landet, til gunst for klimaet, men også for alle bøndene som har kyr og andre husdyr, og hvor man kan lempe litt på kravene i forhold til spredere – slå flere gode fluer i én smekk når det gjelder biogassatsing?

har allerede startet det arbeidet gjennom at vi i forbindelse med tilbudet når det gjaldt jordbruksavtalen, satte av penger til en pilotordning for bruk av biogass i landbruket. Siden statsråden snakket om skog og representanten Meling snakket om biogass, fortsetter jeg litt på biogass.

miljøvernministeren har ansvar for klima, olje- og energiministeren har ansvar for energi, kommunal- og regionalministeren har ansvar for avfall, og samferdselsministeren skal få lov til å bruke det. Men alle disse får plass rundt et bord, det kreves bare at de setter seg ned. Det er riktig som statsråden sa, at det er et kostbart tiltak. Det skal ut fra de forhandlingene landbruket har hatt, settes i forhandlingene landbruket har hatt, settes i verk en pilotordning. Men hva mer kan vi forvente oss fra denne regjeringens side? For det første vil jeg understreke, som jeg sa i mitt svar til forrige replikant, at det arbeidet var reflektert og jobbet grundig med i forbindelse med St.meld. nr. 39, behandlet i Stortinget i 2009. Og så må vi innse at det er et av de mer kostbare tiltakene, slik vi kjenner teknologien og mulighetene i dag. Jeg er veldig opptatt av at vi skal jobbe sammen med de ulike aktørene, som representanten her understreker, for på den måten å finne ut hvordan vi kan virkeliggjøre mulighetene til å ta i bruk både avfall fra husdyrsektoren og matavfall, og på den måten sørge for å få kostnadseffektive løsninger på biogass. Arbeidet skal starte ved at man bl.a. ser på en felles strategi som er nedfelt her i arbeidet med

del av det miljøet vi faktisk er med og kjemper for. Så spørsmålet mitt til statsråden er om han deler miljøvernministerens uttalelser og bemerkninger og Venstres meninger da vi skrev under dette forliket. Vi deler det synspunktet at vi skal utnytte skogen aktivt til klimatiltak. Det er nok litt ulike meninger i de ulike partiene når det gjelder hvilken måte en skal bruke skogen på i en slik sammenheng. Det tror jeg vi skal ta med oss, i og med at Venstre forrige gang de var med i regjering, var med og avviklet litt av den aktive skogpolitikken som vi har gjeninnført i ettertid. Når det gjelder bruken av gran, vil jeg si det slik at gran er en naturlig del av norsk natur. Den har vi hatt siden før istiden, og den vil vi selvsagt bruke framover. Det vi diskuterer, er i hvilken grad vi skal bruke utenlandske gransorter, i hvilken grad vi skal plante det i framtiden. Jeg tror vi i fellesskap skal finne gode løsninger på vi i fellesskap skal finne gode løsninger på det, slik som det er nedfelt i det nye forskriftsverket som er laget av Miljøverndepartementet, og som selvsagt støttes av oss. Vi vet at vi skal bruke gran i framtiden og samtidig ivareta

Nå sies det at kassen for 2012 allerede er tom. Hvordan synes statsråden at det rimer med den klimameldingen som det nå er enighet om, og hva har han tenkt til å gjøre med det? Det representanten Myraune antakelig mener, er energiflisordningen – ikke en ordning for produksjon av Energiflisordningen er viktig. Den ble innført for flere år siden, og vi har videreført den hvert eneste år. Det er riktig, som representanten Myraune understreker, at suksessen med denne ordningen er stor. Den gikk tom for penger i fjor, og prognosene nå er at det blir lite penger etter august og utover. Vi har tilført de midler vi så langt har hatt budsjetter til på den ordningen, og vi vil selvsagt i forbindelse med kommende budsjett vurdere hvordan vi skal styrke det også i framtiden. Jeg mener det arbeidet som er gjort, har vært en viktig bit Jeg må ta ytterligere et spørsmål når det gjelder biogass. Som statsråden, og for så vidt representanten Line Henriette Hjemdal, var inne på, er dette et område hvor flere departementer og statsråder har ansvar: Finansdepartementet har et ansvar, og Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og matdepartementet. Det som gjerne skjer i den type problemstillinger, er at ingen tar ballen og fører an med tanke på å kjempe gjennom en satsing. Mitt spørsmål og utfordring til landbruksministeren er: Vil han ta på seg den førerrollen og være kaptein for at vi får en skikkelig biogasstrategi, og at bønder rundt omkring i hele Norge får anledning til å som tilleggsnæring i forbindelse med driften av sine gårder? Som jeg har nevnt i tidligere innlegg her, er Landbruks- og matdepartementet det eneste departementet som har laget sin egen klimamelding. Det ble gjort i 2008–2009, og den ble behandlet i 2009. Der står det fast at regjeringen ønsker en satsing på biogass, satsing på biogass, og det var det viktigste tiltaket fra landbrukssiden i denne meldingen. Det er klart at når vi nå skal lage en strategi, må det involvere mange departementer, slik som klimaforliket legger opp til. Det er jeg helt enig i. Det er helt åpenbart at i og med at vi allerede for lenge siden har startet denne jobben og satt av noe penger gjennom tilbudet i jordbruksforhandlingene, vil jeg gjerne ta på meg om ikke en kapteinsrolle, så i alle fall en utfordrerrolle, for å sørge for at vi får resultater av det arbeidet. Det arbeidet er viktig, men det er også viktig at vi får kostnadseffektive og gode teknologiske løsninger. Replikkordskiftet er omme. Målet i denne meldingen om å få ned utslippene av klimagasser og skape ny teknologiutvikling viser Norges store ambisjoner på

over Fremskrittspartiets argumentasjon når vi hører på representanten Amundsen her i dag. Jeg må spørre: Hva er det som er så galt med å begrense utslippene selv om Fremskrittspartiet skulle ha rett i sine antakelser? God klimapolitikk skal også være god næringspolitikk, og også her må Norge være i fremste rekke. Vi ser mange eksempler på at miljøtiltak har skapt arbeidsplasser, ikke minst innenfor ivaretakelse av avfall og gjenvinning. Vi ser nå at næringslivet spiller meget godt på lag for å finne gode løsninger som er bra både for klimaet og for bedriftene. Kreativiteten er stor, og mange kloke hoder jobber intenst med å tilpasse næringslivet til nye og viktige miljøkrav. Dette har gitt gode resultater, og vil gi mange, mange flere. I Troms har vi et godt bevis på dette når det gjelder Finnfjord smelteverk i Lenvik kommune i Troms. Denne bedriften har selv tatt grep for å modernisere bedriften miljøriktig, men det som skjer ved denne bedriften, viser også hvor viktig det er med statlige, gode Det er heller ikke tvil om at vår samferdselssektor kan bli langt mer klimavennlig. Jeg ferdes mye på norske veier, særlig oppe i nord. Det som slår meg, er den enorme trafikkveksten av vogntog som har skjedd de siste årene. Fisk og andre viktige varer skal fort fram til markedet, og avstandene er både lange og kronglete. Jeg mener derfor at det er nødvendig å se på en jernbaneutbygging også i nord som et klima- og miljøprosjekt, og et viktig næringsprosjekt for å innfri den satsingen som nå skjer på nordområdene. Slik varetransport vil bare øke i årene som hvis vi skal få det slik vi gjerne ønsker. Vi må også ha mer gods over fra vei til sjø, men dette betinger en enda bedre infrastruktur også på havet, i form av havner og farleder. Et slikt viktig tiltak langs norskekysten er Stad skipstunnel. De fleste som har reist på havet og langs den norske kysten, kjenner Stadhavet. En realisering av denne tunnelen er et meget viktig tiltak for hele landet og er utvilsomt både et miljøprosjekt, et næringsprosjekt og et prosjekt for sikkerhet på havet. Vi skal selvfølgelig også være opptatt av å begrense biltrafikken i byene, men vi må ikke ofre distriktene i klimakampens navn. Klimatiltak som svekker bosettingen og næringslivet i distriktene, vil være svært dårlig miljøpolitikk. I distriktene er det begrensede muligheter for å øke kapasiteten på kollektivtrafikken. Dette vet alle vi som er engasjert i distriktspolitikk og bor i slike bygder. Dette må også være med i og det må vurderes ordninger hvor det f.eks. kan være differensierte løsninger mellom by og land når det gjelder avgifter og restriksjoner på bruk av privatbil. Privatbil og taxi er distriktenes viktigste kollektivtilbud, og befolkningen her må ikke bli straffet fordi de ikke
Da er neste taler

Når det er sagt, vil jeg også uttrykke stolthet over petroleumsnæringen vår og de grep som den har gjort for å få ned klimagassutslippene på norsk sokkel, som gjør at de i dag ligger langt under det som er snittet globalt. Norge har gode forutsetninger for å bidra i arbeidet med å bekjempe globale klimaendringer. Vi har teknologi, vi har sterke kompetansemiljøer, og vi har kapital til faktisk å kunne gjøre en forskjell. Utfordringene er store, og vi trenger teknologiske kvantesprang for å realisere det lavutslippssamfunnet som vi ønsker. Vi, som del av den rike verden, trenger å vise utviklingsland at det er mulig å kombinere høy levestandard med lave utslipp, pluss betydningen av å få ned kostnadene ved å kunne rigge seg til for å bli et lavutslippsland. lavutslippsland. Ved dette blir trusselen med hensyn til klimagassutslippene også et mulighetsbilde for norsk industri. Nøkkelen til å lykkes ligger mye innenfor utvikling av teknologi. Et av de store grepene som gjøres i forbindelse med klimameldingen, er opprettelsen av et klimateknologifond, som skal være fullfinansiert i 2016. Det er en viktig del av tiltakene for å møte klimautfordringene på en offensiv måte, nemlig ved å gi tilskudd til både utvikling, testing og implementering av nye og umodne teknologier og støtte til mer modne teknologier, f.eks. tilskudd til etablering eller implementering av produksjon. Høyre hadde ønsket mer avkastning av dette fondet og er for så vidt fornøyd med at avkastningsregimet ikke er bindende, fordi dette betyr at et annet flertall i 2013 har mulighet til å gjøre avkastningen større. Norsk industri mener bl.a. at det er miljøteknologiprosjekter tilsvarende det dobbelte av beløpet som nå ligger i opplegget, og dette viser med all tydelighet at potensialet innenfor teknologiutvikling og implementering er større enn det som regjeringen legger opp til å kunne utnytte. utnytte. Jeg tør minne regjeringspartiene på at Forskningsfondet nylig ble nedlagt, nettopp på grunn av at avkastningen fra fondet var for dårlig. Ti års rente på statsobligasjoner er nå på under 2 pst. Jeg vil også påpeke at prosessen i forbindelse med behandlingen av klimameldingen viser at de fire borgerlige partiene kan snakke sammen på en god måte, også når det gjelder og at Fremskrittspartiet har vært villig til å fravike deler av sine primærstandpunkt. Dette er bra. Det er synd at regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, ikke har ønsket en tverrpolitisk enighet som også inkluderer Fremskrittspartiet. Dette er åpenbart et spill. Dette er andre gang opposisjonen redder regjeringens klimapolitikk. Vi måtte stramme og måtte gjøre det samme på ny nå, i 2012. Komitébehandlingen har bidratt til å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende på viktige områder, og det er vi fra Høyres side godt fornøyd med. Flertallsinnstillingen er et resultat av enighet mellom seks av partiene her på Stortinget. Jeg synes det er beklagelig at regjeringspartiene ikke ønsket å føre samtaler med alle partiene på Stortinget. Opposisjonspartiene forhandlet som en blokk. blokk. Det var derfor ingen grunn til å holde ett av partiene utenfor videre samtaler, ikke minst fordi de kravene som lå til grunn for forliket, faktisk var utarbeidet av alle de fire opposisjonspartiene samlet. Da burde alle partiene fått forhandle om dem også. Jeg er glad for at denne prosessen på mange måter har brakt de borgerlige partiene sterkere sammen også i disse spørsmålene, men jeg synes det er synd at regjeringspartiene falt for fristelsen å gjøre et spill ut av det som det burde vært fokusert på: tiltak og reell politikk – og en størst

ikkje auka. Dette målet vart sett på som lite realistisk frå nokre hald og stempla som altfor krevjande. Eg er svært fornøgd med dei måla som no er sette for 2020, og for å kunna melda: Vi er godt i rute, målet blir nådd. For det fyrste: Regjeringa har redusert utsleppa frå nye bilar – over fem år – med 30 pst. gjennom omlegging av avgiftene. Frå å vera ein versting i Europa er vi no mellom dei beste i klassen. For det andre: Vi etablerte Transnova. Det er ein svært viktig reiskap. Vi har investert i infrastruktur i heile landet,

med restriktive tiltak overfor biltrafikken. Det betyr både betre helse, betre miljø og betre framkomelegheit i byområda våre. Trondheim står der i ei særstilling. Dei har gjennom sine tiltak og med sin avtale klart å gå ned 10 pst. når det gjeld biltrafikk, og opp

på plass. Det er eit veldig godt grunnlag for ein offensiv klimapolitikk i åra som kjem. Regjeringa seier i meldinga at veksten i folketalet kjem i storbyområda, og at transportutfordringane må takast via kollektivtransport, sykling og gåing. Då kan eg melda at regjeringa har rusta opp jernbanen. for et nytt lyft. Det var ikkje situasjonen i 2005. Investeringane er tredobla, vedlikehaldet er styrkt med 70 pst., det er eit kompetanselyft i jernbaneverket, og vi har no på plass ei utgreiing for intercity på Austlandet som skal gje oss moglegheit til å koma tilbake med ei tidfesting i Nasjonal transportplan. Så bad vi etatane gjennom NTP-arbeidet om å koma med råd og forslag til korleis staten kan styrkja si medfinansiering inn i byområda. Råd har vi fått. Vi har òg føreslått å dobla innsatsen for sykkel framover. Det er jo samfunnsøkonomisk svært lønnsamt. Lat meg seia: Det at Transnova blir permanent, gjev òg nye moglegheiter for å satsa på nullutsleppsbilar. Eg er glad for det som no kjem fram i forliket, altså at dei ulike ordningane her ligg fast til Så skal vi redusera utsleppet for nye bilar med 35 pst. Det betyr ytterlegare endring i miljøvenleg retning for avgiftene. Lat meg seia til slutt: Eg er svært glad for at transport i så stor grad blir lyfta fram. Eit breitt fleirtal i Stortinget står bak. Eg er klar til

replikkordskifte. Statsråden sa hun var glad for å være samferdselsminister. Jeg har lyst til å si: Stakkars vanlige folk som er avhengige av bilen, for det er ikke tvil om at det er bilistene som skal ta mye av det samferdselsministeren er glad for, gjennom restriktive tiltak, rushtidsavgift, veiprising, bompenger og andre trafikkreduserende tiltak. tiltak. I forbindelse med forhandlingene fremmet Fremskrittspartiet forslag om at dette i hvert fall ikke måtte gå på bekostning av veiene i resten av landet, når man skulle ha en massiv kollektivsatsing som alle er enige om. Er det ikke da litt flaut å være samferdselsminister og representere et parti som sier at de ønsker å ta hele landet i bruk, når konsekvensene er at det er resten av landet som vil få mindre og dårligere veier, ikke bedre veier, fordi Senterpartiet ikke ønsker å være en del av et bredt forlik hvor altså Fremskrittspartiet kunne vært med og

Så vil eg leggja til at vi har òg ei unik moglegheit til å gje fleire høve til å bu utanfor dei største byområda våre. Det ville jo vera ein stor fordel, både for dei som i dag buset seg for dei som i dag buset seg i dei største pressområda, og for resten av landet. Men ein styrkt samferdselspolitikk blir det over heile landet i år. Ja, jeg hører hva statsråden sier, men jeg har også registrert at representanter for regjeringspartiene har sagt at ja, den satsingen man ønsker å gjøre på kollektiv, vil gå veibevilgningene. Det betyr jo ikke at det er sånn som statsråden sier, at man skal satse på å bygge veier i hele landet. Problemet er at vi har et veinett som råtner på rot stort sett over hele landet. Hvordan skal statsråden klare det? Er det klimaforliket som er det viktige, eller er det handlingsregelen som er det som betyr noe for denne regjeringen – og ikke minst for statsråden? Konsekvensene nå er at vi har fått et mye på veinettet enn det man hadde før den rød-grønne regjeringen overtok – kanskje fordi man har gjort noe med beregningsmodellene. Men det er ikke tvil om at det aldri har vært større forfall på veinettet enn det det er nå, med bakgrunn i de tallene som er lagt fram i forbindelse med Nasjonal transportplan, som kom i februar måned. Som Hoksrud vil vera vel kjend med, har regjeringa år for år auka løyvingane både til veg og bane. Det kjem vi til å fortsetja med. Den store debatten om det

med vegar, særleg i dei områda der det ikkje går bane, men for det andre er ei solid understreking av det krafttaket som framleis må takast i dei største byområda. Heldigvis ser vi resultat allereie, men vi skal forsterka innsatsen i åra framover for kollektivtransport og sykkel- og gangveg i

og ikke minst hvordan vi skal komme dit. Mye av ansvaret for å følge opp dette videre ligger på oss som steller med transportpolitikk, og ikke minst samferdselsministeren. Et av tiltakene er intercityforbindelse på jernbane, som er usedvanlig viktig. Denne statsråden har signalisert store ambisjoner og omtaler det som rask utbygging, men hun omtaler ikke organiseringen. Hvordan vil hun organisere seg for å kunne foreta en rask utbygging i det tempoet hun har skissert? Eg trudde at representanten Halleraker utvilsamt skulle bli svært glad når eg no brukte mine to fyrste minutt til å referera kva vi har fått til denne perioden gjennom eit breitt klimaforlik, og så korleis vi no skal få til vegen vidare. For det var ikkje utan vidare avklart at vi kunne nå så langt i 2012 som vi har kome akkurat på transportsektoren. Så til vegen vidare – eller banen vidare, må eg seia. Ja, det er viktig med rask utbygging. Det gjeld både veg og bane, i dette tilfellet er det bane. Då må vi organisera fornuftig, vi må tilføra meir pengar, vi må planleggja raskare, og vi må òg byggja ut smartare. Vi ser på ulike typar organisering for veg og bane. Eg skal koma tilbake til det

som er både gode samferdselsløsninger og gode klima- og miljøløsninger. I klimameldingen sier regjeringen at befolkningsveksten i det sentrale østlandsområdet «skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Jeg er glad for samferdselsministerens offensive uttalelser til VG intercitytog: « innen 2025 så har vi som klar målsetting at Intercity-løsninger skal være på plass», med et vedtak som skal fattes i denne sal til neste vår. Da har vi «12 år på å prosjektere og bygge», sier statsråden. VG er en viktig avis, men Stortingets talerstol er enda viktigere. Kan statsråden gjenta sitt budskap til VG-leserne, fra denne talerstol?

for å få intercitytog til Halden og Skien og Lillehammer på plass i 2025. Det er difor eg seier i dag at det som var det viktige for meg, var tidfesting. Det er framleis det aller viktigaste. Så skal ulike prosjekt setjast opp mot kvarandre både i regjeringa og i Stortinget våren 2013.

i forhold til de forslagene hun skal legge på bordet? På eitt minutt trur eg ikkje at eg kan svara på det fullt ut, men lat meg berre seia: For det fyrste skal alle formuleringar som gjeld statleg medverknad, arealomsyn og òg miljø- og klimaomsyn, forsterkast. Det er det eine. Så har eg allereie gjort avtale med miljøvernministeren om at vi etter denne debatten og etter dette forliket, som han har vore endå meir på innsida av

den oppvoksende generasjon, som skal overta kloden etter oss, fortjener en forutsigbar, ansvarlig og ambisiøs klimapolitikk. Det krever langsiktighet i politikken. Derfor er det veldig bra at det nå er seks partier som står sammen om klimapolitikken for årene framover. Klimaforlikspartnerne fra 2008 har tatt et stort steg videre, og det vil jeg rose og takke alle våre fem forhandlingspartnere for på tvers av den politiske skalaen. Så vil jeg legge til Så vil jeg legge til at for Arbeiderpartiet er inngangen til disse spørsmålene at det både er mulig og helt nødvendig å kombinere ansvar for klimaet med hensynet til å trygge norske arbeidsplasser for tiårene som kommer. For Arbeiderpartiet går derfor god klimapolitikk og god næringspolitikk hånd i hånd. Det handler for det første om det vi nå har fått til, om å sikre forutsigbarhet i For det andre handler det om at forurenser skal betale, og at det slik sett skal lønne seg å kutte i utslipp. For det at norsk næringsliv, som er svært omstillingsdyktig, også skal klare å ta de omstillingene som klimakutt og klimaendringene krever. Det følger også klimameldingen og forliket opp med det teknologifondet der fellesskapet er med på

men også til å bidra med løsninger. Vi løser ikke klimaproblemet alene i Norge, men med det stortingsflertallet vil vedta i dag, gir vi et riktig og viktig

Jeg vet at det bare er i overkant av 6 000 biler som er registrert nå, men i dag så vi noen fantastiske nye biler som gjør at det faktisk kan være interessant for mange flere å gå til innkjøp av en elbil. Jeg synes det er dumt at det mest konkrete man klarer her, er maks 50 000, så skal vi vurdere hva vi gjør videre. Det burde i hvert fall vært 100 000, som Elbilforeningen sto på utsiden her og utfordret oss på i dag. Det er bra at man ønsker mer miljøvennlig drivstoff. Ja, det var vel derfor man fritaket på biodrivstoff, eller derfor man innførte mineraloljeavgift på GTL, som ikke er noen mineralolje, fordi man er opptatt av å gjøre noe med klimaet og utfordringene når det gjelder klima. Jeg begynner faktisk å lure. Når jeg ser alle forslagene som ligger her, er det veldig mye god jul og gode ønsker, men veldig lite konkret. Fremskrittspartiet er opptatt av å bygge ut

På samme måte sier man det når det gjelder andre kollektivområder, man skal se på hvordan man skal øke kollektivandelen i de store byene. Det skal være en plan, vi skal komme tilbake til det. Hvis man hadde hatt en skikkelig klimamelding med noe man virkelig ville, hadde det jo vært konkrete mål. I dag hadde vi et seminar med anleggsbransjen innenfor vei og jernbane. De sier: Kan dere ikke være tøffe og si at til da skal det være ferdig, så leverer vi det – ikke dårlige formuleringer som ikke er forpliktende? Innenfor transportsektoren er det masse godord, og jeg har hørt mange lovord i dag, som sagt. Men jeg har sett utrolig lite konkret i det som ligger i klimameldingen. Fremskrittspartiet kunne vært med på masse av det som ligger der, men på grunn av at noen ønsker et politisk spill, valgte man istedenfor å få til en full løsning med alle partiene, å ønske en konflikt.

satte oss mer ambisiøse mål i klimapolitikken. Klimameldingen skulle gi oss svarene på hvordan en skulle nå disse målene. Derfor har Høyre vært utålmodig med hensyn til regjeringens gjentatte utsettelser av denne meldingen. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere er det å nå målene fra klimaforliket. Regjeringspartienes krav om at Fremskrittspartiet ikke skulle ses ved forhandlingsbordet, satte mulighetene for et bredt forlik i fare. Men for Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre var det imidlertid viktigere å få til resultater enn å fortsette spillet. Men ikke resultater for enhver pris. Vi forhandlet med utgangspunkt i de kravene som vi også var blitt enige med om. Derfor vil også flertallet av forslagene i dag bli vedtatt enstemmig. Man kan på mange måter si at denne prosessen ikke bare bidro til en bedre klimamelding, men den bidro også til et bedre klima-klima mellom de ikke-sosialistiske partiene. Vi mente at regjeringen hadde brukt for lang tid på arbeidet med å få ferdig meldingen, og var derfor i forhandlingene spesielt opptatt av å få til flere forpliktende tiltak og penger allerede i 2013. Hadde vi ikke fått til dette, ville mye av behovet for et forlik vært borte. Etter 2013 vil vi uansett arbeide for at flertallet har en enda mer ambisiøs politikk. Fra forliket vil jeg spesielt trekke fram en styrket og bedre belønningsordning for kollektivtransport i storbyene, det at man allerede i 2013 får konkrete tiltak i arbeidet med å fase ut oljefyring rundt omkring i landet, både i private hus og i offentlige hus, og ikke minst vil jeg trekke fram et styrket miljøteknologifond. Om dette siste er det uenighet om hvordan avkastningen av fondet skal settes. Fra Høyres side vil vi jobbe for at man kan få en større avkastning, slik at man raskere kan større avkastning, slik at man raskere kan innfase større beløp når det gjelder å utvikle ny, miljøvennlig teknologi. Norge har det beste utgangspunktet for å være et foregangsland på dette området, hvis man legger en mer ambisiøs politikk til grunn. Det er en fare for at det blir en floskel når taler

alle våre andre viktige politiske mål. Det gjelder det som er knyttet til å begrense krig og konflikt, det som er knyttet til å sørge for mat og vann til alle, og det gjelder det som er knyttet til å sørge for at vi unngår store, ufrivillige folkeforflytninger i verden. Det vil også bestemme hvilke rammebetingelser vi får, når det gjelder å utvikle vårt velferdssamfunn videre. som vi får i dag, er et nytt gulv i norsk klimapolitikk. En ny felles plattform som vi skal bygge klimapolitikken videre fra, får et bredt flertall i denne sal. I den klimameldingen som ligger til grunn for forliket, er det betydelig gjennomslag for en måte å tenke klimapolitikk på som SV har stått for i lang tid. Det er knyttet til behovet for gjennomføring av tiltak – sektor for sektor – og en erkjennelse av at vi også må ha tiltak i de sektorene som er omfattet av kvotesystemer. Det er en erkjennelse av at vi ikke kan bidra til å løse klimaproblemene bare gjennom kvotehandel ute i verden. Vi må også ta grep som monner hjemme i Norge. Det som også gjennomsyrer klimameldingen, er en klar forståelse av at det også er et bidrag til egen, framtidig velferd og velstand. Det er gjennom å være tidlig ute i den omstillingen som verden må gjennom, at Norge kan sørge for at vi har et konkurransedyktig næringsliv, at vi utvikler framtidens arbeidsplasser, og at vi skaper et samfunn som blir bedre og ikke verre å leve i, for oss alle. Lavutslippssamfunnet blir et fantastisk samfunn. Vi må bort fra en debatt som tegner et bilde av at det å redusere utslippene av klimagasser først og fremst handler om ofre og forsakelser. Det handler i stedet om å skape det vi skal leve av i morgen, det handler om økt framkommelighet, det handler om bedre biler og hus, det handler om nye arbeidsplasser, ny industri, innovasjon og ny teknologi. Fantastiske muligheter for de samfunnene som vet å gripe Jeg har lyst til å takke opposisjonen – tre av fire partier – for at de har bidratt konstruktivt til konkretisering på en del viktige punkter av det som har blitt lagt fram i klimameldingen. Det gir oss en forutsigbarhet for at dette gulvet skal vi bygge videre på. Det vi vedtar i dag, er ikke noe tak for klimapolitikken og dermed heller ikke noe sluttpunkt for klimadebatten. Nå må på den politiske viljen og motet som skal til for å virkeliggjøre det som vi ble enige om i dag, og trekke det enda lenger, slik at vi når målene. Det er

viktige saker, samlar me oss nettopp i breie forlik. Det gjeld om det er spørsmål om skatt og nye skattesystem. Det gjeld om det er saker som handlar om eit nytt pensjonssystem. Det gjeld i spørsmål om å skilje stat og kyrkje, og det gjeld i spørsmål som gjeld klima. Denne gongen har me bidrege til å få både betre og meir ambisiøse tiltak. Det er eg veldig glad for. Det som har vore viktig no, er at me har fått føreseielegheit. Det er mange som har nemnt elbilane. Det er òg fleire som har nemnt at me no har teke dei første stega mot ei klimalov, etter inspirasjon frå Storbritannia. Det eg har lyst til å nemne, er det at me no også får staten til å bidra når gjeld bybanar og store kollektivtiltak innafor byane våre. Det store kollektivtiltak innafor byane våre. Det treng me, for i dag har me eit stort paradoks, nemleg at me har store bypakkar som er konstruerte slik at viss me lukkast med det som er tanken, og får fleire til å reise kollektivt, forsvinn finansieringa under bypakkane. Lukkast me ved at fleire reiser da i den situasjonen at finansieringa forsvinn under den konstruksjonen. Derfor har me gjort både gode og viktige tiltak. Eg må òg få seie noko om prosessen. Regjeringspartia valde å forhandle i komité. Der er Framstegspartiet, der er ikkje Venstre, som bl.a. var partnar i forliket i 2008. Men eg er var partnar i forliket i 2008. Men eg er veldig glad for at sjølv om dei forhandlingane braut saman, kom regjeringspartia tilbake og tok nytt initiativ. Kristeleg Folkeparti hadde òg vore open for at Framstegspartiet skulle vore med i dei forhandlingane, sjølv om eg under innlegget til Per-Willy Amundsen i dag tenkte at ein måtte ha vore sterk i trua for å tru at det skulle ført fram. Men det er jo

Industrien tok utfordringane og satsa på teknologi. Det førte til at dei styrkte konkurranseevna si, og det førte til at dei utvikla ein teknologi som blei ei eksportvare. Vi hadde knapt hatt ein prosessindustri i Noreg i dag dersom vi ikkje hadde hatt ein offensiv miljøpolitikk på 1980-talet. Så allereie då styrkte ein god klimapolitikk

overoppfylt målet med å redusere NOX-utsleppa. Samtidig har vi styrkt konkurransekrafta i fiskeria og på fraktefartøya. Det er, ikkje minst, fleire verft på Sørlandet og Vestlandet som produserer miljøteknologi, som er ein ny marknad som dei kan gå inn på. Det bringar meg til at miljøteknologi er ein sterkt veksande Viss du les utgreiinga frå FN, vil du sjå at miljøteknologi er ein av dei sterkast veksande internasjonale marknadene. Då eg kom på Stortinget, var ein av dei tinga eg jobba sterkt for å få på plass, miljøteknologiordninga i Innovasjon Norge, som er ei av dei ordningane eg får mest skryt for når eg reiser til forskjellige bedrifter. inn i ein framtidsretta marknad, nemleg marknaden for fornybar energi og ulike former for reinseteknologi. Med det som no skjer i klimameldinga, med klimatiltaksfondet, lyftar vi satsinga på miljøteknologi, og dermed på samarbeidet mellom klima og industri, til eit nytt nivå. Vi får tre positive effektar: Vi Vi får redusert CO2-utsleppa, vi får styrkt konkurranseevna til industrien, og vi får utvikla produkt som gjer at vi kan redusere CO2-utsleppa i andre land, langt meir enn vi gjer heime, fordi Noreg er eit høgteknologiland, som kan utvikle teknologi det vil ta lang tid å utvikle i land med dårlegare teknologibase. Difor har vi eit kinderegg, CO2-reduksjon i Noreg, styrkt industri Presidenten ber om at de som har ordet, holder seg innenfor den tilmålte taletiden. Det er

Det er bra at et flertall understreker at dersom verden skal lykkes med å redusere de globale utslippene av klimagasser de neste ti årene, er det avgjørende at det utvikles nye teknologiske løsninger. Det er viktig å understreke at en offensiv nasjonal klimapolitikk må utformes slik at den også blir god næringspolitikk. Klimapolitikken bør bidra til å videreutvikle og omstille vårt næringsliv i klimavennlig retning, og slik at det blir enda mer konkurransedyktig. Teknologiutviklingen står her helt sentralt. Det er også viktig at man også har understreket betydningen av å hindre såkalt karbonlekkasje. At industriproduksjonen flytter til andre deler av verden, med mindre omfattende klimakrav av særnorske betingelser eller, rettere sagt, særnorske rammebetingelser, må ikke skje. Norsk industri er på mange områder den mest miljøvennlige i verden, og det vil være svært uheldig for det globale klimaet dersom norsk industriproduksjon flyttes til land med mindre eller dårligere klimapolitikk. Det er også bra at norske bedrifter, forskningsmiljøer og organisasjoner har kompetanse og kunnskap til å utgjøre en forskjell på framtidens klima. Norge er privilegert og har økonomisk mulighet til å satse sterkt på dette. Men det krever samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljøer, og, ikke minst, politiske myndigheter. Dette er et godt forlik for et bedre klima. At rikdommen vår i tillegg i stor grad kom fra produksjon av fossil energi, gjør ikke dette ansvaret noe mindre. Vi vil ha en nasjonal satsing på klimateknologi. Det lover godt for industriutviklingen i dette landet og for framtiden. Til slutt vil jeg si meg enig med representanten Bendiks H. Arnesen i at når man snakker om det vi står overfor av samferdselsutfordringer i dette landet, er jeg ikke det minste i tvil om at Stad skipstunnel er et godt miljøprosjekt. miljøprosjekt. Jeg er heller ikke det minste i tvil om at vi også må utvikle de jernbanestrekningene vi har, og her tenker jeg spesielt på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Så får vi også se framtiden i møte i en nordområdesatsing, for å se på muligheten for å utvikle jernbane videre. Etter mykje fram og tilbake klarte regjeringa endeleg å leggje fram ei klimamelding. Det er

Det var direkte pinleg å høyre parlamentarisk leiar Helga Pedersen frå Arbeiderpartiet på TV 2 etter at klimameldinga var lagd fram av energi- og miljøkomiteen, og hennar forsøk på å forklare kvifor regjeringspartia ikkje ville ha med Framstegspartiet i forhandlingane. Det var tynt, for å seie det mildt. Framstegspartiet har vore ryddig i komitéhandsaminga og hadde fortent langt større respekt frå regjeringspartia si side. Det er verdt å merke seg at dei fire borgarlege partia stod saman om felles krav til regjeringa om ein langt meir ambisiøs klimapolitikk enn det regjeringspartia klarte å leggje fram sjølve. Det er også svært gledeleg å sjå at ein på borgarleg side kan ha ein sakleg og god diskusjon om viktige klimatiltak. Det lovar godt for framtida. Det er mange viktige tema i klimameldinga. Fleirtalet i komiteen viser til at transportsektoren er den største utsleppssektoren som i hovudsak er utanfor kvotesystemet, og at denne sektoren har størst potensial for innanlandske kutt av klimagassar. Eit viktig tiltak for å oppnå dette er å få ein større del av godstransporten over frå veg til bane og sjøtransport. Dette er viktige signal til dei som jobbar for betre tilhøve for nærskipsflåten. Trygge farleier og betre rammevilkår er viktige verkemiddel, og som representanten Arnesen viste til, er Stad skipstunnel eit viktig prosjekt for å nå ei slik Eit anna tema som også er vist til i meldinga, er landstraum for cruisebåtar og ferjer. Dette vil vere viktige tiltak både for å redusere klimagassutsleppa og ikkje minst for å redusere forureinande utslepp. I dei vakre fjordane på Vestlandet er det stor trafikk av cruiseskip. Når det ligg tre–fire store båtar på same tid i ein trong fjord, seier det seg sjølv at ein også merkar det på luftkvaliteten. Det er no godkjent framlegg til ny standard for høgspent landstraumtilkopling av skip i hamn, bl.a. for cruiseskip. Color Line har allereie sett i drift eit slikt anlegg i Oslo. Det er fleire som no tek initiativ til pilotprosjekt i Noreg, og som vil søke om statleg støtte gjennom Transnova. Dette er bra for klimaet, og det er bra for dei som bur på dei flotte reisemåla vi har i mange av fjordane våre.
Da er neste taler
våre. Sjøl om det er delvis overlappende synspunkter mellom Høyre og Fremskrittspartiet, står Fremskrittspartiet fortsatt i en særklasse blant partiene i Norge når det gjelder klimapolitikk. Det hadde rett og slett ikke vært mulig å få til enighet på den tida vi hadde, om Fremskrittspartiet hadde vært med. Det tror jeg bekreftes når vi ser på merknadene og hører på Fremskrittspartiets representanter her i dag. Fremskrittspartiet er spesielle ved at de ennå ikke har akseptert allmenn kunnskap om At det er diskusjon om forskningsstatus i flere land, betyr jo ikke at det er vesentlig uenighet om at klimaendringene er menneskeskapte. I europeisk sammenheng utmerker Norge seg dessverre ved at vi har mange klimaskeptikere, og at vi har et parti av en slik størrelse som Fremskrittspartiet, som forfekter slike klimaskeptiske synspunkter. Den kjente klimafornekter og sveiseprofessor Goldberg i Sverige sier jo også at han har ett parti i Norden som han kan stole på, og det er Fremskrittspartiet. Så kan man si, som Fremskrittspartiet gjør, at man kan jo tro på hva man vil, man kan tro på hekser; det er ikke så farlig, bare man er med på de riktige tiltakene. Men nå er det jo sånn at ikke bare fornekter Fremskrittspartiet årsakene, de er heller ikke med på målene når det gjelder kutt, og de er heller ikke med på det grunnleggende prinsippet om at forurenser skal betale. De sier det sånn at de er mer for gulrot enn pisk. I markedsøkonomien snakker man om konkurranseforhold. Skal man selge en vare, kan man ikke sette ned prisen både på den varen man vil ha solgt, og på den varen man vil at folk skal slutte å kjøpe. Men det er det Fremskrittspartiet gjør. Neste år får vi en krevende situasjon med prioritering av midler på samferdselsområdet. Klimameldinga sa at i NTP skal vi få en og flertallet forutsetter at det skal skje raskt. Men vi kan ikke både bygge tog og motorveier i sentrale strøk. Vi kan ikke bygge ut infrastruktur med bybaner og kollektivtrafikk og samtidig legge til rette for økt bilvekst. Det vil bli for krevende økonomisk, men det viktigste er at det vil slå i hjel målet om at vekst i trafikk i byområdene skal tas med kollektivtrafikk eller økning i gående og syklende. Derfor er jeg veldig glad for at det nå er et tydelig flertall for å bruke bilavgiftene for å dempe det totale transportarbeidet, vri transport fra bilisme til kollektivtrafikk, fortsatt ha en belønningsordning basert på bilreduserende tiltak, samtidig som avgiftene fortsatt skal brukes til å fremme en mer utslippsgjerrig bilpark og mer miljøvennlig drivstoff.
Da er neste taler

I SV er vi svært fornøyd med det som ble regjeringens forslag til klimamelding. Vi var med og laget den, og vi er særdeles godt fornøyd med at det har blitt et bredt forlik her i Stortinget. Det betyr at den klimapolitikken som i dag blir vedtatt, skal gjennomføres uavhengig av framtidige stortingsflertall. Jeg skal kort kommentere noe av det som står i meldingen om transportsektoren. Utslippene fra sektoren utgjør 32 pst. av de Her må det tas et krafttak i årene som kommer. Meldingen gir også klare føringer om tiltak. Hovedfokuset rettes mot styrking av kollektivtransporten i storbyene og mer jernbane. Her er det bred enighet. Jeg vil legge til at det i årene som kommer, også vil være viktig å fokusere på kollektivtransporten utenfor storbyene, kanskje med hovedfokus på å gjøre selve transportsektoren mer klimavennlig, overgang til lavutslipp. Vi snakker om hurtigbåter, ferger og buss – og ta gjerne med Hurtigruten. Hurtigbåtene som går langs hele Norskekysten, slipper ut nesten like mye klimagasser som fly. Vi trenger derfor i framtiden en incentivordning som stimulerer fylkeskommunene og kollektivselskapene til raskt å gå over til lavutslippsmotorer Jeg understreker dette, for erfaringen fra mitt eget hjemfylke – Nordland, et av de store kollektivfylkene – er at fordi det ble for dyrt, måtte en velge bort de mest miljøvennlige alternativene i siste anbudsrunde for ferger. Det sprengte de økonomiske rammene. Sånn kan det ikke være i framtiden. Det vil nemlig ikke la seg å få dette til innenfor de ordinære rammene i kommunesektoren. Vi vil trenge en egen incentivordning nettopp for dette. Så jeg vil oppfordre samferdselsministeren og miljøvernministeren til å følge det opp i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan, som kommer neste år. Selv om det har vært sagt før, tror jeg man tåler at det sies igjen: Denne saken er år. Selv om det har vært sagt før, tror jeg man tåler at det sies igjen: Denne saken er kanskje den viktigste vi behandler i Stortinget i denne sesjonen. Siden jeg ikke har deltatt direkte i forhandlingene, tror jeg at jeg kan tillate meg å skryte av det man her har fått til. Et forlik som dette forplikter. Vi skal ikke bare bygge videre på klimapolitikken, men dette blir også viktig for den transportpolitikken vi skal føre. Transportpolitikkens rolle er åpenbar. Det er her vi kan gjøre tydelige og konkrete grep. Kollektivtransportområdet er et slikt politikkområde. Vi i Høyre la for ett år siden fram vår egen kollektivtransportplan, og jeg er veldig glad for at veldig mange av de tiltakene vi der gikk inn for, nå har fått en plass i det jeg vil kalle et forpliktende klima- og kollektivforlik. For at ikke storbyene skal kveles av stadig lengre køer på veiene, trengs det nye løsninger. Det tror jeg de aller, aller fleste nå ser. ser. Dette er løsninger som kommer til å koste. Derfor ville vi doble incitamentsordningen – kalt belønningsordningen – for kollektivtrafikken. Det skjer nå. Nå er målsettingen å få den opp i 1 mrd. kr. Vi tok til orde for at staten måtte forplikte seg på 50 pst. av investeringer i nye bybaner og superbusstraseer. Det er også en del av målsettingen i dette forliket – i alle fall prinsipielt. Dette er framtidsrettet. All vekst i persontransport må komme på kollektivfeltet. Men vi må også tenke nytt, tenke smartere og utvikle modeller som gjør at vi kan virkeliggjøre målene i klimaforliket. Det gjelder organisering, men ikke minst gjelder det finansieringsmodeller. Ambisjonene som ligger i forliket, harmonerer ikke med Meltveit Kleppas svar her i dag om hvordan målene skal nås. Derfor er jeg skuffet over at verken representanten Hjemdal eller jeg fikk svar på hvordan hun skal virkeliggjøre sine uttalte ambisjoner om intercityforbindelsene og andre jernbaneforbindelser raskt. Vi har svaret på dette. Vi må ha prosjektorganiseringsmodeller, kall det gjerne prosjektfinansiering. Vi ønsker også et innslag av Offentlig Privat Samarbeid – OPS – i de modellene. Vi tror det er en framtidsrettet løsning som gjør at vi kan frikoble disse store prosjektene fra de årlige budsjettdiskusjonene her i Stortinget, og realisere dem etter en Avinor-modell. Jeg

og hvordan vi kan utnytte de fantastiske mulighetene Norge har. Det handler også om å la jordas lunger – skogbruket – være en del av løsninga. Det handler om å holde denne lungefunksjonen ved like på en god måte. Skogens kretsløp blir med klimameldinga en del av løsninga. Vi skal bruke skogens ressurser på en aktiv måte. Det skal plantes mer skog, det skal Virket skal brukes til bygg og til energi som skal forsyne norske husholdninger. Det er kjernen i forvaltertanken å utforme politikk som tar de lange linjene opp i seg! Så handler det om teknologiutvikling og nye løsninger for miljøet. Klimafondet for teknologiutvikling er et redskap for å få mulighetene fram. I tillegg til grønne sertifikater er det nå større muligheter enn noen gang til å få på plass løsninger som tar oss fra det over i det fornybare samfunnet. Ifølge Energi Norge må vi ansette 1 500 nye hoder i kraftbransjen hvert år i den kommende femårsperioden, dels som følge av foryngelse av arbeidsstokken, men også som følge av økt aktivitet. Det er gledelig, men det minner oss samtidig på hva som er viktigst for at vi skal kunne nå målene våre. Vi trenger de gode hodene, og dem får vi gjennom god utdannelse. Derfor trenger vi en satsing på realfag, på praktiske fag og mot frafall i videregående skole. Senterpartister er praktiske, vi liker å fokusere på praktiske løsninger. Om vi ikke oppnår akkurat alt vi ønsker oss, er det viktig å fokusere på løsninger framfor problemer. Derfor er vi glade for at klimapolitikken nå er slått fast i et bredt forlik som vil stå seg i mange år. Det er

disse skogeiernes og skogbrukernes målsetting med skogforvaltningen, men det var å utnytte produksjonskapasiteten i norsk utmark. Det gjorde de på en så god måte at vi i dag kan nyte godt av det på et så viktig område som klimapolitikken. Det er det jeg synes det er på sin plass at vi også takker disse dyktige fagfolkene for ved dette Jeg synes også at landbruksministeren hadde en god beskrivelse av nettopp dette forholdet i sitt hovedinnlegg. Det forvalteransvaret som denne næringen har vist gjennom de siste 80 år, er jo også mye av det merknadene i saken dreier seg om: Det skal vi videreføre, og det skal vi endog forsterke ved at vi fokuserer på tiltak for økt skogproduksjon og ved at vi fokuserer på tiltak for økt skogproduksjon og økt avvirkningsnivå. Avvirkning er nemlig ikke en innveksling umiddelbart av opplagret CO2. Tvert imot er økt bruk av trefiber i det norske samfunnet et bidrag til økt lagring, og dermed også økt binding, ved at vi kan produsere ny skog på de frigjorte arealene. arealene. Så har jeg også lyst til å understreke en annen ting som skognæringen i Norge utmerker seg ved. De har nemlig fått muligheten gjennom skogpolitikken, fra flere regjeringers side, til å utøve sin næring under prinsippet om frihet under ansvar. På den måten har de ivaretatt artsmangfold, de har tatt miljøhensyn, og nå får de muligheten til å bidra – ikke minst – også som følge av det, med næringsutvikling. Så dette er mange gode sider og dimensjoner av denne viktige saken, og vi har mange vi kan takke for at vi har kommet dit vi er i dag. Først av alt har jeg lyst til å takke saksordføreren, Nikolai Astrup, for vel gjennomført arbeid – både det som formelt er gjort, og det som også i aller høyeste grad er uformelt sagt og gjort – og jeg er spesielt glad for at man la til rette fra dag én for at Venstre, som ikke er i komiteen, også skulle være med i dette arbeidet på en egnet måte. Jeg registrerte at da regjeringen la fram meldingen, fikk meldingen en god Det er en melding som viderefører målene, slik de står i klimaforliket fra 2008. Om det er sagt mange ganger, sier jeg det også: Klimautfordringene er blant de største utfordringene vi står overfor, og klimaendringene er nær knyttet til andre store utfordringer, slik som sult- og miljøkatastrofer. Det at mange har sagt det, viser også her at den markedsbeskrivelsen, den virkeligheten, deler flertallet. Det er viktig. En god løsning på klimaproblemer krever stor innsats både nasjonalt og internasjonalt, og klimameldingen gir økt innsats på begge disse arenaene. For Arbeiderpartiet har et viktig punkt vært at god klimapolitikk er god næringspolitikk – at dette henger sammen. Vi må innrette klimapolitikken slik at norsk næringsliv kommer styrket ut av klimadebatten. Jeg mener at klimameldingen reflekterer dette målet. Jeg er spesielt fornøyd med at meldingen er så klar på viktigheten av å satse på kollektivtransport. Transportsystemet rundt de store byene bryter sammen om trafikkveksten skal tas med personbiler. Det er den enkle, men samtidig kompliserte sannheten som vi er nødt til å ta inn over oss som politikere. Derfor er det også så viktig at regjeringen i klimameldingen slår fast at transportveksten i de store byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er en nødt til å vise igjen når vi skal begynne å jobbe med NTP-en. For Arbeiderpartiet har det vært tydelig og klart fra dag én, da meldingen ble lagt fram, at vi ønsket oss et bredt flertall bak meldingen. meldingen. Derfor er det veldig bra å kunne konstatere at Stortinget viser en evne og vilje til å samle seg om et så viktig spørsmål som klima. Her driver vi – som representanten Marianne Marthinsen sa tidligere i dag – «politikk i et generasjonsperspektiv», og da er det helt sentralt å sikre enighet på tvers av politiske skillelinjer. Når mange i dag har sagt at en av hovedutfordringene er klimapolitikken, er det noe med at de prinsippene og den er klimapolitikken, er det noe med at de prinsippene og den virkelighetsbeskrivelsen som en da forfekter og legger til grunn, jo er det som er grunnlaget for at en faktisk foreslår de tiltakene som en foreslår. En viser i salen her i dag at det er ikke helt enighet om hvordan virkeligheten ser ut. Så

nettopp at det viser en nasjonalforsamling som tar inn over seg den trusselen som menneskeskapte klimaendringer faktisk representerer. Klimatrusselen er et skremmende eksempel på hvor utrolig vanskelig det er for veldig mange å agere selv i møte med en helt konkret og håndgripelig og i siste instans eksistensiell trussel. Det å møte en slik trussel krever en evne til samarbeid og en vilje til å endre. Selv om det i det daglige ordskiftet i norsk politikk kan være store avstander i klimapolitikken partiene imellom, er det en av det norske demokratiets flotteste egenskaper at partiene greier å finne sammen i forlik gitt at forlikene er gode nok. I dette tilfellet er det mye å glede seg over. Jeg mener at satsingen på kollektivtrafikk kanskje er noe som står mitt hjerte ekstra nært. I rød-grønne Trondheim har viljen til å satse både på trafikkregulerende og på belønnende tiltak båret frukter på kort tid. Det er mange flere som bruker kollektivtransport, punktligheten har økt, og bilbruken har stupt i sentrum. Det er bra for klimaet, Det er bra for klimaet, det er som i de andre storbyene i Norge, bra for å kunne ta unna den store veksten i regionen, det er bra for alle dem som er avhengige av kollektivtrafikk for å få hverdagen til å gå opp, og det er veldig bra for de mange som sliter med astma- og allergiplager. Tiltak som øker kollektivbruken og senker biltettheten, er veldig, veldig gode eksempler på at klimapolitikk ikke først og fremst handler om forsakelser og byrder, men om muligheten til å organisere seg bedre og finne smartere løsninger og Det samme gjelder klimafond. Man har i deler av debatten fått inntrykk av at tiltak i kvotepliktig sektor i Norge nærmest er en slags form for organisert industridød. Det var endog en representant fra Fremskrittspartiet som kalte det hele for selvskading, og det er selvfølgelig bare tull. Representantene Holmelid og Lysbakken har helt rett i at det er klimatiltak som skaper tryggere arbeidsplasser, som skaper nye arbeidsplasser, som skaper bedre framkommelighet og renere luft. Det er vanskelig å skjønne hvordan man kan stille seg på siden av den typen tiltak, og det er enda vanskeligere å forstå hvordan man kan polemisere mot dem. Jeg har til slutt lyst til å løfte fram én aktør som har vært utrolig viktig, og som kommer til å fortsette å være en av de aller, aller viktigste premissleverandørene for norsk klimapolitikk, og det er miljøbevegelsen. De gjør en kjempejobb, de setter dagsorden, de er tydelige pådrivere. Jeg har spesielt lyst til å nevne Natur og Ungdom, som kombinerer enorm vilje med enorm kunnskap. Jeg tror ikke norsk klimapolitikk ville ha tatt de stegene framover som den gjør nå, uten deres bidrag. Å omtale andres innlegg som «bare tull» er ikke et godt parlamentarisk uttrykk og skal ikke brukes i
Neste taler er
framtiden. I motsetning til representanten Bård Hoksrud meiner eg at klimameldinga og -forliket er

Her er det lagt opp til satsing på kollektivtrafikken gjennom auka påskjøningsordning og andre tiltak, det er gang- og sykkelvegar med ei dobling av innsatsen der, det er utbygging av jernbane, og det er ikkje minst fokus på lågutsleppsbilar. Eg opplevde nærmast at representanten Hoksrud med tilvising til at vi hadde handlingsregelen som

så klart mange lågutsleppsbilar til totalt mange tiltak, f.eks. gjennom Transnova, som kan bidra til utbygging av ladestasjonar, gjennom Enova – vi brukar faktisk Innovasjon Norge som det er tilskot til forsking og utvikling osv. Det viktigaste tiltaket er rett og slett at ein lagar ein marknad for desse bilane. Det gjer ein gjennom nettopp å gi dei ein slik konkurransefordel som dei har fått. Da ser ein også at teknologien på bilane utviklar seg, og at vi får stadig betre elbilar og andre lågutsleppsbilar i tida framover. Når det gjeld jernbane og intercityutbygginga, seier Hoksrud at dette burde ha vore tidfesta klart og tydeleg i klimameldinga. Eg er litt overraska over at samferdselspolitikaren Hoksrud vil ta dette bort frå transportplanen. Eit såpass stort og viktig det må ein sjå i samanheng med transport- og samferdselssatsinga elles. Eg er så absolutt for at dette skal tidfestast så raskt som i det heile mogleg, men det er altså i trafikkplanen dette høyrer heime. Gang- og sykkelvegsatsing er enormt viktig, og der vil eg kome med ei oppmoding når det skal

bra. Veldig mange av de advarslene som Fremskrittspartiet kom med i forrige debatt, har vist seg å være riktige. Man hadde målsettinger og virkemidler som ikke sto i stil, og der målene da er det som ofres. Det er for så vidt greit, for det betyr at det er blitt bedre og lettere for norsk næringsliv å drive videre i Norge framfor å forholde seg til de målene som spesielt SV kjørte fram ved forrige klimadebatt. Sånn sett gir jeg all honnør til regjeringen, og SV spesielt, for å ha moderert sin politikk betydelig. Det gjør også at Fremskrittspartiet synes det har vært veldig greit å ha vært med i de to klimaforhandlingene – så lenge vi fikk lov. Men vi opplevde at det åpenbart var litt ubekvemt for enkelte at et parti som Fremskrittspartiet fortsatt fikk sitte ved bordet, og vi ble skviset ut. Men den saken har media dekket nok av. Det som var viktig for Fremskrittspartiet, var hvordan vi kunne være med og bidra til å forbedre politikken, slik at vi fortsatt kunne kutte i utslipp, men samtidig bedre men på en mer miljøvennlig måte, på en mer næringsvennlig måte og ikke minst på en mer forbrukervennlig måte. Jeg synes at opposisjonen her har tatt mange gode skritt i riktig retning, Jeg vil rette en veldig stor takk til Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som har bidratt med å videreføre Fremskrittspartiets synspunkter inn i forliket, slik at det faktisk også er et godt fremskrittspartistempel på mange av forslagene. Men det er mye mer en kunne ha gjort. Jeg vil minne om at NHO – da de lagde sin velgerguide for 2009 – kåret Fremskrittspartiet til å være det mest næringsvennlige partiet og det beste partiet når det gjaldt å føre en god klimapolitikk. Denne kombinasjonen tilfredsstilte NHO. Dette står i sterk kontrast til måten som f.eks. SV responderte på da NHO kom med sin gjennomgang av forrige klimaforlik, da SV ba dem skjerpe seg og gå ut på gangen. Det Fremskrittspartiet skulle ønske man gjorde noe med, var f.eks. klimafondet. Det Det er veldig bra at vi får et klimafond på plass, men det er litt rart at man i fjor høst fjernet et forskningsfond som var finansiert på akkurat samme måten som man nå finansierer klimafondet. Man sa at forskningsfondet var finansiert på en «uforutsigbar måte», at det ikke var hensiktsmessig å drive forskningsfinansiering på den måten, men nå når man skal gjøre et klimatiltak, velger man akkurat den modellen man i fjor ikke syntes var god nok. Vi har pekt på NOX-fondet, som denne regjeringen har innført etter påtrykk fra Fremskrittspartiet og Høyre. Den måten burde ha ligget til grunn. Det ville gitt mye mer midler til industrien – både på kort og på lang sikt – enn det regjeringen nå gjør. Det samme innen kollektivtrafikken: En burde gitt skattefritak for kollektivkort betalt av arbeidsgiver. Det ville ført 175 000 bilister over på kollektivtrafikk – fordi de selv vil og ikke fordi de tvinges. Dette er konstruktive tilnærminger som Fremskrittspartiet ville hatt flertall for, men som vi nå må vente på i fire år.

Per-Willy Amundsen hadde et innlegg ved begynnelsen av debatten i dag, som var en blanding av sinne over at Fremskrittspartiet ikke var del av et forlik – som representanten selv åpenbart ikke så noen gode politiske grunner til at vi i det hele tatt skulle ha – og lange utlegninger om hvorfor det ikke er noen åpenbar grunn til å bekymre seg over klimaendringene. Vi våknet også opp i dag morges til en radiosending der den samme representanten erklærte seg som klimaskeptiker. Hvis noen har vært i tvil om hvorfor det var vanskelig – og ville vært vanskelig – å komme til en enighet her i Stortinget som også innbefattet Fremskrittspartiet, så vil jeg anbefale en gjennomlesning av Amundsens innlegg. Det var et innlegg mot sentrale deler ikke bare av klimameldingen, men av det forliket som er inngått. Det var et klart ønske om ikke å prioritere kollektivtrafikk framfor vei i de store byene, et nei til de nye standardene vi har lovet knyttet til passivhus, et nei til forbudet mot oljefyring og en tydelig avvisning av behovet for nasjonale mål. Dette er både sentrale punkter i forliket og avgjørende punkter i meldingen. Jeg har også sett at Fremskrittspartiet har sagt og skrevet at når man er usikker på graden av menneskelig innblanding i den globale oppvarmingen, skyldes det at man peker på ting som skjer i det kosmiske rom. Men det er grenser for hvor langt ute i det kosmiske rom man kan befinne seg – og samtidig forlange å få være med og spille en rolle i forhandlingsrommet. Det er nødvendig at de som deltar i denne typen prosesser, også har troverdighet knyttet til at de virkelig vil noe med det – noe annet enn spill. Vi prøvde fra regjeringspartienes side å bli enige med alle partiene på Stortinget. Hadde dette ført fram, hadde vi hatt et forlik med alle partier. De kalde fakta er at dette ikke førte fram, mens en prosess med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre derimot ga resultat. Det er den eneste grunnen til at det var det løpet vi valgte – etter at det første løpet ikke førte fram. Jeg synes at denne debatten til nå har vist at det var en klok og nødvendig vurdering. Jeg skal få lov til å føye meg inn i rekken av alle som sier at de er glad for den saken vi nå har til behandling. Jeg skal få lov til å føye meg inn i rekken av alle som sier at de er glad for den saken vi nå har til behandling. Dette er en av de største sakene som vi har til politisk behandling i løpet av denne perioden, og jeg synes det tjener Stortinget til stor ære at det går an å etablere et så bredt grunnlag for et tema som kommer til å bli et hovedtema i mange, mange år framover. Men jeg må også få si at jeg er veldig glad for at biologien nå har fått plass i klimapolitikken. For jeg har vært til at noen har ment at skog og CO2-binding i skog ikke skal regnes med. Det har hele tiden vært en realitet i virkelighetens verden at en binder CO2 i skog – det vet jo alle som var på skolen den dagen vi hadde om fotosyntesen – men dette har ikke bestandig vært god latin; god latin; symbolpolitikken har fått overstyre de biologiske realiteter. Det at vi faktisk skal drive et aktivt skogbruk, synes jeg nå er veldig godt ivaretatt i den meldingen og ikke minst i den innstillingen som nå foreligger. Nå sa landbruksministeren at vi ikke skulle hogge ungskog. Jeg går ut fra at han ikke mente at vi skulle slutte å tynne i plantefelt og tynne i ungskogfelt – men altså ikke sluttavvirkning. Men det er en realitet vi skal klare å bruke skogen mest mulig effektivt for å binde CO2, bør vi hogge den skogen som er utvokst. Så bør vi plante nye planter som binder CO2, samtidig som vi bruker den skogen som vi tok ut – enten som alternativ til fossil energi eller å binde den i bygg og ha CO2-binding i lang tid framover. Jeg er så heldig at jeg har fått lov til å sette ut godt og vel 100 000 granplanter – det skulle gi meg en ganske god CO2-kvote – men forutsetningen for å kunne plante de plantene var at en hadde hogd skogen først. Det synes jeg kommer godt fram i denne meldingen, som peker på det faktum at skogreisingen i Norge skjedde på en tid Så sto vi for noen år siden i den situasjonen at vi kanskje skulle være den generasjonen som både tok ut engangsressursene fra olje og gass og ikke reinvesterte i ny fornybar energi. Her tar vi til orde for det motsatte – bruke skogen aktivt, sørge for å plante, sånn at vi binder CO2 for framtiden. Jeg er glad for at jeg oppfatter at vi nå skal ta hensyn til naturen selv i naturvernet framover, også når det gjelder klimapolitikken. Neste gang noen går i Nordmarka og ser en skogsarbeider som holder på med å gjøre sin daglige dont, vet vi at det er en som bidrar til klima, det er ikke naturutfordring vi ser. Det er jeg glad for. Presidenten antar at representanten Dag Terje Andersen også har felt noen trær i sitt liv, så det går til fratrekk på den utplantede kvoten. Det er

Det er viktig for Framstegspartiet. Kan de sjå for dykk at Framstegspartiet seier at me dessverre ikkje kan byggja fleire parkeringshus i Oslo, Bergen og Trondheim, fordi me ikkje skal ha fleire bilar inne i byen? Kan de sjå for dykk at dei to representantane går på talarstolen og seier at det er veldig viktig at me no får vegprising og rushtidsavgift som gjer at me får mindre klimagassutslepp? Eg trur i det heile at denne debatten avslører at eigentleg er det den posisjonen Amundsen og Hoksrud har hatt no i dag, som dei trivst best i, og at det skal bli svært vanskeleg å halda styr på desse troppane i denne delen av Framstegspartiet fram mot mogleg regjering i 2013. Men eg registrerer at Ketil Solvik-Olsen prøver det, og eg gler meg til å høyra talen frå Amundsen og Hoksrud, og nye tonar om korleis ein reduserer biltrafikk. Så har eg lyst til å seia at noko av det viktigaste som skjedde i forhandlingane her, var at ein fekk endå hardare press på satsing på tog. SV har jo foreslått at me skal vera ferdige med intercity i 2023, men det har ikkje vore noko fleirtal for det.

jernbanen. Det er der me må laga ein ny modell. Transportkomiteen har vore i Sveits og sett på korleis dei klarar å finansiera jernbanen på ein annan måte. Det må me òg få til i Noreg. Det blir no utgreidd i Samferdselsdepartementet. Me skal sørgja for at regjeringa kjem opp med ein modell som gjer at me kan byggja ut tog raskt og ikkje berre rulla ut motorvegar. Heilt til slutt: Det er éin ting heile Stortinget er samla om – det er å vera med på å bidra til å halda fram med det me er, nemleg verdas beste nasjon på elbil. Der er me nasjon på elbil. Der er me

mange gode og konstruktive forslag. Mange av dem er dekket av klimameldinga, mange av dem er kommet inn i komitébehandlinga, og mange av forslagene jobbes det allerede med i regjeringa. Det er bra med diskusjon og engasjement, og sjøl om realiteten i forslagene blir behandlet sammen med klimameldinga, foreslår en nesten enstemmig at forslaget vedlegges protokollen. Igjen er det med unntak av Fremskrittspartiet, som ikke ser noe positivt i Venstres forslag. Men det viser vel kanskje igjen at det vesentlige skillet her går midt i borgerlig

klimamåla våre. Det som blir spegla att i debatten, er at eit breitt fleirtal i denne salen er oppriktig oppteke av at Noreg skal spele ei stor rolle internasjonalt og gjere viktige tiltak nasjonalt for å møte klimautfordringa. Eg synest òg debatten har synleggjort at det er eit skilje mellom Framstegspartiet på den eine sida og fleirtalet på den andre sida.

men eg trur at resultatet viser at det er ein god jobb som har vore lagt ned – ein stor innsats frå saksordføraren og dei andre komitémedlemene. Då har eg lyst til å seie alle, for det er klart at då forliket blei inngått slik det blei, stilte det krav til Framstegspartiet når det galdt tidsfristar, framdrift og liknande. Det høyrer med til historia her at når så

Jeg vil egentlig berømme Fremskrittspartiet for at de var interessert i å være med på det samme forliket, de også. Dette klimaforliket omfatter hele samfunnet vårt. I ganske stor grad blir alle deler av samfunnet berørt. Det er ikke noen tvil om at det vil bli krevende, svært krevende, i årene som kommer. Men det er også gledelig at vi skal kunne få anledning til å gjennomføre de tiltakene som nå må settes i verk. Det verk. Det er faktisk på tide, for tiden går. Vi vet at neste NTP – om en skal tenke på den siden, siden jeg sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen – vil bli berørt ganske mye av dette. Spørsmålet til statsråd Kleppa var tidligere i dag i hvilken grad dette vil få innvirkning på NTP. Helt klart må det det, etter min mening. vil utgjøre veldig mye av innspart klimautslipp, hvis det gjøres riktig. Det er snakket en del om intercitytriangelet her i dag. Jeg har ikke hørt noen som har vært uenig i at det må gjennomføres raskest mulig. Spørsmålet er hva raskest mulig kan være for noe, for det Det er ikke bare IC som er viktig. Tog som sådan er veldig viktig i denne sammenhengen, og særdeles tog som går på elektrisk kraft, altså grønn energi. Jeg hadde sist torsdag gleden av å være med på feiringen av 50-årsjubileet for åpningen av Nordlandsbanen. Det var en fin begivenhet, og det var fint å være med på. Men på grunn av usikkerheten på flyplassene tok jeg tog herfra. Jeg fikk anledning til å reise med et tog som gikk på

Det har vi nå gjort i flere uker. Jeg håper at dette kan bringes over til Meltveit Kleppa, slik at det går an å starte den utredningen rimelig fort.

ser dei no forskjell på desse to orda, eller betyr dei det same? Det som representanten Grimstad tok opp her, er

og den slags bibelske ting, at Fremskrittspartiet sier: La oss få debatten på et litt mer korrekt spor. La oss ta inn over oss den tvilen som finnes, uten at det betyr at vi skal legge vekk tiltak som skal kutte CO2-utslipp. Det handler altså om å være nyansert og ikke veldig Så beklager jeg overfor Hallgeir Langeland at vi hadde tatt SV litt for mye på ordet, for når SV har snakket om at man ville sette kloden på en ny kurs, trodde vi at vi også måtte snakke om kosmiske ting som stråling, kosmisk solstråling og kosmiske nivåer. Blir vi ydmyket av den grunn? Nei, Fremskrittspartiet har sagt at vi er skuffet over det spillet som de rød-grønne partiene satte i gang i denne sammenhengen. For som alle vet: Vi forhandlet fra borgerlig side som blokk, men det passet SV veldig dårlig å vise for hele verden at opposisjonen har en bedre klimapolitikk, mer næringsvennlig klimapolitikk og bedre forbrukerpolitikk enn det dagens regjering har. Men jeg er sikker på at velgerne merker seg dette i forkant av valgkampen til neste år. Så hevder Langeland at Fremskrittspartiet ble skuffet fordi vi vil ha mest mulig biler inn i byene på bekostning av kollektivtrafikken. Det er jo ikke sant. Vi ønsker å ha et samspill her. Jeg synes det er litt rart å få den kritikken fra en person som i dag skal stemme for at 50 000 flere biler skal få lov til å være fullstendig avgiftsfrie, og skal kunne kjøre inn i bysentrum uten å måtte betale en krone for det, og sågar parkere gratis.

Det en kunne gjort – hvis en hadde fulgt Fremskrittspartiets forslag – var å sørge for at intercitytriangelet rundt Oslo sto ferdig i løpet av ti år. Det ville gitt oss et bedre og større boområde i denne byen og også et bedre og større arbeidsmarked. Det ville gjort at det ble mer samfunnsøkonomisk lønnsomt og mer miljøvennlig å bo og jobbe i byområdet. Det er jo det hele listen med Fremskrittspartiets forslag går ut på. Det går på å realitetsorientere målene, og det går på å gjennomføre dette på en bedre måte så man får større kutt, med en mer næringsvennlig og mer forbrukervennlig politikk. Da nevner jeg igjen kollektivkortordningen som Fremskrittspartiet har foreslått. Regjeringen har selv sagt at det vil få 175 000 bilister av veiene. Jeg forstår ikke at regjeringspartiene kan stemme imot et så godt klimaforslag.

omfattande kunnskap, ja kanskje ein større og meir omforeint kunnskap enn på noko anna felt, gjennom eitt av dei største forskingsarbeida som er gjort internasjonalt, og i den grad vi har hòl i kunnskapen, og det har vi – ting ein må jobbe meir med – bør vi leggje til grunn føre-var-prinsippet. Det er kjernen i debatten her. Så har det vore ein underliggjande debatt her som er veldig sentral,

Men når det gjeld tiltaka – rett nok argumenterer dei imot mange av dei – vil dei gjerne vere med på å drøfte dei. Men for dei fleste av oss er det eit mål i politikken at det skal vere eit visst samsvar mellom dei utfordringane vi skal løyse, og tiltaka som skal løyse dei. Ofte er problemet i politikken det manglande samsvaret mellom problemstillingar og tiltak. Eg trur at dei kalde fakta om dette er: Det Det var ikkje mogleg i første runde å verte einige. No sit vi med ei brei einigheit, som gir eit godt grunnlag vidare. Eg vil avslutte med å seie at eg er utruleg glad for at vi har hatt ein så god og konstruktiv debatt i dag – med brei einigheit. Denne debatten har òg vist ein sterk vilje til å utfordre kvarandre på å kome vidare og gjennomføre dei mange tiltaka som ligg i klimaforliket. Det kjem til å verte krevjande å gjennomføre mange av dei, det kjem heilt sikkert til å verte behov for å justere kursen og sjå på kva som fungerer, og kva vi er nøydde til å ta endå tøffare tak i. Det er ei enorm oppgåve for meg som statsråd, og det er ei stor oppgåve for heile Stortinget å forfølgje dette klimaforliket vidare mot 2020 – og endå vidare. vidare. Den oppgåva trur eg vi er vaksne nok til å ta, etter at vi i to rundar i Stortinget har hatt breie forlik om

Mange har vært inne på dette skillet mellom Fremskrittspartiet og de øvrige borgerlige partiene, men la meg i den sammenheng understreke at vi forrige fredag forhandlet som en blokk da det ble brudd i forhandlingene. Det forhandlingsutgangspunktet som dette forliket bygger på, var et forhandlingsutgangspunkt som Fremskrittspartiet stilte seg bak. At det så er stor forskjell på Fremskrittspartiets primærstandpunkt og hvor langt de er villige til å strekke seg i en forhandlingssituasjon, forhandlingssituasjon, må jo være opp til Fremskrittspartiet å vurdere. Men i grunnen tegnet jeg meg for å takke for hyggelige ord både fra Kristelig Folkeparti, fra Venstre, fra Arbeiderpartiet og fra Senterpartiet. Jeg gjengjelder den takken og er glad for at vi kom i mål med det som er en mer ambisiøs og en mer ambisiøs og mer forpliktende klimapolitikk, og at det er bred enighet om denne. Så får vi bare ta til etterretning at vi ikke klarte å få til at det ble syv partier denne gangen. Det skyldes ikke manglende vilje fra vår side. Vi skulle gjerne sett at alle syv var med. Neste taler er Per-Willy Amundsen. Det er lov å bruke mindre taletid enn 3 minutter det gjorde siste taler. Det skal jeg legge meg på minne. Jeg kommer fra en del av landet, Troms, hvor det nærmeste vi kommer intercityforbindelser, er hurtigruten. Hjemme hos meg er det eksotisk å reise med tog – derfor gjør jeg det ganske mye – etter at jeg fikk muligheten til det da jeg kom på Stortinget.

av vei i hele landet. Der var vi i ferd med å bli enige med de andre borgerlige partiene. Det er et veldig viktig punkt for Fremskrittspartiet. Det punktet forsvant i forliket. Det eksisterer ingen sånn garanti. Det er trist. Fremskrittspartiet er nå det eneste partiet som i realiteten ikke vil la denne kollektivsatsingen skje på bekostning av vei i hele landet. Men det illustrerer et viktig poeng i tillegg til hurtigruten, nemlig at man i politikken må gi og ta – det ligger i forhandlingens natur. For Fremskrittspartiets vedkommende erkjenner vi at det er en stor avstand fra vårt primærstandpunkt til de øvrige partienes, men det var altså noen punkter vi prioriterte i forhandlingene. Det var vei, det var

Vi må nesten avgi en sånn bekjennelseserklæring for å kunne komme inn i det gode selskap. Tiltakene og forliket handler om praktisk politikk – det handler ikke om trosbekjennelse. Det har også denne debatten avslørt til fulle. Jeg tror den avsluttende historien i denne debatten er

også en hard kamp for å hindre forverring av nasjonal klimapolitikk i dette klimaforliket, og der har vi vært beinharde om at vi ikke skal ha noen forverring. Jeg er blant dem som ikke har brukt tid til nå på å takke saksordfører Nikolai Astrup, og som siste ord i debatten vil jeg gjerne få lov til å gjøre det. Han har gjort en flott innsats. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 9 og

Så har jo da departementet i ettertid funne ut at dette kanskje ikkje er ein god nok heimel, i alle fall ikkje sett i lys av § 96 i Grunnlova. Derfor foreslår ein no ei endring i naturmangfaldlova som vil vareta dette. Det er da klart at ein samrøystes komité står bak innstillinga.

Det har de siste årene vært et sterkt fall i etterspørselen etter girobetalinger over skranke. Samtidig øker bruken av telefon- og internettbank. I dag har alle tilgang til brevgiro, og kontantuttak fra minibanker og butikker er økende. Det er bl.a. på denne bakgrunn en enstemmig komité råder Stortinget til å begrense Postens plikt til å tilby grunnleggende banktjenester til bare å omfatte landpostnettet. Komiteen mener det er viktig å videreføre tjenester i landpostnettet, slik at vi sikrer et godt banktilbud over hele landet, uansett bosted, funksjonsevne eller kompetanse i digitale kommunikasjonsformer. Uttak og utbetalinger på nettet skal avtales på forhånd, og størrelsen på kontantbeholdningen må begrenses til det reelle behovet. Dette har store sikkerhetsmessige fordeler og er arbeids- og kostnadsbesparende. La meg knytte et par kommentarer til Fremskrittspartiets og Høyres merknader. Fremskrittspartiet viser til at de for ti år siden gikk imot at Posten skulle tilby grunnleggende banktjenester, og de mener at de andre partiene bare adopterer Fremskrittspartiets politikk. Høyre viser til at de tidligere har fremmet forslag om det samme. For ti år siden var situasjonen en helt annen. Det ville vært helt feil å fjerne bankplikten da. Det ville fått store konsekvenser for mange. Samfunnet er i stadig endring, spesielt når det gjelder teknologi og digitalisering, og vi må som politikere selvfølgelig følge med og forholde oss til dette. Men hvis det er nødvendig med endringer og omorganiseringer, mener Arbeiderpartiet at det må skje etter grundige vurderinger, hvor mange blir hørt, hvor de ansattes forhold blir godt ivaretatt, og hvor man også tar hensyn til dem som ikke klarer å forholde seg til den nye, digitaliserte verden – med andre ord: alt til sin tid. Vi mener at tiden er inne for dette nå. I Postens historie finner man 52 milepæler siden 1647 og fram til i dag, med store og små omstillinger. Nå er kanskje ikke 52 et stort tall i løpet av 365 år, men når vi vet at det har vært 29 siden 2000, sier det noe om en virksomhet som ikke på noen måte står stille, men som er i stadig utvikling. Det tar meg over til neste sak, meldingen om virksomheten til Posten Norge AS. Posten er i dag et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk. Konsernet har over 20 000 medarbeidere. Det har over 1 400 salgssteder i Norge. I 2011 formidlet Posten 38,5 millioner pakker og 2 223 millioner brev. Dette viser at Posten hver dag gjør en viktig jobb for samfunnet, noe som komiteen også understreker betydningen av. Arbeiderpartiet har merket seg at Postens visjon er å bli verdens mest framtidsrettede post- og logistikkonsern, og de har offensive mål: fornøyde kunder, ledende markedsposisjoner, lønnsom vekst og konkurransedyktig verdiutvikling, attraktive arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø. Meldingen tar opp i seg mange viktige saker og elementer i Postens virksomhet. Jeg skal kommentere noe av dette. For å oppfylle samfunnsoppdraget best mulig sier en enstemmig komité at det skal være likeverdige posttjenester og rask og pålitelig framføring av post. Komiteen har en enstemmig merknad om at enhetsportoen skal beholdes, og understreker at det skal koste like mye å sende brev innenlands i Norge, uavhengig av geografiske distanser og hvor sendingen leveres inn. Dette er en bra merknad. Jeg regner med at vi i løpet av denne debatten får en forklaring på hvordan Fremskrittspartiet og Høyre vil løse dette, for det er ikke helt lett å forstå når man leser deres videre merknader og forslag. Når det gjelder ekspedisjonstilbudet, er kundetilfredsheten med Post i Butikk høy. Komiteen er enig med regjeringen i at Posten kan få omgjøre inntil 149 egendrevne postkontor til Post i Butikk. Det skal være minst ett fast ekspedisjonssted i hver kommune, sentral Dersom det sikres at det samlede servicetilbudet videreføres, mener komiteen at Samferdselsdepartementet kan akseptere en ytterligere konvertering av postkontor til Post i Butikk, uten at saken legges fram for Stortinget. Men dersom utviklingen i etterspørsel eller konkurranseforhold endres vesentlig, skal alle forhold forelegges Stortinget. Med de vedtak vi sannsynligvis fatter i dag, vil mange Komiteen forutsetter at omstillingene skjer med åpenhet og i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Det skal legges vekt på en trygg og forutsigbar endringsprosess, hvor målet er å få de overtallige over i nytt arbeid. Det må gis rom for individuell tilpassing, og de overtalliges omstillingsbehov må ivaretas på en god måte. Postens ledelse og ansattes organisasjoner må samarbeide om omstillingstiltak og tempo i omstillingene. Komiteen har merket seg at HMS-arbeidet er høyt prioritert i konsernet, noe som har gitt gode resultater, bl.a. reduksjon i sykefraværet. Komiteen berømmer Posten for å videreutvikle gode tjenester basert på ny teknologi. Digipost er et godt eksempel på dette. I innstillingen til denne saken kan man lese at komiteen også er delt i sine merknader, og jeg vil kommentere noe av dette. Komiteens medlemmer, med unntak av Fremskrittspartiet, er meget tilfreds med at Posten har videreført sitt samfunnsansvar når det gjelder miljø, og at det er satt ambisiøse mål for miljøsatsingen, bl.a. for å redusere CO2-utslipp. Disse medlemmene mener at Posten på dette området kan være et godt eksempel til etterfølgelse. Posten har ansatte fra mer enn 70 nasjoner og er en bedrift med stort etnisk mangfold. Komiteens medlemmer, med unntak av Fremskrittspartiet, er positive til Postens mål om å øke integreringsarbeidet og mangfoldsandelen i stab og ledelse. Det har vært noen få uheldige enkeltepisoder hvor Posten eller dens underleverandører har vært beskyldt for ulovlig kabotasje eller har forårsaket problemer på norske vinterveier. Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Høyre har merket seg at Posten tar dette alvorlig. Konsernsjefen har uttalt at i Posten og Bring er det nulltoleranse for ulovlig kabotasjekjøring i alle deler av virksomheten. Disse medlemmene vil understreke at det ikke skal forekomme ulovlig kabotasjekjøring i noen virksomheter. Det er viktig at alle bestillere av transportørtjenester, inklusive Posten, ikke bruker transportører som kan føre til sosial dumping og utvanning av vårt arbeidsmiljølovverk. Høyre og Fremskrittspartiet etterlyser en mer ansvarlig og framtidsrettet eierskapsforvaltning og mener at Posten ikke tar inn over seg samfunnsendringer. De viser til rapporten «Leveringsplikt på utført av Oslo Economics, hvor beregninger viser at størrelsen på statlige kjøp av posttjenester må øke til nærmere 2,5 mrd. kr i 2020 dersom man skal beholde en poststruktur som er identisk med den man har i dag. Tallet er korrekt, men det som ikke kommer fram, er at dette beløpet inkluderer effekten av Postens forventede tap av markedsandeler som en konsekvens av en Beløpet forutsetter også at det ikke blir gjennomført effektiviserings- og kostnadsbesparende tiltak i perioden. Beregningene har med andre ord lite med virkeligheten å gjøre, i hvert fall så lenge vi ikke implementerer det tredje postdirektivet. Høyre og Fremskrittspartiet bemerker at statlige kjøp fra Posten har ligget på mellom 300 mill. og 500 mill. kr de siste årene, og at Posten i 2010 tilbakebetalte en del av støtten fordi årsresultatet var godt. Til det er å si: Posten betaler ikke tilbake deler av bevilgningen til kjøp av ulønnsomme posttjenester på grunn av gode årsresultater. Årsaken til den betalingen er at merkostnadene til samfunnsoppdraget og de pålagte ulønnsomme delene av tjenestene ble lavere enn beregnet. Det igjen er en konsekvens av at Posten, i fellesskap med de ansattes organisasjoner, kontinuerlig legger til rette for og gjennomfører endringer i Effektiviseringstiltak, f.eks. Spinnaker-prosjektet, bidrar også til å redusere statens kostnader for å opprettholde gode posttjenester. Høyre og Fremskrittspartiet er opptatt av at Posten må få frihet til å fortsette sin endringsprosess for å og Fremskrittspartiet foreslår derfor at Posten skal børsnoteres. Arbeiderpartiet er enig i at Posten, i samarbeid med de ansatte, fortsatt skal ha friheten til å foreta de endringsprosessene som er nødvendig, men innenfor politisk definerte rammer. Dette handlingsrommet har virksomheten benyttet i mer enn 15 år, med kontinuerlige endringer og omstillinger. I løpet av disse årene er antall arbeidsplasser i morselskapet redusert med over 15 000, uten en eneste dag med arbeidskonflikt. Dette er virkelig verdt å merke seg, så når Høyre og Fremskrittspartiet mener at Posten i dag har en lite ansvarlig og framtidsrettet eierskapsforvaltning, og at selskapet ikke tar inn over seg samfunnsendringer, er vi rett og slett uenige i det. Høyre påpeker at en videreføring av dagens postpolitikk ikke er bærekraftig, og vil derfor sette ambisiøse mål for Posten. En skulle tro at de da ville ha et aktivt eierskap, men de vil også ha statlig nedsalg – litt underlig, men jeg finner grunn til å kommentere en av påstandene. De skriver bl.a. at reklamebransjen stadig endrer seg, og at direkte markedsføring blir marginalisert. Dette er ikke rett: Marginaliseringen av uadressert C-post, som produktet er ikke en del av det bildet vi har sett så langt – snarere tvert om. Volumet har vært stadig voksende til nå. Det er heller ikke omsetning og inntjening for dette produktet Posten forventer skal reduseres de kommende årene. Høyre vil at Posten skal være sektorledende hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende, men det står i dokumentet, så da må de jo mene det. Avkastningskravet til selskapets egenkapital settes ned fra ti til ni prosent. Dette er komiteen fornøyd med, og Høyre og Fremskrittspartiet mener at kravet bør heves om selskapet endrer karakter. Arbeiderpartiet er enig i at avkastningskravet vurderes, men jeg må understreke at det må være langsiktighet og forutsigbarhet i eiers beslutning, også for Posten. Høyre og Fremskrittspartiet viser i denne sammenheng til at «sammenlignbare selskaper» har hatt langt høyere avkastning enn Posten Norge, og viser til Danmark, Tyskland, PostNord og Hva som er sammenlignbart i denne sammenheng, dreier seg ikke ensidig om det er et annet post- og/eller logistikkselskap. For å vurdere om det virkelig er et sammenlignbart selskap, bør man ha inngående markedskunnskap og kjennskap til hvilke betingelser og pålegg selskapene har, med andre ord hvilke konsesjonsbestemmelser som eventuelt gjelder, og ikke minst ta hensyn til markedsforutsetningene. Det burde være åpenbart også for Høyre og Fremskrittspartiet at distribusjonskostnadene i Danmark er vesentlig lavere enn i Norge, at Sverige, med dobbelt så mange mennesker, har dobbelt så mange postsendinger å fordele de faste kostnadene på, og at Tyskland er veldig lite sammenlignbart med Norge. Så over til logistikk og IKT. Komiteen, med unntak av Fremskrittspartiet, har merket seg at konsernet har fokus på lønnsom vekst i logistikksegmentet, og er fornøyd med at Posten i 2011 har hatt omsetningsvekst innen dette området. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, derimot, anbefaler en endret strategi med tydeligere vekt på og konsentrasjon knyttet til postområdet, og utvikling og fornyelse av dette. Jeg finner grunn til å kommentere at med en slik strategi ville selskapets og statens verdier forvitre i løpet av kort tid. En konsentrasjon om postområdet ville både på kort og lang sikt undergrave enhver mulighet for Posten til å levere positive økonomiske resultater. Alternativet vil være en kraftig forringelse av service- og kvalitetsnivået på Postens tjenester og produkter. For å levere de tjenestene med den kvaliteten som samfunnet trenger, må Posten hver eneste dag kjøre et stort antall ruter mellom ulike lokasjoner: fra én terminal til en annen, fra denne terminalen til et postkontor eller en distribusjonsenhet og fra denne enheten f.eks. til en landpostrute. Transport- og personalkostnadene påvirkes bare marginalt av antall sendinger som transporteres. I stedet for å kjøre en halvfull bil med bare brev fyller man bilen opp med pakker og gods. Kostnadene fordeles og inntektene øker i forhold til om man bare skulle ha konsentrert seg om postområdet. I det tilfellet ville transportkostnadene vært omtrent de samme, men de ville måtte finansieres ved statlig støtte. Å utføre transport- og logistikkbehovet slik Posten gjør, er også positivt og besparende på det ytre miljøet. Færre kjøretøy betyr mindre CO2-utslipp fra landets største logistikkselskap. Når det gjelder konsesjonskrav og konkurranse, har jeg nevnt enhetsportoen. Regjeringspartiene er opptatt av å sikre husstander og næringsdrivende i alle deler av landet et godt og likeverdig posttilbud, og servicenivået må opprettholdes på dagens nivå. Undersøkelser viser at 70 pst. av befolkningen er fornøyd med dagens omdeling av post, og 50 pst. ønsker seks dagers omdeling. Lørdagsomdeling spesielt er viktigere for kundene jo eldre de er, og jo mer usentralt de bor. For oss er det derfor viktig å opprettholde postombæringen seks dager i uka. Fremskrittspartiet vil også opprettholde enhetsporto, men vil samtidig at Norge skal ha et fritt og åpent marked for posttjenester, de vil ha fri konkurranse på brevpost under 50 gram, og de vil implementere EUs tredje postdirektiv. Hvordan henger dette sammen? Videre vil de kutte i servicetilbudet og kun ha lørdagsombæring av aviser. Også Høyre åpner for

Dette brukes som et argument for å få regjeringen til å la være å legge ned veto mot det tredje postdirektivet. Jeg må spørre: Mener Høyre i fullt alvor at regjeringen skal føre en EU-politikk basert på 1800-tallets franske politikk? Over til eierskap: Posten er 100 pst. eid av staten, og regjeringspartiene, sammen med Kristelig Folkeparti, understreker at det primære målet med statens eierskap i Posten knytter seg til selskapets samfunnsoppdrag. Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet vil derimot ha slutt på dette. Fremskrittspartiet vil børsnotere Posten og omdanne det til et såkalt folkeaksjeselskap, og Høyre vil legge til rette for et statlig nedsalg hvor småsparere og ansatte skal få kjøpe andeler. I begge tilfeller skal dette foregå via en såkalt folkeaksje, der norske statsborgere som melder sin interesse, får rabatt på eierandelene. Det kan hende at sterkt rabatterte andeler til folket og de ansatte hadde gjort susen, ansatte hadde gjort susen, og at Postens ansatte på en måte hadde blitt bedriftseiere, hver og en av dem. Det er mulig det hadde blitt bra. Men Arbeiderpartiet mener faktisk at folket allerede eier Posten, gjennom staten, og den modellen lever vi godt med. Fremskrittspartiet og Høyre har en begrunnelse til for at statens eierandeler i Posten ikke bør videreføres, og denne gang skal vi tilbake til 1647 og opprettelsen av Postverket. Det vises til at det var Hannibal Sehested, en dansk stattholder i Norge, som opprettet Postverket, og at det var nederlenderen Henrik Morian som startet driften. Han ble tildelt enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse. De understreker: virksomheten rundt det man i dag kjenner som Posten Norge, hadde sin start som et konsesjonskjøp gitt til en privat, utenlandsk aktør. Det er altså ingen nyhet at private aktører bidrar til å løse en oppgave som staten skal ha det overordnede ansvaret for.» Dette skriver altså Fremskrittspartiet og Høyre i innstillingen. Kongen i København tildelte altså et kongelig privilegium i form av et postmonopol til disse personene. Jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at Høyre og Fremskrittspartiet er enige om at private monopoler, gjerne utenlandske, er topp, mens statlige monopoler ikke er bra – egentlig ingen overraskelse. Høyre begrunner også sitt forslag om statlig nedsalg med at virksomheter til bedrifter i postbransjen av natur er internasjonale. Jeg har en kommentar til det også: Bransjens internasjonale natur ligger i at postsendingene fraktes over landegrenser, fra en avsender i ett land til en mottaker i et annet. Inntil for få år siden skjedde dette uten unntak ved at de nasjonale postselskapene i sum utgjorde verdensveven, der man brakte den internasjonale posten fram til det nasjonale selskapet, som sto for den videre distribusjonen sammen med de nasjonale postsendingene i de respektive land. I det liberaliserte markedet må hvert selskap selv bygge hele dette nettverket om man skal delta i den internasjonale konkurransen. Hvordan kan man tro og mene at det gir bedre og rimeligere posttjenester dersom to eller flere postbiler og postbud kjører og går ved siden av eller etter hverandre og leverer posten til den samme postkassen? Erfaringene fra de land som har liberalisert postmarkedet, er det stikk motsatte. Høyre og Fremskrittspartiet foreslår å flytte forvaltningen av statens eierskap i Posten til Nærings- og handelsdepartementet. Til det er å si at selv om Stortinget setter forretningsmessige mål for Posten, er ikke Posten en næring alene. Posten er mye mer enn det. Vi fra Arbeiderpartiet vil understreke at Posten er en del av de infrastrukturtjenestene som er nødvendige i et velfungerende samfunn. Posten skal bidra til at andre kan drive næring, og at vi kan jobbe og bo overalt i hele landet. Til slutt legger jeg fram forslagene til vedtak fra komiteen i innstillingene i de to nevnte sakene, og regner med at Fremskrittspartiet og Høyre vil redegjøre for sine

Men den postmeldingen vi nå behandler, vil bety at selskapet også fremover må tenke nytt, se på nye omstillinger og nye muligheter – det er det ingen tvil om. Dette skyldes bl.a. at postandelen er kraftig synkende, og alt tyder på at denne trenden vil fortsette fremover. Vi er overbevist om at også de omstillingene som nå kommer, vil selskapet, sammen med de ansatte, vil selskapet, sammen med de ansatte, komme igjennom på en utrolig god måte, som ivaretar selskapet og selvfølgelig de ansatte på en god måte, og som sikrer at Posten også i fremtiden vil være et selskap man skal regne med. Jeg synes det er litt spesielt at saksordføreren er veldig opptatt av det tredje postdirektivet, at man faktisk ønsker å legge ned veto mot et direktiv som har uttalt at de ønsker å møte konkurransen, at de er klare til å møte konkurransen, og at de mener at de faktisk er kompetente til å møte konkurransen fra andre aktører. De gjør det på alle områder unntatt for brev under 50 gram. Fremskrittspartiet er av den formening at selskapet vil klare dette på en utrolig god måte. Vi har tillit til at selskapet, sammen med de ansatte, er klare for å konkurrere med hvem det måtte være, og at de faktisk vil klare å gjøre det på en god måte. Post i Butikk var en av de store endringene som ble gjort for noen år tilbake. Det var ganske nyskapende, og det var helt sikkert mange som var veldig usikre på om det var riktig. I dag er jeg sikker på at alle er enige om at det var en suksess, og spesielt for kundene, som plutselig kunne hente pakker og få gjort posttjenester mye lenger utover dagen eller kvelden enn det man kunne den gangen man bare hadde de tradisjonelle postkontorene. Vi mener derfor det ikke er noen grunn til ikke å fortsette den utviklingen, og vi støtter derfor Postens ønske om at de får redusere antall postkontorer samtidig som antall Post i Butikk øker. Fremskrittspartiet har i mange år jobbet for å fjerne bankplikten som Posten har hatt for å ha fulle banktjenester i hele postnettet, noe vi har fått mye kjeft for, bl.a. av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ved tidligere behandlinger. Men det er alltid hyggelig å registrere at det man har kjempet for i lang tid, faktisk blir gjennomført. Jeg er ikke like sikker på at dette ville gått like lett dersom det hadde vært en annen regjering som hadde fremmet disse forslagene, men det er bra at disse endringene nå kommer, og jeg tror det vil være veldig bra for selskapets videre fremtid. Vi vil likevel peke på noen forhold som vi mener det er viktig å ha med seg. Selskapet ønsker i utgangspunktet selv, i motsetning til ønsker i utgangspunktet selv, i motsetning til saksordføreren, å redusere postomdelingen til fem dager i uken. Det betyr – i hvert fall hvis vi skal gå inn for det, og det er forutsetningen for Fremskrittspartiet for at vi skal gå inn for å redusere full postombringing fra seks dager i uken – at man må ta bort monopolet på brev under 50 gram, slik at andre kan få muligheten til å ha postombringing den dagen Posten selv ikke ønsker det. men at man i tillegg skal ha avisombringing på lørdager, som er et av alternativene som selskapet selv har foreslått. Vi går inn for fem dagers full ombæring, og i tillegg ønsker vi at det skal være omdeling av aviser på lørdag. Så har vi stilt mange spørsmål rundt Postens virksomhet, fordi vi allikevel er litt bekymret for en del av det vi hører, en del av det vi ser, og en del av de tilbakemeldingene vi får rundt en del av virksomheten til Posten. I virksomhetsmeldingen til Posten er det interessant å registrere at en del av de virksomhetene man har kjøpt opp siden 2006, knapt er nevnt, til tross for at det har kostet mange, mange millioner kroner å kjøpe opp selskapene. Når vi i tillegg ser på resultatet for logistikkvirksomheten, ser vi at det ikke er så godt som resultatet for postvirksomheten. Jeg registrerer at Posten sier at det har vært en litt spesiell tilstand som har gjort at man har hatt dårlig avkastning på logistikkvirksomheten. Det kan selvfølgelig ha sammenheng med finanskrise og andre ting som har skjedd, men selskapet har tro på at de fortsatt skal levere gode tjenester, og at logistikkvirksomheten også skal gi gode resultater tilbake. Det er bra. Men jeg vil minne om at kjøpene innenfor transport og logistikk har kostet 1,7 mrd. kr for de 16 selskapene som nå er fusjonert inn eller kjøpt opp av Posten siden 2006 og fram til 2011. Det er mye penger, og de sitter på mange måter med gullkortet i bakkant, fordi det er staten som til syvende og sist er garantisten, og det er samferdselsministeren som er generalforsamling. Jeg registrerte også at saksordføreren var veldig opptatt av at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vurderte å flytte eierskapet til Næringsdepartementet. Det er faktisk en det. Det er nemlig den samme samferdselsministeren som er generalforsamling i selskapet, som også har ansvaret for Post- og teletilsynet, som skal kontrollere virksomheten. Det betyr at det kan stilles spørsmål fra andre selskaper og av andre om hva som er det viktigste for staten. Er det å hensynta sitt eget selskap, eller sørger man for å ha tette skott som gjør at det er bransjen og totaliteten som er det viktige? Da tror vi at det ville være fornuftig å sørge for at det er ett departement som har ansvaret for eierskapet, og som sørger for at selskapet får lov til å utvikle seg videre, og at det er et annet departement som har ansvaret for kontrollen. Det er bakgrunnen for at vi tror det er fornuftig. Saksordføreren var inne på at det hadde vært svært få tilfeller med enkelte av Postens selskaper og bilene de bruker. Jeg har selv fått lov til å oppleve et av selskapene fått lov til å oppleve et av selskapene som definitivt ikke hadde gode vinterdekk på flere av bilene. Bilene sto faktisk fast til tider man aldri skulle tro en sånn type bil burde stå fast. Hvis det Posten nå sier, stemmer, at man tar tak i de bilene selskapet bruker på norske vinterveier, er jeg veldig glad for det. Jeg forutsetter stor vekt på å sørge for at bilene er utrustet på en god måte for å kjøre på norske vinterveier. Det har heldigvis vært få saker med kabotasje, men det har vært mange rykter om at selskapet har vært involvert. Jeg synes det er bra at Posten nå sier at dette er noe man skal rydde opp i, og at det er nulltoleranse for dette i Postens virksomhet og i de selskapene som Posten bruker. Det er jeg veldig glad for, for det er sånn at Posten som et statlig selskap, som er 100 pst. eid av staten, naturligvis vil bli fulgt med argusøyne på en litt annen måte enn det andre selskaper blir. Så burde det selvfølgelig ikke være sånn at det er forskjell på selskapene. Men det er klart at Posten – med statsråden som generalforsamling – må gå foran med et godt eksempel med hensyn til hvordan virksomheten i selskapet utøves. Det synes jeg Posten har redegjort godt for i alle de elleve spørsmålene som vi har stilt, og som jeg synes vi har fått gode svar på. Jeg håper statsråden fortsatt kommer til å følge med selskapet for å forsikre seg om at de jobber aktivt for å hindre både ulovlig kabotasje hindre både ulovlig kabotasje og at bilene ikke er utrustet – og sjåførene ikke egnet – for å kjøre på norske vinterveier, som vi dessverre har sett en del eksempler på. Det er sånn at det ikke er noe problem å sørge for at man har lik enhetsporto over hele landet. Det er fullt mulig. Det handler om at man må gjøre som man nå også gjør: Man må eventuelt betale for å sørge for at man får post over hele landet, og til den prisen som man skal betale. Jeg synes det er en god virksomhetsmelding som er kommet, med mulighet for Stortinget til å stille spørsmål for å forsikre seg om at selskapet driver sånn som man ønsker at det skal gjøre. Jeg registrerer også at Riksrevisjonen har hatt merknader tidligere, noe man har vært veldig opptatt av i selskapet. Man har forsikret seg om at det som har vært påpekt, har blitt lukket igjen. Det er et selskap som fortsatt ønsker å være, og som vil være, en viktig aktør i tiden fremover. Det er Fremskrittspartiet glad for, og vi synes, som sagt, det er et forbilledlig selskap når det gjelder å drive omstilling på en god måte, der man ivaretar både de ansattes og selvfølgelig også selskapets interesser på en god måte til beste for eieren. Jeg vil gjerne få ta opp de forslag Fremskrittspartiet har
Jeg vil også gi ros til saksordføreren for å ha opptrådt ryddig og meget grundig i komitéarbeidet i forbindelse med denne meldingen. Framstillingen på talerstolen i dag var jo også meget grundig, må jeg få lov til å si. Jeg vil komme litt tilbake til de uenighetene som vi finner innimellom i innstillingen, som også saksordføreren har redegjort for. Posttjenesten er en svært viktig del av tjenestetilbudet i et samfunn. Postkassene var for mange kontaktpunktet mot omverdenen, og er det fortsatt for enkelte. Postverket ble opprettet så tidlig som i 1647 av en dansk stattholder. Det var nederlenderen Henrik Morian som fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse, og som saksordføreren sa, var det altså en privat aktør som fikk oppdraget den gangen. Det er noen hundre år siden. Vi snakker om en tjeneste som har vært utført på samme måte i årtier, ja, århundrer. Postens kjerneoppgave er fortsatt å levere posttjenester til en rimelig pris og av høy kvalitet over hele landet. Inntil for få år siden ble denne tjenesten utelukkende utført av Postens egne avdelinger og landpostbud. I min tid som bosatt i Tyskland opplevde jeg at posten der etablerte seg i dagligvarebutikker og dermed hadde lengre åpningstid enn de egne avdelingene. Det opplevde jeg som svært positivt, og jeg var glad da Posten i Norge gjennomførte tilsvarende enkelte steder her i landet. Posten anbefaler å utvide denne ordningen, og det vil vi støtte fullt ut.

Posten har skaffet seg flere ben å stå på og framstår i dag som en moderne bedrift med stor satsing på innovasjon og utvikling innenfor rammen av konsesjonsvilkårene. Som en svært transporttung og arbeidsintensiv virksomhet legger også Posten selvstendig vekt på sitt samfunnsansvar gjennom målsettingen om å bidra til miljøeffektiv drift samt utvikle et godt arbeidsmiljø å bidra til miljøeffektiv drift samt utvikle et godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidsplasser. For å møte den digitale utfordringen på informasjonssiden har Posten utviklet og satt i funksjon Digipost. Dette systemet bør vurderes som en alternativ kjerne i statens satsing på digital informasjonsflyt mellom innbyggerne og staten. I de senere årene har også etterspørselen etter banktjenester over skranke sunket betydelig. Høyre har tidligere foreslått at Posten skulle fritas for denne tjenesten, og vi er nå glad for at regjeringen foreslår å redusere omfanget av Postens plikt til å tilby banktjenester. Det vil fortsatt være staten som har ansvaret for å sikre et godt dekkende posttilbud, men vi mener ikke det er nødvendig at eierskapet til denne tjenesten må være på statens hender. Vi mener derfor at det vil ha positive virkninger om særlig de ansatte fikk anledning til å være deleiere i selskapet, og foreslår derfor at selskapet delprivatiseres. Vi mener også det er uheldig at regulatorrollen gjennom Post- og teletilsynet og eierskapet sitter i samme departement og foreslår derfor at forvaltningen av statens eierskap i Posten Norge AS flyttes til Nærings- og handelsdepartementet. Til slutt vil jeg si et par ord om EUs tredje postdirektiv, som vedtok å avskaffe monopolet i det europeiske postmarkedet fra 1. januar 2011, med en overgangstid. Dette direktivet vil på ingen måte rasere posttjenestene i Norge, og vi anbefaler derfor at direktivet innføres. Det er stor enighet i komiteen om at Posten drives godt i Norge. Posten har vært svært aktiv med tanke på å møte framtidens utfordringer. Men vi hadde gjerne sett at regjeringen hadde vært noe mer aktiv i dialogen med Posten om den strategiske utviklingen av selskapet. Det er uten tvil store utfordringer som ligger forut, og det er grunnlaget for at vi anbefaler at eierskapet skulle vært noe mer aktivt. Jeg tar opp forslaget fra Høyre.

brev. Då snakka eg med dei tilsette som eg møtte, og dei sa at dei grua seg til dette, for dette kom til å bli vanskeleg. Dei skal allereie ha allmøte i morgon tidleg, altså no på tysdag, og gå gjennom den vidare prosessen framover. Det betyr at både sjefane og dei allereie tek dette seriøst og jobbar ut frå at ein skal gjera dette i godt samarbeid, så ein ikkje får konflikt i den vidare prosessen med det store inngrepet som dette vil vera, og som dessverre er nødvendig i forhold til den situasjonen som er i postmarknaden. Så er det slik at eg registrerer at folk er ganske fornøgde med postomdelinga. Då er det rart at folk flest og andre høgrefolk – heldt eg på å seia – skal laga løysingar som folk ikkje nødvendigvis blir fornøgde med, når dei er fornøgde med det dei har. Dei vil gjerne behalda det dei har. Det får me berre registrera. Så vil eg gje skryt til Posten for at dei ikkje berre har fornøgde kundar, men dei er òg offensiv på klima- og i forhold til m.a. elbilar og omdeling med elsyklar og litt av kvart slikt. Det set ikkje minst – trur eg – eit nesten samla storting pris på, med utgangspunkt i den førre debatten om klima. Så nokre merknadar knytte til EU-tilpassinga som Framstegspartiet og Høgre ønskjer seg. Det er positivt å registrera at Kristeleg Folkeparti her skil lag med potensielle framtidige kameratar på høgresida og stort sett held seg inne med den raud-grøne regjeringa når det gjeld postmeldinga. Det er positivt, og me tek det som eit signal. Men det som er det rare, er at desse partia ikkje ser på kva problem EU har p.t. Kvifor har EU hatt problem? Nei, dei problema Nei, dei problema ser dei heilt vekk frå. Dei vil inn med dei same tiltaka som ikkje verkar i EU, og som skapar problem i EU – dei skal me no få meir av i Noreg: meir marknad, meir anbod, mindre statleg styring, meir privatisering, meir børs. Ja, spør grekarar og spanjolar om dette, om det er noko som verkar, om det er noko dei vil ha meir av. Då trur eg dei får eit eintydig svar, når EU no må bruka pengar på å berga bankar og

til ein dansk statthaldar som oppretta Posten, og til ein nederlendar som starta drifta – for å argumentera for kvifor ein må privatisera Posten. Ein vel altså ikkje å sjå på dei faktiske forholda i dagens EU, men leitar tilbake til nokre gamle eksempel frå 1600-talet og 1800-talet. Eg trur at det som er viktig for oss raud-grøne i dag, er at me seier nei til postdirektivet, me seier nei til eit system som ikkje verkar i EU. me seier nei til eit system som ikkje verkar i EU. Me vil ikkje ha det i Noreg – me vil ha eit system som verkar, som Posten likar, og som dei tilsette set pris på.

sikre at Posten fyller sitt samfunnsoppdrag med å sikre et best mulig posttilbud for folk og næringsliv over hele landet. Gode og likeverdige posttjenester og rask framføring av post til lik pris over hele landet er hovedessensen i det samfunnsoppdraget. Selv om antall brev og forsendelser går ned, vil det være post og pakker som skal sendes også i framtiden. Selv om vi digitaliserer, vil det være noe som ikke er mulig å digitalisere, rett og slett fordi det fysisk skal sendes. For enkelte vil det være urimelig langt til et sted å sende pakken fra, eller få svar på enkelte ting, hvis man ikke har de landpostbudrutene man har i dag, som oppleves som veldig gode, som meldingen slår fast. Senterpartiet støtter at avkastningskravet på selskapets egenkapital settes ned fra 10 pst. til 9 pst. Dette er i tråd med krav som settes til andre statlige selskaper av tilsvarende karakter, og det er meget viktig. Når det gjelder EUs tredje postdirektiv, vil Senterpartiet, i motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet, si at man er meget tilfreds med at regjeringen har meddelt EU at man ikke vil ta inn EUs tredje postdirektiv.

Det vil bli dyrt, noe som Postkom har pekt på i dialogene vi har hatt med dem. Det gir en større fare for et dårligere tilbud som kan svinge alt etter hvor mye man fra statlig hold vil legge inn, alt etter hvem som sitter med makten. Det mener Senterpartiet vil være et uklokt grep: å bytte ut et nærmest selvfinansierende system, og erstatte det med statlige subsidier.

av leveringspliktige tjenester til en rimelig pris, og med god kvalitet. Når det gjelder Post i Butikk, er kundetilfredsheten høy, ikke minst på grunn av god tilgjengelighet og lengre åpningstider enn hos postkontorene. Senterpartiet støtter derfor at regjeringen kan la Posten få omgjøre inntil 149 egendrevne postkontor til Post i Butikk. Forutsetningen er at servicetilbudet videreføres eller forbedres, og at tilgjengeligheten helst utvides. Det skal være minst ett fast ekspedisjonssted i hver kommune, der tilgjengeligheten sikres og lokaliseres i samråd med hver kommune. Det samlede antall postkontor og fullverdig Post i Butikk skal være minst 1 420. Jeg vil legge til at det er viktig at omstillingsprosessen må gjøres i nær dialog med de ansatte, for det er en krevende prosess. Det er viktig at man ikke aksepterer kabotasje, og jeg er glad for at Posten har vært så tydelig på at det ikke skal forekomme. Vi forutsetter at alle bestillere av transporttjenester er bevisste på lover og regler og ikke undergraver etikk, samfunnsansvar, miljø eller HMS. Jeg er òg glad for at digitale løsninger kommer mer fram, og at Posten har vært offensive med fram, og at Posten har vært offensive med hensyn til det. Etter hvert som vi får et stadig bedre bredbåndstilbud og flere bruker det, vil det være et godt alternativ for mange på enkelte tjenester. Vi støtter òg den omleggingen man gjør når det gjelder bankplikten, forutsatt at man sikrer at landpostbudrutene fortsatt har det tilbudet. Det er viktig. Til slutt: Høyre peker på at mange har et emosjonelt forhold til postkassen sin. Ja, jeg kan underskrive på det. I min ungdom var jeg vikar på postbudruta og så hvor viktig det var at folk fikk post, og at de møtte opp ved postkassen. Det er fortsatt slik på mange måter, og derfor kan ikke distansen være lang til nærmeste postkasse. Me har fått ei god

når me veit at nokre av kjerneoppgåvene faktisk har blitt reduserte i over ti år. Det har Posten greidd på ein veldig god måte, og det har dei greidd ved å gjere to ting. Det eine er at dei har hatt ei vellukka omstilling, fått med seg dei tilsette, drive gode prosessar og lukkast med det. Det andre er at dei samtidig har funne nye bein å stå på og har utvikla seg med suksess. Me kan samanlikne det med suksess. Me kan samanlikne det norske postvesenet med det me eksempelvis ser i USA. Der er det eit stort postsystem som ikkje har vore gjennom ei omstilling. Ein har altfor stor kapasitet i forhold til dei arbeidsoppgåvene ein har. I Noreg har me derimot hatt ei vellukka omstilling. Det har òg ført til at ein har sett på nye område. I dag er det Logistikk som er den største

at det faktisk er for lite å gjere på postkontoret. Og ein har hatt ei vellukka omstilling til Post i Butikk. Derfor støttar Kristeleg Folkeparti det. Det andre er at bankplikta blir redusert. No er det landpostnettet som tek over bankplikta aleine. Det er òg ei omstilling eg trur er klok. Det tredje Posten ber om, er det som representanten Hoksrud tek opp, som gjeld

å følgje regjeringspartia så langt. Det har me òg gjort med omsyn til eigarskapen. Nettopp samfunnsoppdraget og det at Posten har lukkast med ei omstilling, ligg til grunn. Så kan eg nok ikkje seie meg heilt einig i den framstillinga som representanten Langeland gir av EU. Det er klart at det er nettopp ei omstilling innanfor offentleg sektor at ein del av landa sør i Europa ikkje har lukkast med. Ein kunne ha spurt grekarane. Hadde dei verkeleg lukkast med ei god omstilling innanfor sin offentlege sektor, hadde dei ikkje hatt den statsgjelda som dei har i dag. Nettopp det at me har verksemder som Posten som del av vårt offentlege system som har lukkast her, gjer at Noreg er i ein så heldig situasjon som me er i i dag. Folkeparti er òg imponert over det miljøarbeidet som blir gjort, og som Posten har fått til. Det same gjeld HMS-arbeidet innanfor Posten og det internasjonale arbeidet som blir gjort, med over 70 nasjonalitetar. Så er det viktig framover at Posten får moglegheit til å utvikle seg. Det å stoppe utviklinga, innovasjonen og omstillinga vil ha ein kostnad. Det må ikkje skje no. Derfor deler ikkje Kristeleg Folkeparti regjeringspartias syn på direktivet, fordi me trur nettopp at å seie nei til det direktivet vil kunne hindre Posten i ei vidare omstilling og vidare konkurranse. Det har dei lukkast med, bl.a. i Norden, og derfor deler me ikkje det synet. Ei god melding er det som ligg til grunn her.

dette målet for Posten si verksemd. Eigarskapen til Posten Noreg AS er eit viktig sektorpolitisk verkemiddel for regjeringa. Allereie då det norske postverket vart oppretta i 1647, var postdistribusjon rekna for å vera ei viktig teneste for å sikra gode kommunikasjonar. Samfunnet sine krav til kva gode tenester inneber, har endra seg opp gjennom åra, og Postverket vart 1. desember 1996 omdanna til selskap. Posten har i åra etter dette òg gjennomført store omstillingar for å tilpassa seg ei ny tid. Digital kommunikasjon har overteke mykje av den kommunikasjonen som før vart gjord av Posten. Samtidig har Posten levert leveringspliktige tenester av høg kvalitet og løyst utfordringane på ein framifrå måte. Folk er i dag fornøgde med servicen dei blir ytte i Post i Butikk. Slik var det ikkje då dei fyrste postkontora vart omdanna i 2001. No viser målingar at kundane er mest like fornøgde med Post i Butikk som med Posten sine eigne postkontor. Sjølv om det er lange avstandar og vinteren i Noreg er vêrhard, kjem jamt over 85 pst. av A-posten fram over natta, målt på årleg basis. Sjølvsagt finst det periodar då dette ikkje skjer, men Posten er flink til å finna gode alternativ for postgangen. Det såg vi under oskekrisa, og det ser vi under andre spesielle hendingar. Om Posten leverer tenester av god kvalitet og leverer gode økonomiske resultat, er Brevmengda fell, konkurransen i pakkemarknaden aukar, og Posten opplever auka konkurranse frå digitale meldingskanalar. Posten treng å omstilla verksemda for å tilpassa seg den nye tida og tilpassa tenestetilbodet til etterspurnaden. Det er vi i meldinga og i lovforslaget har lagt fram tre endringar som er særdeles viktige for å tilpassa Posten si verksemd til etterspørselen etter tenester: Posten si plikt til å tilby banktenester blir redusert til berre å gjelda i landpostnettet. Posten får omdanna inntil 149 postkontor til Post i Butikk. Posten får oppretta Post i Butikk. Posten får oppretta såkalla PiB Enkel, ekspedisjonsstader der berre dei mest etterspurde tenestene blir formidla. Etterspurnaden etter banktenester på postkontora har gått kraftig ned dei siste åra. Mykje av dette skjer fordi folk i aukande grad nyttar konkurrerande tenester som nettbank, telefonbank og brevgiro. Kontantar kan ein ta ut i minibankar og i butikkar rundt omkring i heile landet. Samtidig har det dukka opp tilbod om å betala rekningar i såkalla Bank i Butikk. Nokre av stadene med Post i Butikk er det òg Bank i Butikk, slik at kundane kan få dei same tenestene i to kasser i same butikken. Likevel er det slik at det er folk i Noreg som ikkje opplever den same valfridomen som dei fleste av oss har.

som får meir enn fire kilometer til næraste ekspedisjonsstad for banktenester. Eg skjønar at det ikkje er alle i denne salen som bryr seg like mykje om akkurat det, men i lovforslaget har vi lagt opp til at Posten si plikt til å tilby banktenester blir vidareført i landpostnettet. Posten driv i dag 179 postkontor. Når etterspurnaden etter post- og banktenester går ned, er det framleis faste kostnader knytte til å driva desse kontora. Ei omdanning til Post i Butikk vil redusera dei faste kostnadene og gjera at inntekter og kostnader står betre i forhold til kvarandre. Vidare vil omdanning frå postkontor til Post i Butikk ofte gje lengre opningstider. Det blir i meldinga òg sett krav om at Post i Butikk så langt som råd er, blir lagt til stader med god tilgjengelegheit frå eksisterande kollektivtilbod. Eg er òg glad for at komiteen sluttar seg til framlegget om at ei ytterlegare konvertering av postkontor ikkje treng å bli behandla i Stortinget, men kan bli behandla av Omdanning rammar dei tilsette ved postkontora. Det er ikkje teke stilling til kva postkontor som blir lagde ned. Eg er trygg på at Posten vil ha ein god prosess knytt til den omstillinga som må til. Det er i meldinga sett krav om at dei tilsette skal involverast i prosessen, og at mest mogleg skal gjerast for å hindra at dei overtalige blir arbeidslause eller endar opp på trygd. Regjeringa legg stor vekt på at den gode kvaliteten i posttenestene blir vidareført. Det blir difor sett krav i meldinga om at talet på fullverdige ekspedisjonsstader, dvs. postkontor og Post i Butikk, skal vera minst 1 420. Posten ynskjer å oppretta såkalla PiB Enkel, ekspedisjonsstader som berre tilbyr enkelte tenester, slik som pakkeutlevering. Desse til dei stadene der ein tilbyr alle leveringspliktige tenester, og vil difor betre folk sin tilgang til posttenester. Posten satsar òg på å tilby tenester for sikker elektronisk meldingsformidling, Digipost. Eg meiner det så absolutt er ein god idé som støttar opp under Posten si

Eg har late meg imponera av Posten sitt miljøarbeid. Eg har sjølv vore med og delt om pakkar i ein bil med nullutslepp i Trondheim. Det er ein del av Posten sitt mål om å vera leiande innan logistikk og det at dei tenkjer nytt når det gjeld miljø. Eg er glad for at det forsøket dei har gjort der, vil dei òg vidareføra til andre område. Så må eg seia at eg er ein smule overraska over at ikkje heile komiteen synest at det integreringsarbeidet som Posten steller med, er positivt. Det ikkje alle kunne samla seg om, galdt integreringsarbeidet, og det er faktisk 70 nasjonalitetar som er representerte som arbeidstakarar i Posten. Det er som arbeidstakarar i Posten. Det er positivt med auka mangfaldsdel. Eg har merka meg det som fleirtalet i komiteen seier om å følgja det opp, òg i forhold til stab og leiing. Så må eg berre seia til slutt: Vi skal altså ha gode posttenester for alle her i landet, og det er tydeleg at det er eit ynskje som heile Stortinget står saman om. Eg er trygg på at dei tiltaka som det er gjort framlegg om i denne meldinga, vil sikra verksemda til Posten og gje oss viktige tenester òg i åra som kjem. Det blir replikkordskifte. I perioden fra 2004 og frem til

Det er slik at dei selskapa som dei anten er inne i eller har vore inne i, er veldig forskjellige. Dei er ikkje eigna til samanlikning heilt utan vidare. Det er heller ikkje alle disposisjonar Posten har vore like heldig med. Eg er fornøgd – eg er svært fornøgd – med måten Posten Noreg AS blir driven på, og det engasjementet dei har heile tida for å prøva nye område, og òg avkastninga i dei verksemdene dei

«Kleppa-bilene». Det jeg lurer på, er: Er statsråden fornøyd med at det har vært mye utfordringer med det selskapet, samtidig som vi altså ser at det har en omsetning på 199 mill. kr og bare 3 mill. kr i overskudd? Og det kan jo ikke være en del av kjernevirksomheten, siden Slovakia ligger langt utenfor Norden, så vidt jeg ser når jeg leser kartet. Spørsmålet er om statsråden synes at dette er god lønnsomhet, og om hun synes det er fornuftig å fortsette på den måten,

Så til kabotasje og det som har vore reist der frå representanten Hoksrud og andre. Der har Posten nulltoleranse. Det som vart påvist i vinter, har gjort at Posten har gått gjennom alle transportoppdrag i konsernet for å sikra at det ikkje finst brot på kabotasjereglane. Dei har òg skjerpa inn rutinane, slik at dei transporterande som blir nytta på enkeltoppdrag, skriftleg må dokumentera at dei ikkje driv med ulovleg kabotasjeoppdrag. Det er

Men da må vi også gi Posten nye impulser, også på eiersiden. Det settes fram forslag om det her i dag, som sannsynligvis blir nedstemt. Derfor har jeg lyst til å spørre statsråden, som har snakket mye om modernisering av Posten, om hun ikke også ser behov for å modernisere på eiersiden, slik vi har gjort med flere andre statlige selskaper opp gjennom, og gjennom det gi nye impulser til Posten. Posten er jo nærmast i ei særstilling med sjølv å tenkja nytt både i dei verksemdene som dei er inne i for å sikra kjerneverksemda si, og måten dei utfører tenestene sine på.

og ikke gir Posten mulighet til å føre en dialog med statsråden om det antallet som til enhver tid passer? Og hva er det som gjør at statsråden ikke er villig til å føre en dialog med Posten om lørdagsombæringen når den går nedover og nedover og nedover, og dermed er en kostbar tjeneste? Det er viktig for meg å føra ein dialog med Posten om mange spørsmål. Difor er det slik at vi har hatt ei drøfting av kor mange postkontor og kor mange andre tenestestader som trengst. Eg synest at vi har vore konstruktive, lytta til Posten i deira ynske om å gjera om

Kva er strategien for å sikre næringsdrivande i distrikta med den omlegginga som no skjer? Det er slik at ein i eit selskap og i den politiske leiinga og regjeringa kan vurdera dei same spørsmåla på ulikt vis. Eg registrerer med omsyn til postdirektivet at for oss er det viktig å vareta dei vedtaka som vi ynskjer å gjera når det gjeld Posten, innafor dei moglegheitene som er i dag. Vi tek ikkje lett på eineretten på brev under 50 gram, vi vil at portoen skal vera den same i heile landet, og vi tek heller ikkje lett på andre forslag som måtte dukka opp, anten det gjeld laurdagsombering eller andre forslag. Så strategi for næringsdrivande i distrikta. Der trur eg at Post i Butikk Enkel vil supplera andre Post i Butikk, og der òg laurdagsomberinga … Taletiden er dessverre ute,

har. Da må jo meldingen til selskapet være: Hold ut, det er nye eiere på vei! Det er tre strategitilpasninger i meldingen som slik sett er en bekreftelse på det, og også at regjeringen er villig til å foreta endringer, selv om Fremskrittspartiet har en del forslag knyttet til premissene for dem. Men det er jo bra. Der det går et skille i enighet knyttet til meldingen, er hovedstrategien for Posten Norge AS, nemlig dette med å kjøpe opp og gå inn i andre områder. Fremskrittspartiet anbefaler en endret strategi, med tydelig vekt og konsentrasjon knyttet til postområdet og utvikling og fornyelse av dette. og da er oppfordringen til eieren å sørge for at det utviklingsarbeidet og nytenkningsarbeidet som Posten faktisk for lengst har tenkt, blir brukt av eier i en bredere sammenheng, når også eier har sagt at vi alle sammen skal bli digitale i postomgangen.

kontroll- og konstitusjonskomiteen i slutten av april i år behandlet en innstilling som var knyttet til forvaltning av statlige selskaper for 2010, og jeg siterer en komitéuttalelse: «Komiteen viser til at høy lønnsomhet var en viktig forutsetning for den ekspansjonen som fant sted i Posten-konsernet i perioden Oppfølgingen viser at de nye post- og logistikkvirksomhetene i Posten-konsernet fortsatt ikke har oppnådd en tilfredsstillende lønnsomhet, og at Postens IT-investeringer og investeringer i Bring Citymail så langt har påført konsernet betydelige tap.» «Komiteen» – og det er fortsatt en samlet komité – «ber om at departementet i sin eierstyring presiserer

ved utgangen av den perioden – 2010–2011 – er kommet under halvparten av virksomheten i Posten Norge. Vi mener det er grunn til å endre den strategien, og vi mener det også er mulig å gjøre det uten at det må bringe store uheldige virkninger i Postens samlede resultat. Derfor er det naturlig å avslutte med Digipost, for det viser evnen og viljen til nytenkning innen det tradisjonelle området, og mer tilknyttet kjernevirksomheten til Posten. Det tror vi er en mer fornuftig strategi å følge fremfor å kjøpe opp transportselskaper og fremfor å kjøpe opp IT-selskaper. Til slutt kan jeg også nevne – siden jeg var innom omtalen av innstillingen knyttet til statlige selskaper for 2010 – at det var med en hale med referanser til tidligere komitémerknader som kontroll- og konstitusjonskomiteen også har hatt med. Der avsluttes det med at saken følges videre. Det er altså ikke bare Fremskrittspartiet, men også en samlet kontroll- og konstitusjonskomité, som har et kritisk blikk på den store oppkjøpsvirksomheten som Posten Norge AS har gjennomført.

med tilfredshet at selskapet har endringsvilje. Det er godt å høre, for i innstillingen etterlyser Fremskrittspartiet en mer ansvarlig og framtidsrettet eierskapsforvaltning, og mener at Posten Norge ikke tar inn over seg samfunnsendringer. Det er bra at de tydeligvis mener noe annet nå. Når det gjelder implementeringen av det tredje postdirektivet og enhetsportoen, sier Fremskrittspartiet at det skal de ordne med statlig kjøp. Jeg tviler på, om en slik sak ville gått i EFTA-domstolen, at de ville godta at den norske stat går inn med statlig kjøp for å ivareta enhetsportoen. Jeg ville tro at de ville oppfattet det som konkurransevridende. I tillegg må jeg vise til en rapport som Fremskrittspartiet og Høyre også viser til, nemlig en rapport fra Oslo Economics som har tittelen Leveringsplikt på postområdet, som ble utarbeidet i 2010. Leveringsplikt på postområdet, som ble utarbeidet i 2010. De konkluderer med at EU-direktivet om postliberalisering sier at EU-landene ikke kan opprettholde enerett på postnettet etter 1. januar 2011. Det er det som står i den rapporten. Til slutt en liten visitt til Myraune og historiebeskrivelsen. Han snakker om hvor vellykket det private postmonopolet som startet i 1647, var. Det var så vellykket

Men det vi er mer kritiske til, er det med samfunnsansvaret og hvorvidt det er et behov for at det fortsatt skal være 100 pst. under statlig kontroll, når vi ser at de andre virksomhetsområdene er de virksomhetsområdene som man utvikler og utvider i form av bl.a. logistikk og transport. Jeg utfordret statsråden på – og jeg registrerte at hun ikke ville svare på det – om hun visste at bilene til Blomquist Trucking, som blir drevet i Slovakia, og Posten Norge skriver i sitt svar til oss at kjerneområdet er Norden, blir kalt «Kleppa-biler» både i Norge, Sverige og Danmark, fordi man opplever at det er en del utfordringer med de bilene. Jeg stiller meg spørsmålet: Er statsråden fornøyd med 3 mill. kr i overskudd, av en omsetning på 199 mill. kr? 3 mill. kr i overskudd og 199 mill. kr i omsetning på noe som åpenbart ikke er

Då synest eg at sidan dei her har innseiingar, dels på detaljnivå, skulle dei vore fornøgde med at Posten Noreg er eit statleg selskap, som blir følgt tett gjennom den måten som selskapet er organisert på. Dei skulle òg i sine svar vore fornøgde med at dei har høyrt at hovudsatsingsområdet for for Posten Noreg er Norden, og særleg Noreg, noko som sjølvsagt ligg i vedtektene frå før. Eg har ikkje høyrt namnet på desse bilane før. Eg set pris på Bård Hoksrud sitt engasjement når det gjeld ulike sider av transportsektoren. Til tider synest eg at både departementet og regjeringa blir tildelte noko misvisande opplysningar frå Hoksrud på hans ferder rundt omkring i landet, f.eks. når han seier at det ikkje skjer noko på samferdselssektoren. Det skal eg ikkje dra inn her, men eg håpar han har merka seg med tilfredsheit det miljøengasjementet som Posten har, at dei faktisk er gjennomførte òg på det området. Så må eg berre seia til slutt at eg er veldig glad for det breie fleirtalet som står bak den måten Posten er organisert på i dag. Eg skal lova både Sortevik og andre at vi skal følgja Posten Noreg tett òg framover. Vi er glade for at vi har eit felles engasjement i selskapet og i departementet for gode posttenester i heile

aldeles ikke. Men det var referert til fellesskapstanken, som ble etablert i Europa, og som vi burde vært en del av. Derfor mener vi også som grunnlag for det at vi kan være med på et europeisk postdirektiv. Vi tror ikke katastrofen kommer over Norge av den grunn. Jeg skal være veldig kort jeg også. Dette er til representanten Hoksrud, som

Da er neste taler ikke overraskende Bård Hoksrud. Representanten Bård Hoksrud har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg skjønner at både statsråden og andre har store behov her, for statsråden var inne på at jeg mente at det ikke skjedde noe. Ja, det skjer ikke veldig mye, har jeg sagt – 11 km motorvei, som de åpnet for 2012 for litt siden. siden. Jeg synes ikke det er veldig mye når vi ser hva naboland og andre gjør. Så synes jeg faktisk det er godt at man kan ha to tanker i hodet på en gang, tre er også veldig bra, men det er jeg litt redd for nå, for det er jo kinderegg, og det har de sagt at er noe de ikke vil at vi skal fortsette med. Men jeg synes det har vært en bra diskusjon og en god debatt, og vi er uenige i noe, men vi er faktisk ganske enige om veldig mye når det gjelder Postens virksomhet. Jeg tror aldri vi har vært vi har vært mer enige enn det vi er nå. Vi har vært mye mer uenige i de tidligere debattene, i hvert fall forrige gang vi debatterte, bl.a. om banktjenester og andre typer ting. Jeg synes det er bra at man opprettholder bankplikten når det gjelder landpostbud, men at vi har fått det bort på de andre tingene. Det synes jeg er veldig bra. Det viser at vi går i riktig retning, både selskapet og stortingsflertallet, eller egentlig hele Stortinget.

som får som konsekvens en helt annen posttjeneste i Norge – en posttjeneste som kanskje ikke når ut til alle, eller som koster staten svært mye i oppkjøp, som gjør at private kan skumme fløten i de sentrale områdene, og staten må subsidiere resten. Apropos det tenkte jeg på et sitat som Høyre bruker veldig mye for tiden – «mennesker, ikke milliarder». milliarder». Det er godt å diskutere litt politikk igjen, for nå kommer milliardene fram. Nå blir det milliarder, ikke mennesker, og det er jo det som er høyresidens egentlige politikk – milliarder, ikke mennesker. Når Høyre har pyntet seg for Kristelig Folkeparti, snakker en mer om mennesker og ikke om milliarder, men realiteten er altså det motsatte. Synd at ikke representanten Hareide er i salen, for jeg jeg frykter at Kristelig Folkeparti er villig til å selge denne politikken. Når representanten Hareide sier at han ikke mister nattesøvnen av dette, skremmer det meg litt. Det betyr at en er klar til å forhandle vekk eierskap i Posten og andre statlig eide selskaper som har viktige samfunnsfunksjoner. Her skiller vi lag. Dette er en del av vår velferdstankegang og velferdsstatstankegang, som ivaretar fellesskap og like tjenester til befolkningen. Jeg synes også det er fryktelig gøy, i likhet med representanten Langeland, å høre Høyre og Fremskrittspartiet snakke om kabotasje og sosial dumping. Jeg håper det også gjør seg gjeldende når de diskuterer øvrige arbeidslivsspørsmål. Jeg er ikke så sikker på at realiteten er det når det kommer Så sies det at Posten viser endringsvilje. Hvorfor skal en privatisere da, hvis en er så fornøyd med Posten? Hva er vitsen, hva er poenget? Til slutt og som et viktig poeng her: En har brukt mye tid i merknadene på å skrive om fortiden og bruke eksempler som er flere århundrer gamle, fra et samfunn som vi garantert ikke vil tilbake til. Så mens høyresiden her ser bakover, ser vi altså Jeg satt og tenkte at kanskje skulle Freddy de Ruiter ha holdt seg allikevel, for det han bega seg inn på nå, var å beskrive den politikken som to store partier i denne salen har intensjon om å føre stortingsvalg. Det viste han til fulle at han kan veldig lite om. Det dreier seg altså ikke om det som han anskueliggjorde med full tyngde, nemlig den frykt for privatisering, eller for det private element i alt som måtte være offentlig, som blir uttrykt til stadighet – en privat allergi, har vi kalt det. Det er ikke det det dreier seg om. om. Det dreier seg om å modernisere statsinstitusjoner, forbedre tilbudet, slik at forbrukerne og de som skal ha tilbudet, får bedre tjenester. Det er det det dreier seg om. Og så dreier det seg om å gi selskaper som skal yte disse tjenestene, best mulig vilkår for å kunne yte dem. Det er det det dreier seg om. Og hvis noen er i tvil om fortsettelsen, så følg med, følg med etter 2013! Jeg skal være veldig kort, men jeg må si at man blir jo ikke overrasket over representanten de Ruiters innspill. Det er altså Fremskrittspartiet og Høyre det er noe galt med. er vel ikke slik at det er veldig mye galt med landets statsminister også? For han har nøyaktig det samme synet som disse to partiene på at vi skal innføre postdirektivet. Er det der problemet ligger? Posten kom til Norge i 1647. Da var Norge et protektorat underlagt Danmark. Vi ble i union med Sverige i 1814. 1814. Skal vi fortsette å diskutere privat eller offentlig, er det faktisk slik at det er helt andre nasjoner som har bestemt dette for Norge, og ikke Norge alene, på det tidspunktet som vi snakker om. Jeg vil bare kort gjenta både til statsråden og kanskje spesielt til representanten Freddy de Ruiter at det var en samlet kontroll- og konstitusjonskomité som i

så de er jo enig i dette. Jeg har lyst til å gjenta den siste delen av en av de to innledende merknadene der: «Komiteen ber om at departementet i sin eierstyring presiserer viktigheten av at aktivitet som ligger utenfor landet eller utenfor Postens kjernevirksomhet skal bidra til å styrke kjernevirksomheten, enten ved å skape overskudd eller synergier.» Alle partier har hatt grunn til å komme med den merknaden. Det har vært en bekymring. Det er altså en bekymring som Fremskrittspartiet ikke er alene om i denne innstillingen, men som alle de andre partiene deler, også representanten de Ruiters parti. Dette med å presisere kjernevirksomheten er viktig, kanskje spesielt viktig når vi har hørt på svarene som er kommet knyttet til det å drive transportvirksomhet langt nede i EU-land. Det er et godt stykke derfra til kjernevirksomhet for Posten i Norge.

Til Høyre: La det være helt klart at vi kommer til å fortsette å diskutere ideologi, vi kommer til å diskutere virkningene av et samfunn som har offentlige velferdsordninger kontra det å privatisere. Det blir et viktig tema fram mot valgkampen. Jeg registrerer at Høyre ikke har så lyst til å snakke om det, men det skal vi selvfølgelig snakke mye om, for det er viktig for velgerne, og det er viktig for bl.a. de ansatte i Posten. Så til Høyre som sier at vi har «privat allergi». En kunne jo snu på det og si, som sant er, at Høyre tydeligvis har offentlig allergi. Jeg tror ikke det blir noe meningsfullt å diskutere hvem som har allergi mot hva, men det som er meningsfullt, er å diskutere hva som fungerer bra. Vi har en norsk modell med et blandet eierskap, med en blandingsøkonomi, med en velferdsstat som de aller fleste er ganske fornøyd med. Hvorfor tukle med den? Når en må flere hundre år tilbake i tiden for å komme med eksempler, sier det jo litt om hvor lite en har å fare med i denne debatten. En er enig i målsettingene, men fryktelig uenig i virkemidlene. Vårt poeng er at hvis en gjennomfører Høyres og Fremskrittspartiets politikk på dette området,

jeg har sju saker senere i kveld! Jeg synes dette er en interessant debatt, og jeg skal være den siste til å stå på talerstolen og si at representanten de Ruiter ikke vet noen ting. Jeg tror utfordringen er at han faktisk vet for mye på enkelte områder. For når representanten de Ruiter kan stå på talerstolen i det norske storting og si at statsministerens politikk vil føre til en radering av Posten i Norge, mener jeg at det er oppsiktsvekkende at statsministeren skal få det av sine egne på denne måten. Så har jeg en følelse av at når representanten de Ruiter og andre snakker om Posten eller andre endringer i offentlige institusjoner, er det institusjonene man snakker om. Man snakker overhodet ikke om mulighetene for kanskje å få noe bedre tjenester, at man kanskje kan bli litt mer effektiv, at man kanskje kan få noe mer ut av de bevilgningene og milliardene som offentlig sektor har til disposisjon. Man glemmer dem som sitter på den andre siden av bordet og skal motta enten posttjenester, helsetjenester, skoletjenester eller transporttjenester. De betyr ingen verdens ting. Det man dekker seg under når man bruker den typen argumentasjon som de Ruiter og andre gjør, er at det alltid blir snakk om sosial dumping og elendige forhold for ansatte i privat sektor. Jeg kommer fra privat sektor. Heldigvis er det fortsatt sånn at det er flere – i hvert fall ennå – som jobber i privat sektor enn i offentlig sektor. Men med de Ruiters politikk vil det gå ganske raskt til vi får flere ansatte i offentlig enn i privat sektor. Poenget er at folk som jobber i privat sektor, gjør en betydelig innsats. Uansett om de har kommet fra en offentlig institusjon og over i privat sektor, gjør de en god jobb. Men det gidder man ikke å snakke om. Når man står for den typen ideologi som de Ruiter gjør, er man så opptatt av den at til og med statsministeren er en fare for landet. Det glemmer man. Arbeiderpartiet har stått for historiens største privatisering i Norge. Det

Men det har vært litt forskjellige virkelighetsoppfatninger, og det er det helt sikkert i representanten Sandbergs parti også. Så var det en påstand som jeg nesten må svare på, for det ble sagt at hvis de Ruiters ideologi hadde blitt realisert, ville det bare vært ansatte i offentlig sektor. Det er en av de merkeligste påstandene jeg har hørt på lenge. For å ta litt statistikk: Det er fra 2005 og fram til i dag skapt 300 000 nye arbeidsplasser i Norge. Godt og vel 200 000 av disse er skapt i privat sektor, og i underkant av 100 000 er skapt i offentlig sektor. Tallene taler for seg.

oppdrag å følgja opp, fordi det høyrest for meg ut som om den merknaden, slik han er skriven, er i tråd med den måten vi allereie følgjer opp Posten på. Men når eg fyrst har ordet: Representanten Sandberg svingar seg til dei store høgder, der han faktisk presterer måten regjeringa organiserer posttenestene i desse dagar på, er utan tanke for dei som tek imot tenestene. Då må eg for det fyrste seia at Posten si satsing på Digipost ser eg på som ei stor moglegheit til å tenkja på fleire av dei som tek imot dei tradisjonelle posttenestene, for dei som vil nytta seg av det, får ein grøn postkasse rett inn i stova. Det er mitt ynskje at langt fleire sluttar seg til bruken av Digipost. Når det gjeld Framstegspartiet sin omtanke for dei som på ein eller annan måte måtte ha som på ein eller annan måte måtte ha trøbbel med å få del i Posten sine tenester, kan eg ikkje seia at den omtanken er så overdriven i Framstegspartiet sine merknader. Det er slik at dei som har lang veg til bank – la fare hen, la gå. Det å leggja banktenester til landpostbodrutene er uaktuelt for Framstegspartiet. Det går dei imot,

ganger før man viderefører, for det er en utfordring. Så hører jeg at de Ruiter igjen – ikke for første gang, og sikkert heller ikke for siste gang – sier at Arbeiderpartiet nå har etablert 200 000 arbeidsplasser i privat sektor. Arbeiderpartiet har ikke etablert en eneste arbeidsplass i privat sektor – ikke en halv en engang, ikke en deltidsstilling engang. Det har privat sektor klart Men denne regjeringen har gjort sitt absolutt beste for at det ikke skal bli for mange ansatte i privat sektor. Det er en utfordring. Og det er fakta. Men at Arbeiderpartiet kan få lov til å skryte på seg 30 000–40 000–50 000 nye ansatte i offentlig sektor – ja, det skal de få lov til å gjøre, for det er riktig. Fremskrittspartiet tror faktisk at det går an å etablere arbeidsplasser i privat sektor som kan utføre de samme oppgavene og tjenestene som man gjør i offentlig sektor. Da er det viktigste for oss at det er det som leveres, som har kvalitet, at de som ikke hva Arbeiderpartiet eller LO måtte mene med hensyn til ideologi, fordi man har allergi mot at andre skal få lov til å utfordre og stille på startstreken og konkurrere. Det er jo det Arbeiderpartiet og denne regjeringen ikke er interessert i, og det vil på sikt skape vanskelige forhold som vi kanskje ser antydninger til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

utbygging av E16 på strekningen Føhnhus–Bagn. Dagens vei er både smal, bratt og har mye svinger, så dette vil være viktig også for trafikksikkerheten på veien. Utbyggingen av E16 Fønhus–Bagn i Sør-Aurdal kommune er første etappe av den planlagte ubyggingen av E16 mellom Fønhus og Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner. Det er en enstemmig komité som slutter seg til utbyggingen, men som innstillingen viser, er det uenighet om hvordan veien skal betales og hvilken veibredde den skal ha. Partiene SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og mens Fremskrittspartiet foreslår at hele veien skal finansieres med full statlig finansiering. Jeg regner med at de andre partiene vil redegjøre for sitt syn på saken, og jeg vil derfor benytte resten av mitt innlegg til å redegjøre for Fremskrittspartiets syn i saken. Det høres tilforlatelig og veldig flott ut at dette er et spleiselag mellom staten og bilistene. Det er da verdt å merke seg at denne saken til fulle viser hvor håpløst dyrt det er å bygge veier på avbetaling. Utgangspunktet for denne strekningen er at det vil koste 420 mill. kr å bygge ut veien, og i proposisjonen kommer det fram at staten skal bevilge 200 mill. kr, og at bilistene skal betale 200 mill. kr. Men i tillegg til dette skal bilistene betale ca. 180 mill. kr i renteutgifter og 45 mill. kr for å kreve inn pengene over en 15-årsperiode. Det betyr at bilistene i realiteten skal betale inn for å betale en vei som det koster 420 mill. kr å bygge. Dette betyr altså at et prosjekt til 420 mill. kr koster samfunnet 645 mill. kr. Det viser til fulle galskapen denne måten å finansiere veibygging på er. Med denne måten å finansiere veibygging på er det ikke rart at det tar lang tid å bygge ut veinettet i Norge. Når man ser på utbyggingen av veibredden som proposisjonen legger opp til at veien skal bygges ut bygges ut som, viser jo det også til fulle at dagens regjering ikke har lært noe som helst av feilene de selv, med statsråd Meltveit Kleppa i spissen, mange ganger har kritisert forgjengerne våre for i denne sal: Man bygde for 40 år siden så smale veier at det er grunnen til at vi ikke kan bygge ut mer midtdelere raskere. Med dette som bakteppet hadde jeg virkelig håpet at regjeringen hadde kommet på bedre tanker, men i proposisjonen legger man opp til en til en veibredde på 8,5 meter. Det betyr at hvis det skulle vise seg at det kommer til å skje ulykker på den nye veien, har man ikke mulighet til å sette opp bl.a. midtdelere, fordi man har bygget veien for smal. Det burde jo være en forutsetning at når man bygger ut nye riksveier, må de bygges med en standard som sikrer muligheten til trafikksikkerhetstiltak, og som gjør at veien er dimensjonert for fremtiden. For ingen vet hva det vil koste å gjøre dette en gang i fremtiden, men alle vet På meg virker det som at man, når man bygger ut slike prosjekter, ser først på: Hvor mye kan bilistene flås i bompenger? Så ser man på hvor mye penger man er villig til å putte inn fra statens side, og så bygger man veien ut fra det. I stedet burde man si: Hvilken standard skal vi ha på en fremtidsrettet vei? Og så bygger man en sånn vei. Jeg hadde håpet at statsråden og regjeringen hadde lært av forgjengerne sine for 40 år siden, men dessverre vil vi nok litt senere i dag se at det ikke er tilfellet. Men for både meg og Fremskrittspartiet er det en gledens dag hver gang vi i denne sal fatter vedtak om å rulle ut asfalt i stort monn og bygge ut og utbedre veiene våre. Så får vi satse på at man etter valget i 2013 får en annen regjering som vil være fremtidsrettet med tanke på veibredde og standard, og at vi kan få stoppet bompengeiveren og den dyre måten dette er å bygge veier på i dette landet. Jeg vil ta opp Fremskrittspartiets forslag i saken.

Fønhus–Bagn er første trinnet på utbygginga mellom Fønhus og Bjørgo, og det er ei etterlengta og nødvendig utbygging. Vegen har ikkje på nokon måte tilfredsstillande standard ut frå trafikkmengd og funksjon som riksveg mellom Austlandet og Vestlandet. Vegen er bratt, smal, svingete og ikkje minst rasutsett på Her har gått ras som har stengt vegen, og på strekninga slit ein ikkje minst med den store delen tungtrafikk som ferdast mellom Austlandet og Vestlandet. No blir det omlegging og utbetring av eksisterande veg til tofelts veg med 8,5 meters vegbreidd. På eit rasutsett parti ved Bergsund skal det byggjast ein om lag 650 Prosjektet omfattar vidare bygging og ombygging av fleire kryss, bruer og undergangar, etablering av busslommer og kjettingplass. I tillegg kjem omlegging av fleire avkøyrsler og tømmervelteplassar og gjennomføring av støytiltak. Så dette vil bli bra. Eg vil understreke at det blir viktig å få nødvendige planavklaringar og vedtak for det andre mellom Bagn og Bjørgo så raskt at utbygginga mellom Fønhus og Bagn blir gjord samanhengande. Det er òg i tråd med den uttrykte viljen regjeringa har for å få raske, samanhengande utbyggingar av vegprosjekt. I proposisjonen seier òg departementet at dei vil arbeide for at utbygginga av heile strekninga skal skje mest mogleg kontinuerleg. Eg har tillit til at det vil skje.

Men svært ofte slit tungtransporten med bratte, tronge, svingete og glatte parti. Tungtrafikken utgjer 13 pst. på denne strekninga, noko som gjer behovet for utbygginga stort, ja, større enn om ein berre ser på døgntrafikken eller årsdøgntrafikken åleine. Det har vore god butikk for bilbergingsverksemder i Opprustinga av fjellovergangen over Filefjell går no føre seg for fullt, noko som vil styrkje regulariteten ytterlegare. I NTP var det lagt opp til at to vegprosjekt skulle finansierast over eigen post på statsbudsjettet. Det er E6 vest for Alta, og det er strekninga Øye–Borlaug på E16. Det viser òg viljen til å få gjort noko med denne Det er ei form for prosjektfinansiering. Prosjektfinansiering er ikkje synonymt med privat forskottering, slik som nokon synest å tru. Det er å få oppfinansiert prosjekta fullt ut på ein slik måte at utbygginga kan skje så raskt og effektivt som det teknisk-praktisk lèt seg gjere. Det kan så absolutt gjerast med statlege midlar og bompengar. Svinesundbrua og Bjørvikatunnelen har eigne postar på budsjettet,

fordelt med 220 mill. kr til å dekkje delar av investeringskostnadene, om lag 180 mill. kr i netto renteutgifter og 45 mill. kr til innkrevjingskostnader. Så høyrer eg på Bård Hoksrud at Framstegspartiet køyrer si innøvde lekse mot bompengar. Men uansett må nokon betale for vegutbygging. Det er det norske folk, anten ein gjer det over skattesetelen eller ved delvis Det som skjer ved delvis bompengeinnkrevjing, er at bilistane som bruker vegen, betaler ein noko større del enn dei som ikkje bruker vegen. Så kan ein sjølvsagt reflektere over kor rettferdig eller urettferdig det er.

å komme med bompengeproposisjoner, og særlig sent på året før vi går fra hverandre om sommeren. Men vi greier å få det gjennom hver gang. Og vi er i store trekk enige om det som står. Men litt malurt må vi få lov til å ha oppi begeret. Og det knytter seg til en merknad og to som vi har i saken, nemlig at vi mener at når man tar dette løftet og gjør dette grepet som skal gjøre veien bedre framkommelig og sikrere, velger man altså å ikke bygge veien så bred at det kan settes opp midtdeler på et senere tidspunkt. Det synes jeg man burde ha tatt høyde for. Jeg synes også at man burde tatt høyde for at trafikkveksten nesten alltid i norske veiprosjekter blir større enn de prognosene som legges til grunn, og så kommer vi borti den problemstillingen som Hoksrud var innom. Det er på en måte en litt gammeldags måte å gjøre ting på – vi bygger på fortidens utvikling og ikke på prognosen og utviklingen som vi ser framover. Av og til lurer jeg på: Hva skal vi gjøre her i Stortinget for å få en endring på dette regimet? Jeg er ikke så sikker på om det bare er statsråden som er problemet her; jeg tror det går langt nedover i etatene. Det får meg til å tenke at når vi hadde en nokså enhetlig og felles strategi for jernbane i denne salen, så sa vi gang på gang at nye jernbanestrekninger i Norge skal bygges for 250 km/t – og til slutt så ble det sånn! I det siste prosjektet som nå er lansert, er det blitt sånn. Så jeg tror vi må samle oss i Stortinget og si at vi må planlegge for framtiden og ikke for den utviklingen vi har sett i fortiden. Så tror jeg også at vi kunne gjort dette atskillig smartere ved å benytte prosjektfinansieringsmetoder, og da snakker jeg ikke om prosjektbudsjetteringsmetoder. For prosjektfinansieringsmetoder vil si at man fastsetter prosjektets rammer tidspunkt for start, tidspunkt for slutt, og man gir et selskap ansvaret for å bygge ut og velge de metodene man ser er hensiktsmessig. Det er prosjektfinansiering – enten det er private som eier selskapet, eller det er et statlig I utgangspunktet har ikkje SV noko imot å diskutera andre løysingar med stortingsfleirtalet, som me gjorde når det gjaldt jernbane, då me samla Høgre og dei andre partia i eit breitt fleirtal. Det kan me òg gjera når det gjeld trafikksikkerheit, viss ein meiner at det kan koma noko godt ut av det. Men eg trur hovudpoenget her er den økonomiske pengane. Høgre har sjølv hatt finansministeren, og då var det jo veldig lite pengar til vegar, i motsetning til når SV er i regjering – då er det mykje pengar til vegar! Dette kan jo òg ha noko med politisk prioritering å gjera, sidan denne regjeringa oppfyller Nasjonal transportplan til punkt og prikke, i motsetning til den regjeringa som Halleraker har vore ein del av. Men eg er som sagt open for ein diskusjon, og for eit breitt fleirtal, viss me trur at me kan få til noko anna som på ein måte endrar kursen. Eg trur alle parti er opptekne av at det skal vera trafikksikre vegar i landet, men me kan ikkje innbilla oss at Noreg kan ha midtdelarar overalt. Eg trur mange heller fyrst vil ha gule striper og betre veg – og det er det dei får. No får dei altså ei utbetring av ein vegstubb med rassikringsproblematikk, svingar og trafikkulykker. Dette gjer me no noko med, saman med bilistane

dette er ei god sak, dette er bra for transporten i dette området mellom Vestlandet og Austlandet. Så lykke til med vegen! Jeg er

sine merknader, er helt riktig: «God transportinfrastruktur er en forutsetning for et velfungerende og moderne land der folk, varer og tjenester raskt kan forflytte seg dit det er størst behov.» Og: «at det for Norge som eksportnasjon er særlig viktig med gode veiforbindelser mellom landsdelene og videre til kontinentet.» Da gjeldende transportplan ble lagt fram i 2009, Mens prosjekter i Valdres i den foregående NTP-en ikke engang ble nevnt, har denne regjeringa – med senterpartistatsråder i Samferdselsdepartementet – gitt denne viktige ferdselsåren prioritet. Strekninga Fønhus–Bagn vil med dagens vedtak være ferdig utbedret innen årsskiftet 2014–2015. Arbeidet starter med strekninga Fønhus–Bagn. Veien har ikke tilfredsstillende standard ut fra trafikkmengde og funksjon som Årsdøgntrafikken er ikke så høy, men veien har en stor andel tungtransport. I tillegg er Valdres en av de største turist- og hyttedestinasjonene i Norge, noe som fører til betydelig trafikkøkning i helger og høytider. Når en i tillegg legger til at veien på strekninga er smal, og at det flere steder ikke er midtoppmerking, sier det seg sjøl at veien per i dag ikke er maksimal når det gjelder trafikksikkerhet. Jeg tror også at flere enn meg husker oppslagene etter rasene som gikk høsten 2009, der steinblokker på størrelse med mindre biler kom deisende ned på veien ved Bergsund. Heldigvis ble ingen skadet, og regjeringa fikk på plass midler til opprensking og sikring. Men når vi har vedtatt denne proposisjonen i dag, kan arbeidet med å bygge en tunnel starte på denne strekninga, gjennom den

Sør-Aurdal er ikke den eneste kommunen i Norge som vil få en bomstasjon midt i sin kommune, men dette er, så vidt jeg vet, den eneste kommunen i landet som ikke har noen omkjøringsveier. Det betyr en stor belastning på lokalbefolkninga. Den belastninga tar de, men for å lette situasjonen noe får de et tak på antall passeringer. All honnør for konstruktiv jobbing! Det koster å bygge veg i dette landet. En strekning som Fønhus–Bagn innebærer et stort løft for fellesskapet. Men det skjer altså i et spleiselag med bilistene som skal dra direkte nytte av veien. Når vi vet hvilke innsparinger en forbedret veistrekning innebærer når det gjelder tid, framkommelighet og risiko for menneskelige lidelser, er jeg sikker på at dette er en riktig og god prioritering. Jeg veddet i sin tid barten til ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal på at utbygginga av denne strekninga skulle være igangsatt mens han fortsatt var ordfører,

Dette prosjektet er ei viktig oppgradering på ei særs viktig transportrute mellom Aust- og Vestlandet. Utbygginga vil betra ein del av hovudfartsåra gjennom Valdres og er knytt til den mest robuste fjellovergangen vi har mellom Aust- og Vestlandet. Strekninga har i dag både redusert hastigheit på fleire punkt og eit og har fleire uoversiktlege utkøyrsler frå bustader og sidevegar. Strekninga er på om lag 23 km og skal byggjast ut til to køyrefelt. For å sikra trafikantane mot ras blir vegen lagd gjennom ein tunell på 650 meter forbi dei rasutsette partia. Vegen skal òg etablerast med trygge utkøyrsler og kryss, nye bruer og og tiltak for støyskjerming. Vegen vil nokre plassar leggjast i ny trasé. Strekninga er fyrste del av utbygginga Fønhus–Bagn–Bjørgo. Regjeringa legg opp til at utbygginga av strekninga Fønhus–Bagn skal starta til hausten dette året og stå ferdig ved

vore gjenstand for eigne drøftingar lokalt. Det var viktig å ta omsyn til dei som ikkje har nokon omkøyringsvegar, som må køyra denne vegen kvar dag – difor dette taket på 40 passeringar og rabatt ved bruk av elektronisk brikke. Så blir det lagt opp til at bomstasjonen blir flytta frå plasseringa ved Kopervik når strekninga

dette mogleg. Det er òg frå lokalt hald denne modellen med passeringstak har kome og vorte følgd opp. Lat meg nytta høvet i dag til å takka Stortinget for den raske behandlinga – det har eg alt gjort – og gratulera befolkninga og trafikantane i Valdres, og spesielt Sør-Aurdal, med ein ny veg.

folk at det er viktig med skikkelig trafikksikkerhet, og at man må ha mulighet til å få opp midtdelere hvis det skulle bli behov for det? Vi får håpe at behovet ikke kommer. Men hvorfor fortsetter vi å bygge smalt og fortsetter å gjøre de feilene som vi gjorde for 40 år siden? Er ikke statsråden enig? Hva skal til for at statsråden vil være med på å sørge for at europaveiene våre – selv om de nå heter riksveier – får en skikkelig standard? Eg synest faktisk det er svært viktig – får en skikkelig standard? Eg synest faktisk det er svært viktig å få realisert ein breiare og betre veg enn dagens på denne strekninga. Han var planlagd og klar. Den neste er under planlegging, slik at vi kan få samanhengande utbygging på nokre av dei verste strekningane på E16. Når årsdøgntrafikken på strekninga i dag er meiner eg at ein breiare veg enn 8,5 meter vil, slik som vegnormalen seier, innebera ein årsdøgntrafikk på over

Mitt spørsmål gjeld det statsråden tok opp i sitt innlegg. Her er det ei kalkulert rente på 6,5 pst. Som òg statsråden sa, tyder alt på at det her vil bli ein lågare sats enn 6,5 pst. rente som ligg til grunn. Det vil seie at prosjektet i realiteten er billegare enn det det har framstått som. Jobbar statsråden no bevisst

inklusiv finansiering, kost–nytte og mykje anna. Så svaret på det er: Ja, vi ser på ulike sider og ser fram til å få ein debatt i samband med NTP om

Det er altså de viktigste blant statens veier. Er det ikke da et tankekors at vi bygger så smalt som vi faktisk gjør? Dessuten bygger vi i to etapper – det skal man la ligge, det er jo idiotisk nok i seg selv, hvis det kan brukes som et parlamentarisk uttrykk, iallfall er det litt kronglete og ekstra dyrt. Men er det ikke et tankekors at vi fortsatt driver og bygger de viktigste statlige veier med svært svært smal veibredde? Vi har sett flere eksempler, og vi har pekt på dette i en sak vi hadde til behandling for ikke lenge siden. Vi ønsker å se på bredden for europaveier. Vil statsråden være med på det? Europavegane våre er veldig forskjellige og har årsdøgntrafikk. Eg kan ikkje med min beste vilje sjå at det er rett veg – bokstaveleg talt – å gå, slik Framstegspartiet vil – å samanlikna vegar og seia at fordi det står ein E framfor, skal breidda vera lik. I dette tilfellet måtte vi, viss det var snakk om ei utviding, måtte vi, viss det var snakk om ei utviding, både laga ny reguleringsplan, ny byggjeplan, nye grunnundersøkingar, og nytt areal måtte ervervast, altså eit og eit halvt år ekstra på ei strekning som det hastar mykje med å få utbetra. Eg er veldig glad for at vi er der vi er i dag, og at vi kan setja i gang med arbeidet til hausten.

Hun har åpnet for at man kan unnvike eller ikke følge veinormalen, når man f.eks. skal sette opp midtdelere. Her er det snakk om, for å følge opp det statsråden sier, at man kunne utvidet veien med halvannen meter. Det er veldig lite. Det koster veldig lite å gjøre det nå, men det vil koste enormt mye å gjøre det hvis man skal gjøre det i etterkant, fordi det skjer flere ulykker. Jeg synes det er trist at det eneste man er opptatt av, er årsdøgntrafikk og at det er stor forskjell på europaveiene. Jeg synes det

Det er to ting. Jeg ble gjort oppmerksom på at det på side 2 i innstillingen står: «Flertallet er tilfreds med at man får realisert en god og trygg vei på strekningen Fønhus–Bagn på E18 Dette gjelder E16. Det er litt viktig at man passer på det. I mitt første innlegg slo jeg visst av litt for kjentfolk. Jeg slo litt av når det gjelder bompengene – det var iallfall ikke på det statlige beløpet. Jeg sa men det skal være 220 mill. kr i bompenger og 200 mill. kr i statlige bidrag. Det er 225 mill. kr som vel er det man skal betale i innkrevingskostnader og renteutgifter. Så totalt blir det fortsatt 645 mill. kr – for en vei som koster 420 mill. kr å bygge. Dette er dårlig økonomi. Det er jo synd at vi låner ut penger til pst. til andre land, så de kan bygge både motorveier og andre ting – og kanskje de til og med låner ut pengene til bankene sine, som kan låne dyrt ut til norske bompengeselskaper, og på den måten flå bilistene i Norge. Jeg synes det er en dårlig løsning. Men jeg er kjempeglad for at vi får på plass en veiløsning, og at man får på plass denne utbyggingen. Det skulle selvfølgelig vært gjort helt uten bompenger, Men jeg er kjempeglad for at vi får på plass en veiløsning, og at man får på plass denne utbyggingen. Det skulle selvfølgelig vært gjort helt uten bompenger, med kun statlig finansiering. Det ville vært det beste. Det ville ikke minst vært samfunnsøkonomisk veldig bra – ikke minst for alle innbyggerne som bor der, som nå må betale en ekstra høy skatt i form av Eg registrerer at Framstegspartiet vil ha eitt til eitt og eit halvt års utsetjing av denne vegen. Det kan eg ikkje gå god for. Eg er svært glad for at vi i dag er ved det punktet at vi kan seia at vi begynner med ei utbetring av denne vegen til hausten. Eg må nok seia at

til, som gjorde at vi fann ei løysing som ein godtek lokalt. Bård Hoksrud rører ved noko som er svært viktig, og det er å byggja framtidsretta. Det gjer vi. Det må vi gjera frå veg til veg – bokstaveleg talt. Så kan det vera ulike syn på kva som her er det mest framtidsretta, anten å byggja ut frå dei planane og dei avklaringane som no ligg føre, eller å gå nye rundar. I dette tilfellet vel vi altså det fyrste. Eg vil ein gong til minna om at årsdøgntrafikken i dag er 2 200 – og han aukar i

opplegg. Eg må minna om at det skjer utruleg mykje god utbetring av vegar og god utbygging av nye vegar i desse dagar – meir skal det koma. Flere har ikke bedt om ordet til sak

at nokon av pilotane har brukt rusmiddel like før dei skal frakte passasjerane til staden dei skal til. Den 11. mai i år kunne me lese i VG Nett at ein full SAS-pilot blei suspendert i eitt år. Han blei teken i ein promillekontroll med 0,96 i promille nokre dagar tidlegare på Piloten, ein mann i 40-åra frå Sverige, blei teken i ein rutinekontroll. Dette er ganske alvorleg, når me i tillegg veit at alle tilsette i SAS må halde seg heilt edrue i minst åtte timar før dei skal ut og fly. Derfor er eg glad for at regjeringa no tek grep og skjerper inn fleire føresegner i luftfartslova som vil bøte på dette. Me må alle jobbe aktivt for å gjere luftfarten tryggare – så trygg som råd er. For å nemne t.d. eventuelt misbruk av rusmiddel vil luftfartslova no i hovudsak få like reglar som dei som finst i vegtrafikklova. Det må ein vel seie er på tide. Det burde sjølvsagt vore slik at lovverket mot – og moglegheita for å oppdage – bruk av rusmiddel i tilknyting til luftfart skal vere minst like strengt som lovverket for transport og ferdsel på veg. Når me no får vedteke desse endringane i luftfartslova, betyr det m.a. at politiet kan utføre stikkprøvekontroll av pilotar, av og anna luftpersonell utan at det på førehand er mistanke om lovbrot. Det er bra. Elles vil endringane i lova forbetre passasjerrettar, brot mot lufthamntenester, støy og terroranslag m.m. Når me no får meir målretta og effektive reaksjonar mot lufthamner og flyselskap som ikkje held seg til lova,

Neste taler er

norsk luftfart er trygg. Tryggleiken er det som står fremst i alle anledningar. Det er grunn til å presisera at når regjeringa legg fram eit så omfattande lovforslag, er handheving av luftfartslova hovudtema. Når vi likevel gjer det, er det fordi konsekvensane av manglande er omfattande og kan vera fatale i luftfarten. Som folkevalde har vi difor ei plikt heile tida til å sørgja for at tryggleiksnivået stadig blir betre. Det er fordi konkurransen i luftfarten er så hard og fortenestemarginane så små at dei som vil overleva, må kutta kostnader. Det seier seg sjølv at akkurat det kan ha tryggleiksmessige konsekvensar. akkurat det kan ha tryggleiksmessige konsekvensar. Då er det avgjerande at vi har ei robust lovgjeving og eit handhevingsapparat som bidreg til å halda oppe tryggleiken. Sjølv om tryggleik alltid er det viktigaste, er det viktig å unngå unødvendige negative samfunnsmessige konsekvensar av å handheva reglane. Ved å opna for tvangsmulkt og

Det er urettferdig for dei beste aktørane dersom andre kan lura seg unna kostnader. Så er dei forslaga som her er fremja, som Stortinget gjev si tilslutning til, ein kombinasjon av nokre EØS-relaterte endringar og forslag som vi fremjar på eigen kjøl luftfarten er jo ei internasjonal næring, men her er altså forslag som òg blir fremja frå regjeringa for å sikra høgast mogleg tryggleik i Noreg – forslag som gjeld spesifikt for Noreg. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 18